Fra den møtende vararepresentanten for Oslo, Truls Wickholm, foreligger søknad om fritak for å møte under representanten Jens Stoltenbergs permisjon, i tiden fra og med 5. oktober til og med 18. desember, på grunn av foreldrepermisjon. Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet: Søknadene behandles straks og innvilges. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i

Fra Statsministerens kontor foreligger følgende brev til Stortinget datert 25. september 2015: «Midlertidig bestyrelse av Kunnskapsdepartementet Vi viser til vårt brev av 8. april 2015 der vi opplyser om hvilke perioder statsråd Torbjørn Røe Isaksen vil avvikle foreldrepermisjon. Vi gjør oppmerksom på at statsråden ikke vil avvikle permisjon følgende dager: fredag 25. september onsdag 30. september fredag 2. oktober» Presidenten foreslår at det refererte brevet vedlegges protokollen. – Det anses vedtatt. Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten opplyse om at møtet fortsetter utover

deretter 44 innlegg på inntil 5 minutter, som avvikles i sin helhet på første debattdag, og fordeles slik mellom partiene: Arbeiderpartiet 14 innlegg, Høyre 12 innlegg, Fremskrittspartiet 7 innlegg, Kristelig Folkeparti 3 innlegg, Senterpartiet 3 innlegg, Venstre 3 innlegg og Sosialistisk Venstreparti 2 innlegg. Det åpnes for inntil fire replikker på hvert innlegg etter to av innleggene fra Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet og etter ett av innleggene fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti. Fem statsråder gis en taletid på inntil 5 minutter hver, med en etterfølgende replikkrunde på inntil seks replikker. Etter avvikling av fordelt taletid åpnes det for innlegg på inntil 3 minutter. Tirsdagens møte settes kl. 10.00 og starter med et innlegg fra statsministeren på inntil 15 minutter med etterfølgende

at vi forstår hva vi er laget av både som land og folk. Arbeiderpartiet er et konstruktivt opposisjonsparti. Når regjeringen fremmer forslag som vi mener er til det beste for landet, vil vi støtte dem. Vi er åpne for å bidra til gode og brede forlik – med regjeringen og mellom partiene på Stortinget. Når vi er uenige, vil vi fremme våre egne alternativer. Den voksende arbeidsledigheten gir grunn til uro. Over 120 000 er uten arbeid, og det er det høyeste tallet på over 20 år. Dette er enkeltmennesker og familier som nå møter utrygghet. Arbeiderpartiet vet hva det står om. Å ha en jobb å stå opp til gir dagen mening og skaper verdighet for folk. Vi mener regjeringen har gjort for lite og handlet for sent i møte med økende ledighet. Vi kan ikke bestemme oljeprisen, men vi kan handle målrettet for å ta godt vare på dem som blir ledige. Arbeiderpartiet fremmer i dag forslag om å forlenge permisjonsperioden fra 30 til 52 uker, slik vi gjorde med hell i 2009. Vi bør styrke tiltak for opplæring i og utenfor bedriftene, slik at vi tar godt vare på kompetansen, særlig for å ta vare på de unge og hindre at ungdomsledigheten biter seg fast. Vi kan ikke og skal ikke subsidiere enkeltbedrifter, men vi kan støtte opp om aktivitet i næringer som sliter. Arbeiderpartiet fremmet før sommeren et forslag om opprusting av fergeflåten på Vestlandet. Kystvakten skal vedlikeholde og fornye deler av sin flåte. Vi håper på støtte for våre forslag. Vi kan ikke plukke morgendagens vinnere, men vi kan føre en mer aktiv næringspolitikk, som støtter opp om klyngene med sterke naturgitte muligheter. Arbeiderpartiet har fremmet en rekke forslag for å styrke de kunnskaps-, forsknings- og teknologiprogrammene som kan støtte bedrifter i omstilling, de som satser på nye løsninger og ny teknologi – særlig gjennom satsing på klima- og miljøområdet. I trontalen brukes begrepet «omstilling» som et tiltak vi nå skal i gang med – som om norske bedrifter, offentlig sektor og våre arbeidstakere ikke kontinuerlig har levd med omstillinger og fortsatt vil gjøre det. De mange som lever et liv i omstilling, fortjener å bli sett av regjeringen, og de fortjener et politisk lederskap som stiller opp med drahjelp og tilrettelegging. Møte med voksende ledighet og behov for omstilling forutsetter at vi forstår hva som nå treffer bedrifter og folk på jobb. I trontalen lovpriser regjeringen den norske modellen. Høy sysselsetting og lav ledighet omtales som en grunnmur. Jevn fordeling trekkes fram som en av forutsetningene for å lykkes med omstilling. Arbeiderpartiet er enig. Det er klokt å sette sin lit til men da er det tilsvarende uklokt å svekke modellens fundament og virkemåte. Vi så det i endringene av arbeidsmiljøloven, mot en samstemmig arbeidstakerside, med svekket stillingsvern, ubetalt overtid og mer midlertidighet. Vi ser det jevnlig i hvordan partene i arbeidslivet ikke blir hørt i viktige saker som angår dem. Regjeringen kan i ord lovprise jevn fordeling i en trontale, men kontrasten i virkeligheten er stor. Det så vi i regjeringens budsjettforslag i fjor høst. Halvparten av skattekuttene skulle tilfalle landets 5 pst. rikeste. Regjeringen har lukket ørene for faglige råd, og reaksjonen fra landets fremste økonomer har vært unison: Det er vanskelig å komme på skattekutt som er mindre fremmende for vekst og mer fremmende for forskjeller. Dette er feil kurs for Norge. Økte forskjeller er nå noe både IMF og OECD advarer mot. Det reduserer evnen til omstilling. Regjeringen viser liten forståelse for et samfunn i endring. Det holder ikke å være for den norske modellens resultater om vi ikke anerkjenner hva den er skapt av, eller forstår hva som kan sette modellen ut av balanse. Vi opplever nå tidenes største tilstrømming av flyktninger til Europa. Bildene og de direkte møtene med mødre, fedre og barn på flukt gjør et dypt inntrykk. Norge skal ta sitt ansvar. Norge skal ta imot mennesker med rett til beskyttelse. Norge skal vise i praksis hva vi legger i bærende prinsipper som humanitet, medansvar og solidaritet. FNs høykommissær for flyktninger sier at opp til 1,4 millioner flyktninger vil ankomme sjøveien til Europa i år og neste år. Utviklingen vil neppe snu før krigen slutter og ødeleggelse og elendighet kan vendes til gjenoppbygging. Det påhviler verdens ledende makter et særlig ansvar. De må finne løsninger på bakken – ikke bombe hver sin del av Syria fra luften. Mennesker som kommer til Norge etter en dramatisk flukt, skal nå starte på en ny reise – inn i vårt samfunn der de skal leve sammen med oss, og vi skal sammen bli en del av et større vi. Det er vårt felles ansvar at dette lykkes. Mottaksapparatet var ikke dimensjonert for økningen som kom i august. Vi forstår at det tar tid å rigge om kapasiteten. Men nå har det tatt for lang tid. Røde Kors har ved to anledninger i brevs form til justisministeren og statsministeren meldt fra om at forholdene er uakseptable. Regjeringen kan ikke på tredje måneden peke på et sprengt mottaksapparat. Nå må det komme handling som duger. Kommunen er avgjørende for så mange tjenester. Valget vi har bak oss, understreket det folks rettmessige forventninger til barnehage, skole, helse, eldreomsorg og et sunt lokalmiljø. Resultatet var et klart signal om at flertallet vil ha en annen kurs enn den regjeringen fronter. De vil ha en kurs som prioriterer arbeid og velferd fremfor skattekutt, gode tjenester der folk bor, fremfor sentralisering. Det er også i kommunene det I Syria-avtalen forplikter seks partier seg til å styrke den økonomiske støtten til kommunene for å lykkes bedre med bosetting og integrering. Arbeiderpartiet er rede til å følge opp denne enigheten, og vi forventer en klar satsing på dette i budsjettet for 2016. Statsministeren har appellert til en bred dugnad. Hun har oppfordret kommunene til å ta godt imot dem som skal bosettes. Arbeiderpartiet slutter opp om denne appellen. God integrering krever også at vi tenker nytt i møte med et mye større antall som skal bosettes. På et torg i Ålesund midt i august oppfordret finansminister Siv Jensen kommunene til å si nei til å ta imot flere til bosetting. Hun sa at om mange nok sa nei, kunne man få stoppet Syria-avtalen. Stortinget var ikke samlet da regjeringens nummer 2 sa dette. Nå er vi samlet. Derfor spør jeg fra denne talerstol og forventer svar fra samme sted: Står finansministeren fortsatt ved oppfordringen til å si nei – at kommunene skal stoppe mottak av kvoteflyktninger og andre flyktninger? Hva vil i tilfelle skje med dem som nå sendes til 50 nye mottak som regjeringen vil opprette? Det fortjener Stortinget svar på. Til sist: Denne høsten blir en skjebnetid for klimaet, og det blir en skjebnetid for kloden. I Paris skal verden prøve å finne sammen om avtaler og forpliktelser som monner for å kutte utslipp. Her hjemme har vi det travelt dersom vi skal gi vårt bidrag til at Europa reduserer sine utslipp med 40 pst. innen 2030. Vi trenger politisk lederskap ute, men også hjemme. Det haster med å fastsette mål og planer for å lykkes på veien mot 2030. Neste år er det første året i en 15 års aktiv innsats for å nå disse målene. Vi kan ikke vente på at regjeringen skal forhandle seg ferdig med EU før vi kommer i gang med å gjennomføre kutt. Arbeiderpartiet er klare til å gjennomføre kutt som monner. Utfordringen er stor, men her som på andre områder kan vi møte den om vi bruker kreftene sammen. Det blir replikkordskifte.

De fire ikke-sosialistiske partiene snakket mye om behovet for omstilling i norsk økonomi før valget i 2013, og vi har fulgt dette opp gjennom både ord og handling. Da Arbeiderpartiet først kom sent på banen, virket det som om omstilling utelukkende er noe som skjer av seg selv hele tiden. Snorre Serigstad Valen uttalte til Klassekampen 11. september 2014 at «i den andre perioden forvitret viljen til å gjøre endringer». Dette var altså i den andre rød-grønne perioden. Arbeiderpartiet har i det siste vært veldig opptatt av å snakke om «for lite, for sent», men da budsjettet ble lansert i fjor, ble vi kritisert for å bruke for mye penger. På landsmøtet brukte ikke Jonas Gahr Støre ett ord på arbeidsledighet. Når var det Arbeiderpartiet oppdaget at behovet for omstilling var til stede som regjeringen hadde snakket om lenge? Mange tiår siden. Omstilling er noe som pågår i norsk nærings- og arbeidsliv hver uke, hver dag. dag. Hvis representanten hadde fulgt med på hva som skjer ute i arbeidslivet, så ville han sett at det er en slik omstilling. Nå går ledigheten ned i ti fylker, og det er fordi bedrifter er i omstilling. Offentlig sektor er i kraftig omstilling. Vi kom gjennom finanskrisen med færre ledige – vi holdt sysselsettingen høy. Vi trenger en ny omstilling nå, og særlig i deler av landet som er utsatt for vanskelige tider, knyttet til oljeprisfallet. Takk for øvrig for at innlegget ble godt mottatt, og at det ble oppfattet som raust. Det synes jeg er hyggelig å ta med på veien. Vår kritikk i fjor var ikke primært at regjeringen brukte for mye penger. Vi mente de brukte mer oljepenger enn nødvendig, men de brukte dem feil. De store kuttene i formuesskatten gir ikke resultater på investering, noe deres egne utredninger og uavhengige forskere viser. De kunne ha vært brukt på andre ting – til å støtte gründere og til å støtte aktiviteter for de næringene som nå sliter og trenger ny aktivitet. tiden. Derfor er det med interesse vi avventer budsjettet som nå kommer – om det har riktig pengebruk, og om det har riktige tiltak. Jeg ser at Klassekampen har et stort oppslag i dag med en rekke såkalte eksperter, fagøkonomer, som foreskriver følgende løsning, nemlig å øke formuesskatten og gjeninnføre arveavgiften, for å minske forskjellene i Norge. Jeg vet ikke om det er forslag som representanten Gahr Støre vil slutte seg til. Det er litt pussig, dette her, for representanten Gahr Støre snakker om omstilling som noe som skjer av seg selv hele tiden. Ja, naturligvis, det er endringer – det skjer ting. Men Høyre har ikke en laissez faire-tilnærming til dette. Vi ønsker å være proaktive. Vi snakker bevisst om behovet for endringer for å møte redusert aktivitet i oljesektoren. På Gahr Støre virker det som om det kun er de tiltakene Arbeiderpartiet kommer opp med i en valgkamp, eller litt sent etter regjeringen, som faktisk bidrar til en nødvendig omstilling. Ser representanten Gahr Støre at det faktisk er dette regjeringen har jobbet med hele tiden, nemlig å peke på behovet for å omstille Norge til en grønn økonomi, til en annen utvikling? Jeg ser at regjeringen peker på det hele tiden, men jeg mener at en del av tiltakene er feil. La meg legge til at en del av tiltakene er riktige, og dem støtter vi opp om. På de områdene hvor vi kan være enige, skal Arbeiderpartiet gi helhjertet støtte. Men jeg tror at for eksempel det å ha en omstilling til et samfunn med større forskjeller svekker omstillingsevnen. Jeg lytter til det som ikke akkurat er sosialdemokratiske tenketanker – OECD, IMF, Verdens økonomiske forum – som nå har som sin førsteprioritet å unngå økte forskjeller, fordi det reduserer omstillingsevnen. Nå skal vi altså få en skattereform denne uken, etter forslag fra regjeringen. Da får vi se på helheten. Arbeiderpartiet har sagt at den arveavgiften som var, ønsker vi ikke å gjeninnføre. de kuttene som har vært i formuesskatten, og mener at formue er en del av det som bør beskattes på en måte som lever opp til gode prinsipper i vårt skattesystem – den med sterkest skuldre tar den tyngste bør. Det man har fått av egne utredninger om hva kuttene i formuesskatten bidrar til i økonomien, burde føre til en selvransakelse om at man har brukt de store pengene feil. De kunne ha vært brukt annerledes, både på velferd og på

Men jeg vil la representanten Gahr Støre få lov til å utdype hva man faktisk mener. Mener han at vi skal fortsette i minst samme tempo, få på plass flere leteområder for å sikre utviklingen innenfor denne næringen? Eller er det en annen versjon vi skal få høre i dag? La meg først gripe fatt i det representanten sier, at når det i flere fylker, innlandsfylker, går bra, utenom den sektoren som nå er rammet, så tyder det på at vi har et ganske omstillingsdyktig næringsliv. Det var ikke et tiltak de skrudde på i fjor høst fordi oljeprisene falt, de har altså klart seg tvers gjennom en periode hvor en del av økonomien var veldig drevet av en høy oljepris. Det viser at vi har en evne der ute om vi tar den i bruk. Jeg registrerer nå at regjeringen styrer olje- og gasspolitikken stort sett på basis av den stortingsmeldingen som den regjeringen jeg tilhørte, la fram rett før vi gikk av. Arbeiderpartiet er tilhenger av et høyt og stabilt aktivitetsnivå, samtidig som vi skal fortsette det vi har vist gjennom mange år, at vi kan føre en politikk på klima- og miljøområdet som bruker virkemidler for å få utslippene ned. Vi innførte – mot stemmene til dagens regjeringsparti – CO2-avgiften på sokkelen. Vi har gjennomført en lang rekke tiltak som skal sørge for at Norge kan produsere olje og gass, men med utslipp som går ned. Det mener jeg er en klok utvikling å fortsette, samtidig som vi skal være med på å ta de internasjonale forpliktelsene, forhåpentligvis, som Paris-avtalen kan medføre. Eg er

asyldebatt me har hatt i Noreg det siste året. Det er fordi regjeringa, Venstre og Kristeleg Folkeparti fekk på plass ei varig forbetra løysing for asylbarna, ei løysing som òg Gahr Støre har uttalt seg positivt om. Men da ein av dei fremste ekspertane på dette området, advokat Arild Humlen, fekk spørsmålet om han trudde ei varig løysing hadde vore mogleg med Arbeidarpartiet i regjering, svarte han nei, svarte han nei, og la til at me no var ute av ei istid når det gjaldt rettane til asylbarna. Spørsmålet mitt til representanten Gahr Støre er: Kva trur du dette kjem av? Jeg er ikke sikker på at advokat Humlen er det beste sannhetsvitnet for hva som har skjedd internt i Arbeiderpartiet og gjennom vår regjeringstid. Vi la fram en stortingsmelding om barn på flukt. Vi la der føringer for å vurdere hvordan regelverket var praktisert. Vår regjering gikk av i 2013. Hadde vi fortsatt i regjering, hadde det vært på vår vakt å evaluere det og se på en endring i regelverket. Vi har svart på det ved å si at den enigheten som de fire partiene har kommet fram til – etter lang tid og med en del krumspring i den forbindelse, som jeg skal la ligge – er en enighet vi kan slutte oss til. På det grunnlaget er det bred enighet om hovedtrekkene i flyktning- og asylpolitikken i denne sal, som jo er noe nytt, og som jeg tror er bra for å praktisere en konsekvent politikk. Så Arbeiderpartiet slutter helt opp om det. Vi hadde et landsmøte med stort engasjement rundt denne saken – det hadde vi i fjor, det hadde vi i år, det er i vår partiorganisasjon, og det kommer også til å vare ved. Vi skal ha en human politikk, vi skal ha en konsekvent politikk, og vi skal leve opp til det ansvaret som dagens ekstraordinære situasjon krever av oss. oss. Representanten Gahr Støre var i sitt innlegg inne på viktige problemstillinger angående den økende arbeidsledigheten, og også spørsmålet om flyktninger og asylsøkere og måten vi mottar dem på i Norge. Det står mange viktige oppgaver foran oss i året som kommer. En av de oppgavene er også noe som gjelder et litt annet område, nemlig spørsmålet om Norge skal slutte seg til en internasjonal tjenesteavtale, TISA, og spørsmålet om vi også skal slutte oss til en frihandelsavtale mellom USA og EU, den såkalte TTIP. Det Det er avtaler som kan komme til å endre både offentlig forvaltning, vårt nasjonale politiske handlingsrom og rettsapparatet. Vi risikerer at offentlige tjenester som blir privatisert, ikke kan tas tilbake til offentlig sektor sjøl om et politisk flertall i kommuner, i fylker eller i Stortinget vil det. Vi risikerer også at internasjonale konsern kan saksøke Norge uten å gå via det norske rettsapparatet. Mitt spørsmål til Arbeiderpartiet er: Hva er Arbeiderpartiets holdning til disse avtalene, og på hvilken måte vil Arbeiderpartiet bidra til mer åpenhet om disse forhandlingene? Det er trist at man ikke er kommet i mål med en helhetlig handelsavtale, som ble startet i Doha tidlig på 2000-tallet. Nå får vi altså enkeltavtaler på enkeltområder i større grad. Det mener jeg ikke er bra for verdens handelssystem. Når det gjelder TTIP mellom USA og Europa, får vi først vente og se om USA og Europa blir enige. Det er mange stridsspørsmål mellom EU og USA som må avklares. Blir de enige, tror jeg Norge vil mene at det er i vår interesse å finne en eller annen måte å koble seg på det området på, selvfølgelig ved å ivareta norske fundamentale interesser. Når det gjelder TISA, mener jeg dette er noe vi skal følge meget nøye. Økt handel med tjenester er en del av hvordan økonomien fungerer. Selvfølgelig skal vi ikke gå inn i en avtale som gjør at vi risikerer – som representanten sier – å måtte oppgi viktige sider av måten vårt velferdssamfunn fungerer på: måten vi styrer offentlig sektor på, måten vi har rettssikkerhet på, måten våre selskaper må stå ansvarlig overfor et regelverk på. Det tar jeg som en selvfølge. Jeg kan ikke se at det er noe i denne avtalen til nå som skulle pålegge Norge å reversere, eller ikke ha rett til å reversere, beslutninger om hvem som løser oppgaver, enten det er det private eller det offentlige. Det er et nøkkelprinsipp for oss, og det må vi slå ring rundt.

tatt dramatiske grep for å innskrenke nettavisens redaksjonelle frihet, noe som toppet seg forrige mandag da de sparket redaktør Thomas Nilsen på dagen fordi han offentlig kritiserte eiernes vedtak om ikke å ha den redaksjonelle friheten. Hva vil Arbeiderpartiet og representanten Gahr Støre gjøre for å sikre at hans partifeller i Nord-Norge avslutter prosessen mot BarentsObservers redaksjon og sikrer avisen uavhengighet fra politisk påvirkning – slik at man får utøve sin rolle som den fjerde statsmakt?

arbeidsvilkår han trenger for å praktisere ytringsfrihet. Om det er andre forhold som ligger til grunn for avgjørelsen, vet jeg ikke. Jeg merker meg at utenriksministeren på vegne av Utenriksdepartementet vil hente inn informasjon om dette, fordi Barentssekretariatet er finansiert av Utenriksdepartementet. Jeg vil bare gjenta at det er viktig at vi praktiserer den frie presse, ytringsfrihetens beste kvaliteter i nord – særlig opp imot Russland, som erfarer utvikling i motsatt retning.

og vi skulle gjennomføre viktige reformer som kommunereform og fritt behandlingsvalg, for en bedre bruk av offentlige ressurser til det beste for innbyggerne over hele landet. Når vi tar temperaturen på norsk politikk i dag, ser vi at arbeidet rundt dette er godt i gang. Vi begynner å se resultater. Samtidig har det skjedd store endringer siden vi møttes i Nydalen og på Sundvolden – endringer som gjør det nødvendig å tenke nytt. Det var ingen som så for seg at oljeprisen skulle halveres i løpet av kort tid. Dette har hatt og vil ha et direkte anslag på norsk økonomi, aktivitet og sysselsetting. Den reduserte aktiviteten i oljenæringen og den økte arbeidsledigheten som følger i kjølvannet av dette, er større enn noen hadde sett for seg. Omstillingen av norsk økonomi er med andre ord ikke lenger noe som bare er en langsiktig ambisjon, det er noe som også må skje på kort sikt, slik at de som nå mister jobben, raskt kan komme tilbake i arbeidslivet. Statsbudsjettet for 2016, som legges fram denne uken, vil gi et vesentlig bidrag til innenlandsk etterspørsel etter varer og tjenester. Regjeringen har økt investeringstakten innen samferdsel siden valget i 2013, noe som vil skape bedre forutsetninger og rammevilkår for næringsvirksomhet over hele landet. Dette er viktig for den langsiktige omstillingen, men det bidrar også til at det skapes jobber i dag. Skattesystemet skal reformeres, og innrettes slik at det bidrar til vekst og verdiskaping. verdiskaping. Her håper jeg at vi møtes på tvers av blokker i denne sal, slik at vi sikrer et bredt flertall for et godt skattesystem. En annen utfordring som skulle vise seg å bli en helt annen i 2015 enn noen hadde grunn til å forutse i 2013, er den enorme flyktningstrømmen som kommer av borgerkrigene i Syria og Libya. Europa opplever den største strømmen av migranter siden annen verdenskrig,

Økningen har medført behov for rask etablering av ordinære asylmottak, mottak for enslige mindreårige asylsøkere og plasser på omsorgssentre for enslige mindreårige under 15 år. Den gjeldende asylprognosen for 2015 er på 11 000. I lys av ankomstene den siste tiden har Utlendingsdirektoratet anslått at antallet asylsøkere kan komme opp mot Samtidig med at vi må styrke kapasitet og registrering nasjonalt, må vi også jobbe internasjonalt for å få bedre kontroll over situasjonen. For å få gjenopprettet kontrollen på Schengens yttergrense har Norge som intensjon å delta i EUs relokaliseringsprogram. Når det gjelder spørsmålet om syriske kvoteflyktninger, har et bredt flertall på Stortinget blitt enige om å ta imot inntil 8 000 fram til og med 2017. Dette gjør Norge til et av de landene i Europa som tar imot flest syriske kvoteflyktninger. En av forutsetningene for at vi skal klare dette, er selvsagt at kommunene klarer å bosette dem som kommer. I fjor ble det bosatt 7 784 flyktninger, dvs. 19 pst. flere enn i 2013. Dette er flere enn på 20 år, men ikke på langt nær nok til å bygge ned restansen av bosettingsklare i mottak.

Regjeringen har tatt initiativ for hvordan frivilligheten og offentlig sektor sammen kan bidra til et langsiktig arbeid for å bosette og integrere flyktninger, et arbeid som skal følges opp i kommunene. I en tid som preges av omstilling på både kort og lang sikt, og hvor vi skal håndtere en stor internasjonal krise og virkningen den får i Norge, er det avgjørende at vi har en stabil og forutsigbar styring. Det har Norge, gjennom det samarbeidet som eksisterer mellom de fire ikke-sosialistiske partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre. Vi har i to år jobbet for å hjelpe norsk næringsliv gjennom omstillingen, gjennom bedre og mer forutsigbare rammevilkår som styrker et norsk, privat eierskap, og som skal skape trygge jobber. Vi skal fortsette dette arbeidet sammen når vi denne uken legger fram et budsjett for arbeid, aktivitet og omstilling. Tilnærmingen til de utfordringene Norge står overfor på både kort og lang sikt, svinger kraftig. I fjor kritiserte Arbeiderpartiet regjeringen for å bruke for mye penger. I år er kritikken at regjeringen hverken gjør nok, eller at det som gjøres, skjer tidsnok. Virkeligheten er at regjeringen har bidratt med store investeringer innenfor samferdsel og annen infrastruktur, noe som vil øke etterspørselen etter arbeidskraft. Virkeligheten er at regjeringen har fulgt utviklingen og innsatt konkrete virkemidler i tråd med den, som justering av permitteringsreglementet og økt antall tiltaksplasser for dem som mister jobben. Det viktigste er imidlertid hva vi gjør for at det skal bli større aktivitet og skapes flere jobber. Det gjør vi gjennom en forutsigbar og forsvarlig økonomisk politikk, der vi gir norske aktører de samme muligheter i det norske markedet som vi gir andre. Jeg ser fram til gode diskusjoner om hvordan vi skal løse utfordringene vi opplever i dag knyttet til det store fallet i oljepris, og hvilken betydning dette har for arbeidsledigheten. Jeg ser også fram til gode diskusjoner rundt den store strømmen av flyktninger og asylsøkere som Europa nå opplever, og om hvordan Norge skal ta sin del av ansvaret både hjemme og ute. I fjorårets trontaledebatt pekte jeg på de mange oppgavene regjeringen hadde gått løs på for å skape bedre velferd, større verdiskaping og en enklere hverdag for folk i Norge. Nå, ett år senere, kan jeg konstatere at regjeringen leverer i sak etter sak. I 2015 ble det bevilget 10 mrd. kr mer til vei og jernbane enn i 2013. Mange prosjekter er forsert, mange har fått to–tre års kortere planleggingstid, og vi har økt bevilgningene til kollektivtrafikk kraftig. Det grønne skiftet er i gang. Ved utgangen av 2016 vil Klimateknologifondet være på 62,75 Det er 12,75 mrd. kr mer enn de 50 mrd. kr Stortinget ble enige om i klimaforliket. I helse- og omsorgssektoren er mye gjort for å styrke rettigheter og muligheter for pasienter og brukere. Pakkeforløp for kreft er på plass, rus og psykisk helse skal igjen gis prioritet i helseforetakene, brukerstyrt personlig assistanse er på plass, og bevilgningene til helseformål er kraftig styrket. Regjeringen vil at elevene skal lære enda mer. Derfor gjennomfører vi tidenes lærerløft, som gjør norske lærere enda bedre. Sammen med Venstre og Kristelig Folkeparti har regjeringen økt lærlingtilskuddet fire ganger på to år med til sammen 12 500 kr per lærling. Satsingen på forskning er rekordhøy, og viktige grep gjøres i høgskole- og universitetssektoren. Forenklingsarbeidet går videre. Plan- og bygningsloven er endret slik at huseiere får større muligheter til å gjøre endringer på egen eiendom. En konkurranseklagenemd etableres i Bergen og et regelråd for forenkling på Hønefoss. Listen er lang, og felles for alle tiltak er at de vil gjøre Norge rustet for å møte framtiden. Samtidig er regjeringens hovedfokus nå å møte de umiddelbare utfordringene med økt ledighet i deler av landet. Statsbudsjettet vil vise at regjeringen tar dette på største alvor. Alle partiene i denne sal har én ting felles som jeg mener er viktig å anerkjenne i den videre debatten: Vi vil det beste for våre medmennesker. Men med ulike ideologiske utgangspunkt får vi også ulike syn på hvordan den praktiske politikken skal utformes. Derfor er vi ulike partier. Vi gjør hverandre bedre når vi kan utfordre hverandres ideer og løsninger. Vi gjør hverandre dårligere når vi mistenkeliggjør hverandres verdier og motiver. Jeg håper vi i denne debatten skal bruke tid på å gjøre hverandre bedre. Det tror jeg vil tjene oss alle.
Det åpnes for replikkordskifte. Jeg tar den utfordringen og

Midlertidig – vi prøvde det i 2009, det virket, og vi tok det bort igjen i 2012. Nå er det forslaget fremmet. Vil representanten Helleland være med på å gi sin støtte til forslaget og dermed gjøre seg selv bedre? Om jeg klarer å gjøre meg bedre, er én sak, men å saksbehandle forslag som legges fram fra Arbeiderpartiet, i salen en halv time etterpå, blir kanskje litt useriøst. Men jeg vil vurdere alle tiltak som kan bidra til å både sørge for en langsiktig omstilling av norsk økonomi og samtidig ivareta de kortsiktige behovene vi har for tiltak som kan gjøre at folk kommer i arbeid, eller at arbeidsplassene blir tryggere. Jeg vil ikke gå inn på en behandling nå av et enkeltforslag som fremmes som et representantforslag i salen i dag, men jeg er kjent med at mange mener at dette er et tiltak som bør vurderes. Statsbudsjettet kommer om to dager. Da vil vi få rikelig anledning til å diskutere dette. Dette vil jeg si var et løfterikt svar. Vi fremmet forslaget også i valgkampen, så man har hatt litt mer enn en halv time til å tenke på det – men gjerne. Vi får en spennende høst. Representanten Helleland og jeg var med på å forhandle fram en Syria-avtale, og jeg vil takke for det arbeidet, hvor jeg mener representanten Helleland gjorde et veldig viktig arbeid for at vi skulle komme til en god enighet. I den avtalen skriver vi: «Regjeringen vil i forbindelse med statsbudsjettet for 2016 foreslå ytterligere tiltak for å stimulere integrerings- og bosettingsarbeidet i kommunene, herunder vurdere forslag fra KS, og vil konsultere avtalepartene i dette arbeidet.» Utover samarbeidspartiene gjelder det også Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Mye har skjedd gjennom sommeren – økningen av folk som skal komme til Norge, mange av dem vil få beskyttelse, og det vil utfordre kapasiteten. Da kunne jeg tenke meg å spørre, uten å vise til statsbudsjettet som kommer om to dager: Hvilke ytterligere tiltak mener representanten Helleland er nødvendig for å stimulere bosettings- og integreringstiltaket? Det skal opprettes 50 nye mottak, 7 000 flere mennesker enn antatt. Hva må til for at vi skal lykkes med den helt avgjørende integreringen og bosettingen i kommunene? Nå var Gahr Støre selv inne på litt av svaret. Vi har styrket mottakskapasiteten. Det var en sak i nyhetene for ikke veldig lenge siden, i forrige uke, om gamle Smart Club i Råde som nå blir gjort om til mottakssenter for dem som kommer inn til landet via Svinesund. Det blir gjort en kjempeinnsats i norske kommuner og gjenopprettet mange asylmottak. Jeg tror at når vi får litt mer klarhet i hvordan denne utviklingen fortsetter – for det har vært en voldsom vekst i antall asylsøknader

steder. Samarbeidspartiene er i ferd med å iverksette en stor vei- og jernbanereform og øker midlene til vedlikehold. Det er bra, men distriktspolitikk er ikke bare samferdsel. En aktiv distriktspolitikk kan bl.a. innebære etablering av nye statlige arbeidsplasser i regionene og styrking av regionale utviklingsmidler for å løse utfordringer som distriktskommunene har med hensyn til å skape nye arbeidsplasser. Økte midler til Innovasjon Norge er et annet eksempel på å bidra til lokal og regional verdiskaping. Hva vil Høyre gjøre for å skape mer aktivitet i distriktene, slik at folk kan bo og arbeide også på mindre steder? Nå sitter jo representanten Grøvan i en svært viktig komité, nemlig transportkomiteen, og han peker selv på at infrastrukturinvesteringer er noe av det aller viktigste for å bidra til å få varene fram og til muligheten for å drive næring i distriktene. Denne regjeringen har faktisk lagt mange statlige arbeidsplasser utenom Oslo. Selv hadde jeg i valgkampen gleden av å være med til Hønefoss – det var riktignok ikke den største arbeidsplassen vi skulle opprette – for å presentere det nye regelrådet, som særlig Venstre, men også Kristelig Folkeparti har ivret for. Det blir lagt utenom Oslo. Vi gjør mange slike grep. Jeg tror at hvis en begynner å summere opp, ser en at det etableres flere statlige arbeidsplasser utenfor Oslo av denne regjeringen enn av den forrige, på tross av at den hadde såkalte distriktspartier i sin midte. Høyre vil sammen med Kristelig Folkeparti, Venstre og Fremskrittspartiet jobbe for en desentralisert utvikling. Vi vil satse på innovasjon, vi vil satse på infrastruktur, og vi vil satse på viktige distriktsnæringer. Det er Det er påfallende at mens fjorårets trontale handlet om alle de store strukturreformene som denne regjeringen skal gjennomføre, ikke minst kommunereformen, er årets trontale kjemisk fri for ordet «kommunereform» eller annen strukturreform. Men det er nok mange ute der likevel som lurer litt på hva som nå kommer til å skje med kommunereformen framover. Bare i én av de 14 kommunene som hadde folkeavstemning folkeavstemning samtidig med valget, ble det ja-flertall, og mange gir uttrykk for at de ikke ønsker tvang knyttet til kommunesammenslåing. I Politisk kvarter forrige uke sa kommunalministeren at han mente at kommuner med under 2 500 innbyggere ikke var i stand til å yte innbyggerne sine gode tjenester. Det er Senterpartiet rykende uenig i. De minste kommunene er gode på den brede velferden – på eldreomsorg, skole og barnehage. Men hvis kommunalministeren mener alvor, betyr det at 131 kommuner med under 2 500 innbyggere skal bort. Er det regjeringens nye plan når det gjelder kommunereform? Jeg måtte kikke litt bort på kommunalminister Sanner, og ut fra de blikkene vi har vekslet, er jeg helt sikker på at han aldri har sagt eller ment at kommuner med under 2 500 innbyggere ikke kan gi gode tjenester. tjenester. Det som kan være en utfordring, kan jo være å gi avanserte tjenester til dem som virkelig trenger det mest, på områder som rus, psykiatri, barnevern osv., men det er en annen debatt. Det er et bredt flertall i denne sal som har ønsket en kommunereform. Ved valget nå fikk vel de partiene som er imot kommunereform, altså Senterpartiet og SV, til sammen ca. 12 pst., altså viser oppslutningen til velgerne at det er 88 pst. som ønsker at en går videre med kommunereformen. Vi har et opplegg her i Stortinget. Det vil fortsette. Det var noen kommuner som hadde folkeavstemning. På Fosen ble det På Fosen ble det ja, men det var selvsagt ikke ja i så veldig mange kommuner. Vi vil fortsette arbeidet sånn som Stortinget har lagt det opp, og så får Senterpartiet si hva de vil.
Venstre, Kristelig Folkeparti og regjeringspartiene har hatt et godt samarbeid de siste to årene om å gjennomføre klimatiltak. Der har det vært et temposkifte, selv om det er mye mer som må gjøres i årene framover, men på andre områder ble Norge på fredag dømt i EFTA-domstolen for brudd på EUs direktiv for luftforurensning. Der er det gjort for lite, og vi vet hva som er problemstillingen: det er bruk av diesel, det har økt dramatisk med dieselutslipp, og ikke minst siden den rød-grønne avgiftsomleggingen i 2008, og nå må det gjennomføres akuttiltak. Det er tre ting som hjelper: Det er forbud mot bruk av diesel på de mest forurensede dagene, det er omkjøring av tungtransport, og det er innføring av lavutslippssoner, som Stortinget allerede har vedtatt, og dette må komme på plass. plass. Da blir mitt spørsmål: Er Høyre nå enig i og villig til å ta et mye større nasjonalt ansvar for at vi reduserer med akuttiltak den lokale forurensningen i samarbeid med de store byene? Nå har jo representanten Elvestuen og Venstre hatt stor innflytelse på hvordan vi utformer miljøpolitikken, utslippspolitikken, og jeg er helt sikker på at når vi nå setter oss ned med et nytt statsbudsjett, vil dette bli et viktig tema som både Venstre og også regjeringspartiene løfter. Dieselpolitikken – for å si det sånn – har en merkelig forhistorie, der de rød-grønne nærmest promoterte diesel, for så å gå tilbake på dette. Jeg tror ikke vi skal gjøre for brå endringer med tanke på hvilken bilpark folk har, men at en skal stimulere i riktig retning, retning, er det liten grunn til å være uenig om. Der bidro vi ganske sterkt i fjorårets budsjett, der vi forhandlet fram avgiftslettelser bl.a. på hybridbiler og andre biler som har lave utslipp. Den utviklingen må fortsette, og så må kommunene også ha muligheten til å vurdere lokale tiltak, slik som vi allerede har diskutert.

men sterke kutt til dem som tidligere har skattet av arv og formue, og det øker ulikheten. Representanten Helleland viste selv til oppslaget i pressen i dag, der en rekke økonomer snakker om dette. Det vi vet, er at samfunn med små forskjeller har mange fordeler ved seg, bl.a. at små forskjeller også er en driver for vekst og produktivitet. Derfor er det vanskelig å forstå at Høyre mener at det skal lønne seg mer å arve, er mer opptatt av det, enn at det skal lønne seg å arbeide. Hvorfor synes Høyre at økt ulikhet er greit? Jeg konstaterer at i hvert fall representanten Lysbakken har hatt stor glede av oppslaget i Klassekampen i dag, der det er forslag om å gjeninnføre arveavgiften og øke formuesskatten.

Da vil det bli rikelig anledning for representanten Lysbakken og andre til å diskutere hva slags fordelingspolitikk vi skal ha knyttet til skattesystemet. Jeg tror det opplegget regjeringen presenterer, vil vise seg å være viktig for å stimulere til verdiskaping og for å stimulere til at ulikhetene i Norge ikke blir for store, for – det er jeg enig i – det bør de ikke bli. Replikkordskiftet er omme. Det 160. storting er åpnet, og vi er

fortsette å jobbe for en enklere hverdag for folk flest. I regjering har vi vist handlekraft, og derigjennom klarer vi å skape både en tryggere og en enklere hverdag for folk flest. Vi gir folk flest større frihet i sitt eget liv gjennom å legge til rette for at den enkelte i størst mulig grad skal kunne ta sine

Videre ser vi at en langt fra har klart å stabilisere forholdet mellom Russland og Vesten etter den uakseptable aggresjonen som Russland viste overfor Ukraina. Og videre ser vi at vårt eget land nå står overfor store utfordringer knyttet til en nødvendig omstilling i norsk næringsliv, særlig i olje- og gassektoren, som en følge av at vi har fått en halvering av oljeprisen på relativt kort tid. Dette har medført – som vi også tidligere har hørt – at en del fylker har fått en negativ utvikling hva gjelder arbeidsledigheten. Det utspiller seg nå en humanitær krise både utenfor og innenfor Europas grenser, særlig som følge av borgerkrigen i Syria, men også i forbindelse med IS’ ekstreme, voldelige metoder for å vinne territorier både i Irak og i Syria. Flere finner trygghet i Europa. Men samtidig ser vi at altfor mange ikke får dekket sine grunnleggende behov der de er. Den enorme pågangen av asylsøkere som nå er på vandring gjennom Europa, er på langt nær bare syrere. Det er også andre – fra en rekke andre land. Det dreier seg om Afrika, Irak, Afghanistan, serbere – ja vi hører til og med om russere som benytter anledningen nå. Dette skaper, som sagt, store problemer ved at registreringen av nyankomne til både Italia, Hellas og andre land innenfor Schengen-området nå har brutt fullstendig sammen. Dette gjør at man ikke lenger har noen oversikt over hvem som til enhver tid befinner seg hvor – og, ikke minst, hvor de er på vei. Dette kan ikke fortsette. Fremskrittspartiet er glad for at EU nå har igangsatt et arbeid med å gjenopprette grensekontrollen i Schengens yttergrense, og at regjeringen følger dette opp fra norsk side. FN har bedt om ca. 60 mrd. kr til nødhjelp i de syriske nærområdene, men har kun fått lovnader om ca. en tredjedel av disse midlene og mangler 30–40 mrd. kr. Syrere i nærområdet mangler mat, vann, medisiner og tak over hodet. Hundretusenvis foretar en desperat reise over Middelhavet fordi de mangler de mest elementære tingene i Fremskrittspartiet ønsker å hjelpe flest mulig. Derfor foreslo Fremskrittspartiet før sommeren å bevilge 1 mrd. kr mer til tiltak i nærområdet enn det stortingsflertallet kom fram til, selv om også stortingsflertallet var med på å bevilge ekstra midler. Denne ekstra milliarden ble nedstemt av stortingsflertallet, all den tid tid debatten før sommeren i stor grad dreide seg om mottak av 8 000 flyktninger til Norge, og om hvordan dette skulle skje. Den asyltilstrømmingen til Norge som vi nå ser, setter denne saken i et litt annet perspektiv. Hvis man ser på den utviklingen som vi nå står oppe i, ser man at vi i hvert fall nærmer oss det estimerte tallet for asylsøkere til Norge, på 20 000 personer. Dette vil skape betydelige utfordringer i form av å skaffe husly, helsetjenester, saksbehandling og registrering av den enkelte – dette bare ut fra den situasjonen man så for bare noen få uker siden. I tillegg ser vi at mangel på mat, drikke, husly og helsetjenester – de store manglene – i nærområdet i seg selv er med på å drive enda flere på flukt, også personer som har funnet en trygg havn Dette gjør at vi må sørge for at man får på plass betydelig flere midler i nærområdet, sørger for at man får på plass tilstrekkelig med mat, sørger for trygghet i leirene, sørger for medisinsk hjelp, sørger for skole, utdanning etc., slik at vi nettopp kan få hjulpet flest mulig. Fremskrittspartiet er glad for at regjeringen har tatt initiativ for å få på plass ytterligere hjelp i nærområdene, og støtter regjeringen i det arbeidet. Regjeringen og regjeringspartiene fører en politikk for både å sikre eksisterende arbeidsplasser og å skape nye og framtidsrettede arbeidsplasser. Dette gjøres gjennom en meget aktiv næringspolitikk og gjennom en skatte- og avgiftspolitikk som skal gjøre det enklere og mer lønnsomt for norske eiere å eie norske bedrifter. Det er arbeid som driver Norge. Arbeid skaper identitet og gir oss økonomisk trygghet. Takket være de oljeinntektene som vår nasjon har fått, har vi kunnet skape det velferdssamfunnet som vi nå har. Når arbeidsplassene forsvinner, opplever mange en krise. Norge har lav arbeidsledighet når vi ser på nasjonalplanen, men vi ser dessverre at innenfor noen næringer er arbeidsledigheten nå økende. Det er ingen trøst for dem som mister arbeidet sitt, at landet som sådant fortsatt har lav ledighet. Det er særlig innen olje- og gassvirksomheten en nå ser de store utfordringene. Dette rammer selvsagt Disse endringene skjer som en konsekvens av at oljeprisen på relativt kort tid har falt fra nærmere 110 dollar fatet til under 50 dollar fatet. I tillegg ser vi at Brasil iverksetter enda flere proteksjonistiske tiltak, slik at norske offshorefartøy må forlate den brasilianske sektoren og havner i Norge, i opplag. Det er nettopp i Det er nettopp i kystfylkene fra Aust-Agder til Møre og Romsdal vi nå ser at ledigheten øker, mens den i ti fylker fortsatt enten er stabil eller lavere enn det den var for et år siden. Norge har tidligere stått overfor tøffe utfordringer og kommet styrket ut av det. Det vil vi også gjøre nå, men da kreves det politisk handlekraft. Derfor igangsetter Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen en rekke tiltak for å trygge norske arbeidsplasser. Det blir gjort en historisk satsing på vei og bane, på forskning og innovasjon. Man har fremmet en ungdomspakke – flere lærlinger og raskere oppfølging. Man har fremmet verftspakken, en vedlikeholdssatsing på 2,5 Vi har styrket verftsindustrien med bl.a. 320 mill. kr til økt vedlikehold i Sjøforsvaret og nytt kystverkfartøy, 170 mill. kr til marin forskning og oppgradering av forskningsfartøy. Vi har lagt fram en ungdomspakke, som sagt – den ble lagt fram 17. august – med en rekke tiltak. Dette er bare noen av de tiltakene som regjeringen har varslet, og som man allerede er i gang med. Dette viser at regjeringen er handlekraftig når det gjelder å møte utfordringene. I tillegg gjøres det en rekke andre tiltak som skal være med på å forme framtidens næringspolitikk – også inn i det grønne skiftet. Norsk næringsliv har mye å bidra med i framtidens klima- og miljøpolitikk. Dette må gjøres på en rekke felt. Mange land er allerede i gang, i likhet med Norge. Styrking av Miljøteknologifondet er derfor et meget godt tiltak for å komme videre, samtidig som det nå føres en reell politikk for å få mer gods fra vei og over til sjø. I tillegg er vi inne i en historisk satsing når det gjelder investering i og vedlikehold av jernbane og veier. I tillegg har regjeringen, i samarbeid med Kristelig Folkeparti og Venstre,

Resultatet ble 8 000, og Fremskrittspartiet kunne ikke gå med på det fordi de mente at det kunne ikke norske kommuner ta imot. De siste tre ukene er det kommet 3 400 flyktninger til Norge. De fleste av dem fra Syria. Det er altså mer enn den differansen som Fremskrittspartiet ikke kunne være med på over tre år. Mitt spørsmål er da, siden dette er noe som skjer uten at Fremskrittspartiet protesterer mot det, og det er jeg glad for, for disse menneskene trenger beskyttelse og skal tas imot: Hva er svaret? Hva skal være virkemidlene til kommunene for å ta dem imot? Hva er det som nå gjør det mulig å ta imot så mange flere flyktninger, noe som ikke var mulig i juni? Og står representanten Nesvik ved sin partileder, som oppfordrer kommunene til å si nei til å ta imot flyktninger? Regjeringen har allerede fremmet en proposisjon – det var vel sist fredag – knyttet til ekstratiltak i inneværende år, særlig knyttet til den økte asylstrømmen som vi ser til Norge. Videre er det helt åpenbart at man vil se på ting i budsjettet, og så må man også på et senere tidspunkt se på hvilke behov som er der. Vi har behov for mottakssted, vi har en tilstrømming til Norge nå Når det gjelder antallet på 8 000, som representanten Gahr Støre også er inne på: Det eneste vedtaket som Stortinget hadde gjort på det tidspunktet, var mottaket for inneværende års periode, og det var det tallet som Fremskrittspartiet forholdt seg til. Så vil vi komme tilbake til de øvrige tiltakene, alt etter hvilke behov som er der, og det vil regjeringen følge

Det er kommunene som må vurdere sine egne muligheter i forbindelse med boliger, helsetjenester, mulighet for integrering, oppfølging etc., og det må vi la være opp til hver enkelt kommune.

økt handel og langsiktig utviklingshjelp vært viktig. Nå ser vi veldig tydelig hvilke konsekvenser det har når et land faller sammen, som Syria, og det er flere sårbare land. Derfor må vi både løse den akutte humanitære krisen og legge til rette for langsiktig bistand, slik at vi hindrer framtidige konflikter. Da er skolegang viktig, da er det viktig å satse på helsetjenester, da er det viktig å skape arbeidsplasser blant verdens fattige. Ser representanten Nesvik at langsiktig bistand er viktig for å hindre kortsiktige konflikter? Det er viktig at den bistandspolitikken vi

Det går på utdanning av kvinner. Vi er også for langsiktig bistand, men det er viktig at vi ikke går i den fellen at vi binder opp for mye, altså en så stor prosentuell andel av bistandsarbeidet vårt at vi ikke også kan klare å møte de finansielle krisene som vi ser rundt omkring, også den humanitære krisen som utspiller seg nå i Syria. En del av argumentasjonen som har blitt knyttet til omstilling og omfordeling av midler, var at for mye var bundet opp i de langsiktige tiltakene.

Jeg opplever også at representanten Nesvik i dag undervurderer vanskelighetene og snakker om at det er lav ledighet. En har dermed ikke i stor nok grad handlet og kommet med nødvendige tiltak. «Handlekraft» er jo et ord som regjeringen ofte bruker om seg selv – det kan minne mer om snakkekraft. Jeg vil utfordre representanten til å komme med de tre viktigste tiltakene som regjeringen faktisk har gjennomført for å bidra til at arbeidsledige ingeniører kommer tilbake i jobb. Undertegnede har ikke underkommunisert problemstillingen som vi står overfor. Vi står overfor mange forskjellige utfordringer, bl.a. annet langs kysten fra Aust-Agder i sør og oppover mot Møre og Romsdal. Så påpekte jeg i mitt innlegg – i likhet med det som representanten Gahr Støre ga uttrykk for – at det i andre deler av landet faktisk er en uendret eller synkende ledighet. jeg er veldig vanskelig, for vi treffer ulikt. Å satse bl.a. innenfor vei og bane, samferdselssektoren, gjør at vi kan hente ingeniørkompetanse derfra og inn i en annen sektor. I tillegg ser vi at også andre fylker, hos Kongsberg Gruppen etc., vil ha nytte av ingeniørkompetansen fra olje- og gassektoren. Det som er viktig, er at vi får på plass gode pakker, at vi får på plass en rekke tiltak som kan favne bredt, slik at flere kommer i arbeid, og at vi tar innover oss at vi også må sørge for – som sagt – å jobbe bredt og målrettet med de tiltakene vi gjør, for å få størst mulig utbytte av

Det som representanten var mindre inne på, som ble litt påpekt av Pollestad i forrige replikk, og som jeg kunne tenkt meg å ha fått et mer konkret svar på fra Nesvik, er at vi nå registrerer at en rekke rederier innenfor offshore legger fartøy i bøyene – altså legger fartøy i opplag. Hva tenker Fremskrittspartiets parlamentariske leder om den situasjonen, og hvordan svarer Fremskrittspartiet på dette på kort sikt?

Norge vil aldri kunne klare å ta unna alle de skipene på norsk sokkel, i Nordsjøbassenget eller videre nordover. Men regjeringen har allerede gjort en del tiltak som vil kunne sørge for at vi får økt aktivitet: Johan

mer attraktivt å lete i områder hvor man faktisk har mulighet til å kunne finne noe. I tillegg gjøres det en rekke ting innenfor marin forskning og vedlikeholdssatsing på verftene. Her gjøres det noe punkt for punkt. Grunnen til at jeg ikke var mer inne på dette i hovedinnlegget, var at jeg ikke hadde mer tid – som jeg ikke har nå i

Der Fremskrittspartiet og Høyre styrer, ser vi økt privatiseringsiver, som betyr mer makt til markedet og mindre makt til alle de menneskene som taper på brutalisering av arbeidslivet, og som taper på press på pensjon og arbeidsforhold. Derfor er det gledelig å se at landet vårt har blitt rødere siden sist vi var samlet her. SV kjemper imot privatisering, og vi mener også at ansatte skal få beholde pensjonsrettighetene sine ved konkurranseutsetting. Støtter Fremskrittspartiet SVs forslag, eller holder partiet fast på en politikk for pensjonsran ved privatisering? Fremskrittspartiet var bl.a. det eneste partiet i denne salen som faktisk sto utenfor pensjonsforliket, der bl.a. SV var med på å drive – kan man si i motsatt retning – et pensjonsran av dem som blir eldre, gjennom en underregulering av grunnbeløpet i folketrygden med 0,75 prosentpoeng hvert eneste år i forhold til lønnsutviklingen i samfunnet for pensjonister. Dette bør man kunne Jeg deler ikke representantens begeistring for at det har blitt knallrødt i Tromsø, og det tror jeg ikke innbyggerne heller kommer til å glede seg over så veldig lenge.

da vi trengte en hjelpende hånd. Nå er det vi som må stille opp for mennesker i nød.» Det er ei erkjenning me alle bør vere einige om, men det er òg ei erkjenning som forpliktar. Det forpliktar oss, ikkje berre til å ta vår del av ansvaret, men til å ta vår rettmessige del av ansvaret. Kvart andre sekund blir eit menneske drive på flukt. Verdas flyktningsituasjon

ser me at mottaksapparatet ikkje er berekna for ei så stor asyltilstrøyming på kort sikt. Det aukande talet på asylsøkjarar har ført til store utfordringar for Politiets utlendingseining. Barn har måtta overnatte på betonggolv ved lokala på Tøyen i påvente av å bli registrerte. Apparatet må styrkjast, slik at det blir lagt til rette for mottak av fleire flyktningar, og at flyktningane skal få ein verdig velkomst. Det er to ting eg vil minne om. Det eine er det forslaget som Kristeleg Folkeparti fremjar under denne debatten. Det gjer noko for dei mindreårige asylsøkjarane, ikkje minst dei i aldersgruppa 15–18 år, som treng eit betre tilbod enn det me gir. Det andre er at det er mange parti – og eg håper òg at Kristeleg Folkeparti har vore sterkt delaktig i det – som har snakka om barnefattigdom i vårt eige land. land. Det veit me heng saman med bl.a. den asyl- og innvandrartilstrøyminga me har hatt i Noreg dei siste ti åra, og med den situasjonen me no ser, veit me at det arbeidet blir enda viktigare framover. Flyktningsituasjonen kan berre løysast ved eit langsiktig fredsarbeid. Me må leggje press på Russland, USA, Tyrkia, Iran og andre stormakter som kan påverke partane i konflikten. Samtidig må me parallelt finne løysingar som vil betre flyktningane sin noverande situasjon. Da må me ha ein felles dugnad i Europa for å ta imot flyktningar som ikkje kan hjelpast i nærområda, auke kapasiteten i søk- og redningsarbeidet i Middelhavet og raskt få busett og starta integreringa av flyktningar som kjem til Noreg. FNs høgkommissær for flyktningar har sagt det slik: Dette er «sannhetens øyeblikk» for Europa. No er det tida for å vise kva for verdiar Europa er bygd på. Sånn er det òg for Noreg. Det er no me skal vise kva for verdiar me har bygd landet vårt på. Me opplever i dag ei stigande arbeidsløyse i landet vårt. Det er særleg krevjande for dei lokalsamfunna, familiane og enkeltpersonane som dette rammar. Mange opplever usikkerheit for eiga og andre si framtid. Den jobben som var ein sjølvsagd ting, er plutseleg blitt borte. No må me tenkje både langsiktig og kortsiktig. Me må treffe tiltak for dei som er utan jobb i dag, men òg for dei som står i fare for å miste jobben i framtida. Dei kortsiktige tiltaka meiner Kristeleg Folkeparti bl.a. vil vere ein godt tilpassa oljepengebruk, ein god kommuneøkonomi og ekstra vedlikehald av offentlege bygningar og infrastruktur. Me må sjå om ulike regelverk for arbeidslivet er tilpassa dagens situasjon, som t.d. permitteringsregelverket. Me treng tiltak som verkar raskt, for å hjelpe dei mest sårbare, nemleg dei unge. Det betyr bl.a. fleire tiltaksplassar for å hjelpe fleire inn i arbeid, ein kraftig auke av lærlingstilskotet og fleire plassar til bedriftsintern opplæring. Så må me òg setje i gang tiltak som vil påverke på noko lengre sikt. Her er det bl.a. viktig med eit grønt skatteskifte som fremjar klimavennlege val. Me meiner òg ein reduksjon i selskapsskatten er nødvendig for å fremje auka investeringar og fleire arbeidsplassar på sikt. Me treng sterkare satsing på kunnskap – alt frå tidleg innsats i skulen med fleire lærarar i barneskulen til forsking på fornybar energi og satsing på kommersialisering av forsking gjennom FORNY2020. Me må fortsetje samferdselsutbygginga som Kristeleg Folkeparti og dei tre andre samarbeidspartia har begynt på, særleg grøne samferdselstiltak og tiltak som gir utvikling og vekst i heile landet.

og tilpassa eldreomsorg, og me må bli flinkare til å ta i bruk den ressursen eldre menneske utgjer i vårt samfunn. Ein verdig alderdom når helsa sviktar, handlar om langt meir enn sjukeheimsplassar. Ein plass kan vere heilt nødvendig, men innhaldet i omsorga er avgjerande for livskvalitet og tryggleik for den enkelte. Mange i denne sal kjenner godt eldreomsorga rundt om i landet. Me ser kva for fantastisk innsats som blir lagd ned av tilsette rundt om i landet. Samtidig er det ikkje tvil om at det framleis er store variasjonar i eldreomsorga frå kommune til kommune. Tilsette i dei kommunale helse- og omsorgstenestene blir mange stader pressa til det yttarste. Det går ut over det grunnleggjande tilbodet og pasientsikkerheita. Me må kunne gjere kommunane betre i stand til å møte behova til sine eldre. Fleire tilsette gir tid til den enkelte. Me treng ei offensiv satsing på bemanning og rekruttering framover. I dag er det for mange elevar som går ut av grunnskulen utan å kunne lese og skrive ordentlig, som droppar ut av skulen før dei har fullført vidaregåande, eller som gruer seg til å gå på skulen på grunn av mobbing. Årsaka er verken dårlege lærarar eller for få skuletimar, men at dårlege lærarar eller for få skuletimar, men at for mange lærarar har for lita tid til kvar enkelt elev. Derfor meiner Kristeleg Folkeparti at lærartettheita må aukast for dei yngste skuleelevane, slik at kvart enkelt barn blir sett, at kunnskapshòl blir fanga opp, og at elevane får utfordringar tilpassa sitt nivå. Me begynte denne satsinga i årets budsjett. No skal me fortsetje i åra som kjem. Det er ei god og riktig investering, for noko av det viktigaste me kan gjere i samfunnet, er nettopp å leggje til rette for at barna våre får ein trygg og god oppvekst. Ein god barndom varer heile livet ut. Skulen har stor betydning for barnas oppvekst og dannar eit viktig grunnlag for framtida. Det er eitt eksempel på viktige gjennomslag

enn me har sett tidlegare. Me greier å busetje fleire flyktningar. Me har fått på plass ein opptrappingsplan mot vald mot barn. Me ser ein rusbehandlingsplan til 2,4 mrd. kr. Familiane har fått valfridom – ei dobla kontantstøtte og satsing på barnehage. Men Kristeleg Folkeparti har større ambisjonar framover. Me ønskjer å gi eit løft for sårbare grupper i vårt samfunn. Det er ein av dei viktigaste visjonane for Kristeleg Folkeparti med vårt arbeid her på huset. Det blir replikkordskifte. En god barndom varer livet ut, og vi skal kjempe for

arbeid er det viktigaste. Men det er òg viktig at me har nokre målretta tiltak som er med på å gjere at me treff bl.a. det enkelte barnet – at ingen barn opplever at dei ikkje kan gå i ein bursdag på grunn av at dei fell utanfor. Der finst det no ein plan som regjeringa har lansert, men den planen må bli følgd opp i Stortinget. I den planen er det heldigvis over 100 tiltak, men det er vår jobb no å prioritere dette med midlar i men det er vår jobb no å prioritere dette med midlar i det budsjettet som no kjem. Budsjettet kommer som kjent på onsdag. De to siste årene har regjeringen vist at de helt klart prioriterer skattekutt for dem som har mest fra før, med tilhørende forslag om at det er familiene der de fattige barna bor, som skal betale for gildet gjennom forslag om kutt i overgangsstønad og barnetillegget til de uføre. Jeg vil rose og takke Kristelig Folkeparti for at de sammen med resten av opposisjonen har klart å hindre disse kuttene i budsjettframleggene, også senest i mai i år, da regjeringen forsøkte seg igjen gjennom lovforslag med usosiale endringer i overgangsstønaden. Onsdag kommer budsjettet. Da får vi se om regjeringen har

I sitt innlegg var representanten Hareide veldig tydelig på betydningen av et godt samarbeid med regjeringspartiene og Venstre. Det er jeg helt enig i er viktig. I samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre ble det inngått avtaler som ga de ulike partiene gjennomslag for noen av deres viktigste saker. De fire partiene møttes til kompromiss som alle kunne stå bak. Kristelig Folkeparti fikk gjennomslag for noen av sine viktigste saker, bl.a. at RLE-faget skulle erstattes av KRLE-faget. En kjernesak for Fremskrittspartiet som vi fikk gjennomslag for, var å redusere forskjellsbehandlingen av gifte og samboende par i forbindelse med grunnpensjon. grunnpensjon. Mitt spørsmål til representanten Hareide er om Kristelig Folkeparti står fast på den inngåtte avtalen om å redusere avkortingen i grunnpensjonen. Det kan eg bekrefte. Kristeleg Folkeparti står fast ved den avtalen som me har inngått. Så har me inngått ein avtale der det er veldig mange saker, og me må sjølvsagt sjå på korleis me dimensjonerer, og korleis me prioriterer dei tiltaka opp mot kvarandre. Men me har inngått ein avtale, og den står me sjølvsagt fast ved. Takk til representanten

Det handlar om alt frå Grunnlova og menneskerettar til nærleiksprinsipp og høve til rehabilitering. Eit kjerneomgrep her er tvang. Bergens Tidende melde nyleg at 174 innsette i norske fengsel skal overførast til Nederland, og av desse blir 72 tvangssende. Vi kan lese i media at minst to innsette prøvde å ta livet sitt fordi dei fekk vite at Er representanten Hareide komfortabel med å sikre fleirtal i Stortinget for denne ordninga, eller vil Kristeleg Folkeparti støtte kravet frå oss i Senterpartiet om at regjeringa må stoppe alle tvangsoverføringar av norske statsborgarar til soning i Nederland? Me har hatt ein ryddig dialog med Justisdepartementet om denne saka. Dette er eit mellombels tiltak. er ikkje noka god og varig løysing å bruke fengselsplassar utanfor Noreg. Derfor har me sagt at me kan vere med på dette, men føresetnaden er at me byggjer fengsel. Det er i gang, og da blir ikkje dette ei varig løysing. Dette er eit mellombels tiltak som me kan akseptere i ein mellombels fase. Så er det heller ikkje enkelt å ikkje få lov til å sone straffa si, å stå i kø for å få gjort det. Det er

til Nederland. Så under dei føresetnadene, og at det ikkje var nokon gode løysingar, meiner me at i den situasjonen me er i, er dette det beste, men det er ei mellombels løysing. Jeg takker Hareide for en god tale. Jeg hørte Hareide nevne opptrappingsplanen for rusfeltet, og jeg er veldig glad for at vi får på plass en slik opptrappingsplan. Representanten Klinge var innom kriminalomsorgen, og det er der jeg vil fortsette. Det er problematisk i Norge. Det tar mye tid, og de får seks ekstra måneder. Men spørsmålet går egentlig på om det ikke er litt lettvint å kjøpe seg fri med de soningsplassene i Nederland, og at vi i forbindelse med opptrappingsplanen burde satse mer på det forebyggende, som jeg vet er viktig for Kristelig Folkeparti. Man har valgt å gå for storstilte investeringer i store fengsler, mens det er mange små fengsler i Norge som ikke får svar på om de får bygge ut. om de får bygge ut. De har et vellykket rehabiliteringsløp som fører mange tilbake til familie og arbeidsliv. Spørsmålet er egentlig om man har satset på feil hest i kriminalomsorgen. Me skal alltid lytte til Venstre – Odd Einar Dørum var ein som verkeleg løfta kriminalomsorga som justisminister – og det gjer eg. Den løysinga som me har kome fram til med å fengselsplassar i Nederland, er ei mellombels løysing, men i den situasjonen me er i i dag, meiner eg likevel det er klokt. Så byggjer me fengsel. Eg har ikkje nøyaktig kjennskap til kva fengsel me byggjer. Det kan godt vere at storleiken kan variere, og at me kan få ulike erfaringar med det. Men det er ut frå eit fagleg tilrådd opplegg at regjeringa og Kristeleg Folkeparti har gått inn for det. Men eg trur alle er einige om at me er nøydde til å investere i fengsel, bl.a. i min eigen heimregion, der eg ser at Haugesund kretsfengsel er altfor gammalt. Så eg trur at det å få bygd nye fengsel vil vere til gode for samfunnet, og det er riktig at det blir altfor gammalt. Så eg trur at det å få bygd nye fengsel vil vere til gode for samfunnet, og det er riktig at det blir prioritert. SV og Kristeleg Folkeparti har lenge vore einige om at asylbarn har blitt behandla på ein uverdig og også skadeleg måte i norsk praksis. Vi har jobba saman og kvar på sitt hald med å få gjort noko med situasjonen. Ein av dei hardaste bataljane i denne salen var i vår, med mistillitsforslaget mot Anders om at dei tvangsreturnerte barnefamiliane skulle få prøve sakene sine på nytt etter det nye regelverket. Så viser Aftenpostens gjennomgang at så langt har UNE behandla 15 saker. Elleve familiar har fått avslag, og fire får kome tilbake. To av fire familiar får ikkje permanent opphald og må opphalde seg på asylmottak på ubestemt tid. Arild Humlen sa bl.a. at behandlinga av sakene var ei støtte til justisministerens uheldige handtering av asylbarnsituasjonen. Kva føler Kristeleg Folkeparti-leiaren? Føler Kristeleg Folkeparti-leiaren at justisministeren har følgt avtalen? Eg vil gjerne gi den takken tilbake til SV. SV har vore ein alliert i desse sakene, og da SV sat i regjering, veit vi at det var eit engasjement som blei følgt opp på ein god måte. Det var eit ekte engasjement. Me veit at den avtalen me inngjekk i vår, som var historisk, om å få prøvd saker på nytt, er noko heilt nytt. Me visste også at det ville vere usikkerheit rundt dette, for det hadde aldri skjedd før. Me valde også å ta med ganske mange, og me visste at hadde me tatt færre med, var det sannsynleg at den delen som fekk bli, ville blitt større. Me valde å ta mange med, og dermed vil nok den delen som får blir gjort ei skikkeleg vurdering, og at ein blir høyrd. Det har me tatt opp med regjeringa. Nokre av tilbakemeldingane og høyringssignal om at det er for få som reelt sett har blitt høyrde, har vore det viktigaste for Kristeleg Folkeparti i denne saka. Replikkordskiftet er omme. Trontalen varslet at spørsmålet om økt arbeidsledighet og behov for omstilling blir viktige temaer i det politiske arbeidet neste år. Arbeid er

I kampen mot økt arbeidsledighet må en også se de mulighetene som ligger i hele dette landet. Noen av de mest slagkraftige næringene ligger langs kysten vår. Gründerskap og teknologiutvikling finnes i hele landet. Dersom en virkelig mener noe med en strategi for bioøkonomi, som regjeringen er inne på, må en også være villig til å satse målrettet på de distriktsnæringene som er nært knyttet opp imot bioøkonomien, enten det gjelder skogbruk, treindustri, landbruk, havbruk eller fiske. Å bidra til en aktiv og målrettet næringspolitikk som utnytter de fortrinnene som en høyt kompetent arbeidskraft og rike naturressurser gir, er selve nøkkelen til omstilling i Norge framover. Senterpartiet vil advare mot en ubalansert omstilling der sentraliseringen skyter fart. Det kan bidra til økt ledighet og til at en unnlater å gripe de mulighetene som ligger i hele dette landet. Trontalen belyste også en av de viktigste utfordringene Europa står overfor – flyktningestrømmen fra Syria og andre land i krig og konflikt. Norge berøres sterkt av det som skjer, i likhet med resten av Europa. Senterpartiet var i sommer opptatt av muligheten for en giverlandskonferanse for flyktningene i nærområdet til Syria. Forholdet til nabolandene er på bristepunktet, og det internasjonale samfunnet må stille opp på en bedre måte enn det en har gjort. Vi er glade for at en slik konferanse vil bli avholdt i januar. Senterpartiet mener at Norge må legge penger på bordet. Et bidrag til hjelp i nærområdet, slik de humanitære organisasjonene har bedt om, er helt nødvendig i det arbeidet som nå koordineres internasjonalt. I tillegg kommer det til å komme langt flere asylsøkere og flyktninger til Norge enn tidligere. De skal ha en ordentlig og skikkelig behandling av det norske samfunnet. Økt tilstrømning av flyktninger og asylsøkere vil stille større krav til mottak og bosetting i Norge. Senterpartiet mener at kommunenes mottak av flyktninger og asylsøkere må fullfinansieres av staten. Dette er en samfunnsoppgave og bør ikke være gjenstand for dragkamp i kommunale budsjetter. Senterpartiet vil i tillegg til det

Både frivillige grupper og organisasjoner kommer til å spille en viktig rolle i integreringsarbeidet i lang tid framover. Senterpartiet vil komme tilbake i sitt alternative budsjett med en konkretisering av hvordan vi ser for oss bruken av midlene. Tilsynelatende nesten uten debatt har det nå i lang tid pågått forhandlinger om bilaterale investeringsavtaler, om en internasjonal handelsavtale om tjenester handelsavtale om tjenester og om en frihandelsavtale mellom USA og EU, den såkalte TTIP-avtalen. Sammen vil disse avtalene kunne endre både offentlig forvaltning, nasjonalt politisk handlingsrom og vårt rettsapparat. Det er nesten utrolig at det ikke har vært mer debatt om disse sakene, men det må det bli i tida framover. Spørsmålet om Norge skal la seg binde av denne typen avtaler, fortjener langt større oppmerksomhet enn det har fått. De bilaterale investeringsavtalene er viktige fordi de har De bilaterale investeringsavtalene er viktige fordi de har i seg en bestemmelse som i realiteten også er en inngangsdør til TTIP, nemlig bestemmelsen om at multinasjonale konsern kan saksøke stater uten å gå via det nasjonale rettsapparatet. Den typen bestemmelser vil flytte makt fra folkevalgte organer over til internasjonale advokater og domstoler. Det vil også kunne ha betydelige konsekvenser for handlingsrommet både stat og kommuner i et land. Nasjonale og lokale myndigheter vil kunne saksøkes av internasjonale selskaper for å utøve legitim politikk. På den måten vil folkestyret effektivt kunne bli begrenset. At Norge skulle bli en del av den typen avtaler, er et tema som fortjener kritisk debatt. Senterpartiet har tatt til orde for åpenhet om de avtalene vi nå ser er under forhandling,

offentlig sektor skulle fornyes gjennom store strukturelle reformer innenfor politi, sykehus og kommuner. Årets trontale er kjemisk fri for ethvert stort ord om fornying av offentlig sektor. En skulle tro at regjeringen har lagt hele dette arbeidet på is. Men jeg tror ingen bør forledes til å tro at det er tilfellet. Valget denne høsten har imidlertid vist at innbyggerne ikke nødvendigvis ønsker av offentlig sektor på den måten regjeringen tenker seg. Bare i én av de fjorten kommunene som har folkeavstemning om kommunesammenslåing, sa innbyggerne ja. Senterpartiet har lenge pekt på at fornying som bare handler om større enheter og sentralisering, betyr en offentlig sektor der avstanden mellom innbyggere og beslutningstakere blir større – mellom pasienter og sykehus, mellom politi og befolkning. Avstanden mellom samfunn og individ øker, og hver av oss får mindre oversikt og mindre mulighet til påvirkning. Regjeringens reformer på dette området dreier seg i realiteten ikke om fornying, men om høyredreining. Med disse strukturreformene får vi sentralisering kamuflert som omstilling. Senterpartiet ønsker å fornye offentlig sektor på en annen måte. I åra framover blir det viktig å sørge for mindre statlig byråkrati, mindre statlig byråkrati, færre måle- og rapporteringskrav, mindre detaljstyring, mindre øremerking og mindre overstyring i form av overivrige direktorater. Politireformen er nå vedtatt i Stortinget, og usikkerheten om hva det vil bety lokalt, øker. Stortingsflertallet har i realiteten gitt fra seg styringen over reformen og latt Politidirektoratet ta hånd om det. Den avpolitiseringen av offentlig sektor som ligger i et slikt vedtak, vedtak, er noe helt nytt. Det åpner for at byråkrater og administrasjon gis en definisjonsmakt og en gjennomføringsmyndighet langt utover det de tidligere har hatt på viktige samfunnsområder. I løpet av vinteren vil en rekke statlige stillinger bli sentralisert gjennom sammenslåing av politidistrikter, og allerede nå ser vi at ressurser som kunne ha vært i bruk til operativ tjeneste, omdirigeres til prosjektstillinger for å gjennomføre reformen. De neste åra skal et sted mellom 100

Sjølsagt mener Senterpartiet at brannvesenet må øve mer og få bedre opplæring. Men vi ønsker å beholde et desentralisert brannvesen som har ansvar og myndighet til å ta raske og nødvendige avgjørelser. Det må ikke bli slik at en lokalt skal bli passivisert fordi en ikke kan gjøre noe uten å konsultere en stab eller et ledernivå mange mil unna. Det lokale lederskapet er i seg sjøl en viktig del av beredskapen. Dagen etter valget, en strategisk valgt dato, kom også beskjeden om at domstolene skal sentraliseres. En kan godt mene at det trengs faglig påfyll for dommere i mindre tingretter, men det er det i 2015 fullt mulig å få til uten å slå sammen domstoler. Det finnes ingen dokumentasjon på at større tingretter løser oppgavene mer effektivt enn små. Mindre domstoler har ikke lengre saksbehandlingstid.

men den er også større enn det. Jeg vil tro at de aller fleste i denne sal som har vært på besøk rundt omkring på vårt kontinent, har sett hvordan EØS-midler bidrar til rehabilitering, til fattigdomsbekjempelse og til støtte til Europas barn som vokser opp i fattigdom. Her vil Senterpartiet kutte. Må man ta fly for å se fattigdom, gjør den ikke så stort inntrykk. Noen familier velger å søke lykken i andre land. Takket være EØS-avtalen er det mulig. Man kan reise, f.eks. til Norge, og få høyere lønn her enn man ville gjort hjemme. Dette reagerer Senterpartiet på, og dette vil Senterpartiet begrense. Kan representanten Arnstad forklare hvorfor man vil begrense Europas familier i å søke lykken i rikere land? Norge er et åpent land. Det har det vært i århundrer. Det kommer det til å fortsette å være. Det synes Senterpartiet er bra. Vi kommer til å ha kontakter internasjonalt, både til Europa og til andre deler av verden. Vi kommer til å være et land som er opptatt av det globale – det kommer vi til å fortsette å være. Men det må også være lov til å problematisere noen av de sidene som er knyttet til både EØS og EU. For å ta arbeidsinnvandring først: Spørsmålet om arbeidsinnvandrere er ikke det som er problemet. Men den måten de utnyttes på, i form av sosial dumping og utleie av arbeidskraft, er et stort problem. problem. Det har eskalert med den arbeidsinnvandringen vi har sett bl.a. fra Øst-Europa i de åra vi har bak oss. Så må jeg si at EØS-midler til fattige er bra, men alle EØS-midlene går ikke til fattige – det vet representanten utmerket godt. De går til kirkeklokker i Polen, til oppussing av plassen foran et rådhus i eller til et underjordisk avfallsanlegg – alt går ikke til de fattige, og det bør vi kanskje ha en kritisk vurdering til. 2,5 mrd. kr – hvis jeg ikke husker feil – var det Senterpartiet ønsket å kutte i EØS-midler, som bl.a. bidrar til å bekjempe fattigdom i Europa. Men EØS-avtalen er også viktig for norske bedrifter, og den kan være viktig i den omstillingen vi nå skal inn i. Den gir norske selskaper adgang til 31 land, 500 millioner mennesker. Norsk næringsliv ønsker felles vilkår som resten av Europa. EØS-avtalen er avgjørende for norske arbeidsplasser, men den er også avgjørende for arbeidsplasser i Norge. Enkelte bedrifter sier at alternativet til arbeidskraft fra EØS er å flagge ut av landet. Da Senterpartiet satt i regjering, implementerte man regelverk fra EØS tregt, motvillig. Dette skapte usikkerhet, uforutsigbarhet. Vi må huske at målet til Senterpartiet er å ikke samarbeide med Europa. Men da må man spørre seg: Hvordan vil norske bedrifter klare seg uten tilgang til et indre marked? Norge har bestandig samarbeidet med Europa. Europa. Senterpartiet synes det er utmerket at Norge samarbeider med Europa og verden rundt seg – også verden utenfor Europa, sjølsagt. Det har Norge bestandig gjort, det kommer vi bestandig til å gjøre. Norsk næringsliv eksporterte faktisk også varer før EØS-avtalen ble inngått, det var faktisk eksport av norske varer da også.

biler. Dette må også gjelde i distriktene og ikke bare i byene og tettstedene. I budsjettet for 2015 ble det derfor foreslått og vedtatt en betydelig avgiftsreduksjon i bilrelaterte avgifter, bl.a. ble engangsavgiften på ladbare hybrider redusert med inntil 50 000 kr, og omregistreringsavgiften ble redusert med gjennomsnittlig 35 pst. Senterpartiet, derimot, gikk i sitt alternativ i helt motsatt retning, og det man foreslo i deres budsjettopplegg, var en betydelig økning både i engangsavgift og i omregistreringsavgift. Da er mitt spørsmål til representanten Arnstad: Ser ikke hun at Senterpartiets opplegg på bilavgiftene ville ramme folk i distriktene spesielt hardt, dvs. de som ikke kan klare å takle hverdagen bare med ren batteribil? Det er to litt ulike ting. Det ene er den omleggingen vi har hatt et bredt flertall bak i Stortinget, som gjelder mer miljøvennlige biler. Jeg tror det to litt ulike ting. Det ene er den omleggingen vi har hatt et bredt flertall bak i Stortinget, som gjelder mer miljøvennlige biler. Jeg tror det har vært mye fornuftig – og brede flertall – bak de endringene som der har skjedd. Så er det slik at vi har hatt vårt eget opplegg som ikke nødvendigvis samsvarer med Fremskrittspartiets opplegg når det gjelder bilavgiftene. Fremskrittspartiet har bestandig veldig mye penger å komme med til skattelettelser og reduksjon i bilavgifter, men den andre sida av den krona er sjølsagt at det går ut over noe. Det går ut over det offentliges muligheter til å bidra, bl.a. til tiltak som angår aktivitet og utvikling i distriktene. I valget mellom lavere bilavgifter og det å kunne satse offensivt på distriktspolitikk gjennom bl.a. å gjenopprette de distriktspolitiske tiltakene som Fremskrittspartiet har vært med på å kutte de to siste årene, ville jeg sjølsagt ha valgt det siste.

Det resonnementet, som også Arnstads partifelle og ordfører i hennes egen kommune, Ivar Vigdenes, er tydelig på at han er enig i, er at det er behov for en overordnet reform. Erkjenner ikke Arnstad at det er et krevende spor som Senterpartiet nå legger opp til, når en velger å være imot alt? For jeg har ikke fått med meg at det er én reform som Senterpartiet er enig i. i. Jeg ser selvfølgelig at det er utfordringer, at en kan si at det kan tilføres mer og bedre rammevilkår. Det er vi også enig i. Men kan representanten Arnstad nevne én reform som Senterpartiet er enig i? Først må jeg få lov til å si at det sjølsagt er litt ulike meninger i alle parti. Representanten nevnte Vigdenes i vårt parti. Jeg kan peke på Venstre i Leksvik, som jo gikk imot kommunesammenslåing av Rissa og Leksvik før valget og prøvde å hanke inn velgere på det. Senterpartiet er imot reformer som er kamuflert sentralisering, og kommunereform og politireform, slik som det nå framstår, er rett og slett kamuflert sentralisering. Det kommer til å føre til en gedigen sentralisering av en rekke tjenester. Vi er ikke prinsipielt imot kommunesammenslåing, men vi har tre klare betingelser knyttet til det, og det er frivillighet, folkeavstemning, og at folk holder seg til fakta, nemlig de fakta som tilsier at også små kommuner gir gode tjenester. De er faktisk noen av de beste til å gi de gode, breie, velferdstjenestene som en har i kommunene: eldreomsorg, barnehage og skole. Eg vil takka representanten Arnstad for eit godt og solidarisk innlegg. I dag sit over 5 000 menneske med godkjent opphald i mottak og ventar – menneske som ikkje får brukt ressursane sine til beste for norske lokalsamfunn, 5 000 ufrie folk som ikkje kjem vidare, men som har sett sitt liv på vent. I dag har SV fremja forslag til eit nytt system for busetjing av flyktningar, som tek utgangspunkt i eit raud-grønt forslag frå 2011 Busetjing er jo ei jamleg oppgåve for norske kommunar. Ser representanten Arnstad at raskare busetjing og ikkje minst arbeidsintegrering kan vera ein vinn-vinn-situasjon i mange fråflyttingskommunar? Og har ho von om at Senterpartiet, som er ordførarpartiet framfor nokon, kan sikra folk retten til å bu? Senterpartiet er veldig opptatt av hvordan en på en bedre og raskere måte kan integrere flyktninger og asylsøkere i Norge. Folk blir sittende for lenge i asylmottak og tvinne tommeltotter, når vi faktisk kunne hatt bruk for dem i arbeidslivet vårt, og når vi også kunne ha gitt dem mulighet til å kunne ta både videre- og etterutdanning og ny utdanning. Folk må ut av asylmottakene; de må ut i lokalsamfunnene og inn i meningsfylte gjøremål. Men vi kan jo ha litt ulike løsninger på hvordan det kan skje, og i motsetning til representanten tror ikke Senterpartiet på SVs forslag om tvang overfor kommunene. Vårt alternativ er at man heller vedtar den integreringsmilliarden som vi har tatt til orde for i dag, og at man på den måten får etablert noen ordninger som raskt kan få folk ut i arbeid og utdanning. Jeg tror ikke norske kommuner egentlig er motvillige, men de er usikre både på det økonomiske, særlig når det er små kommuner, og på om de får nok

effektivitet og størrelse. Landbruket i Norge er avhengig av at vi rendyrker andre kvaliteter, ikke minst befolkningens tillit til og respekt for norsk mat, og at vi kan forsvare miljøkonsekvenser av landbruket og et godt og etisk dyrehold. Så mitt spørsmål er: Vil Senterpartiet støtte krav som er skjerpet til miljønivå og til dyreetikk i norsk landbruk? Det er det jo litt vanskelig å svare på uten å se hvilke konkrete forslag det faktisk gjelder. Senterpartiet er opptatt av både dyreetikken og miljøsidene av norsk landbruk, og vi mener jo også at norsk landbruk, sammenliknet med landbruket i de fleste land rundt oss, har hatt stort fokus på det. Det har vært et stort fokus både på dyrevelferden og på miljøsidene. Så har representanten Hansson sjølsagt helt rett i at det er viktige sider knyttet til norsk landbrukspolitikk som vi i fellesskap må stå sammen om. Det gjelder tollvernet, som representanten Hansson så vidt var inne på, og det gjelder også jordvernet, at matjorda ikke blir bygd ned og brukt til andre formål enn til å produsere mat. Men vi er åpne for å drøfte spørsmål som angår både dyrevelferd og miljøkrav,

På samme tid ser vi at vi har en mer og mer uforutsigbar nabo i Russland, og vi ser en terror som daglig treffer mange borgere i mange land. Vi ser et Midtøsten som er i stadig mer ubalanse, og at Syria blir mer og mer krevende i regionen, men også for oss. Før het det – fra denne talerstol – at Norge er et lite land i verden. verden. NUPI-direktør Sverdrup ramset opp noen tall som setter dette litt i perspektiv, om at ting kanskje har endret seg. Det er klart at i folketall er Norge stat nummer 118 i verden, i areal er vi nummer 68, militært er vi nummer 27, når det gjelder økonomi i verden, er vi nummer 24, innen bistand er vi nummer 9 i verden, gjelder FN-bidrag, er vi nummer 7 i verden, innen oljeeksport er vi nummer 5 i verden, innen gasseksport er vi nummer 2 i verden, og som enkeltaksjonær er denne salen nummer 1. Det betyr at Norge ikke lenger er et lite land i verden – det er et land som har mye innflytelse, når vi er villig til å bruke den. Det er derfor vedtak om å trekke oljefondet ut av kull er så viktig og så avgjørende for utviklinga i hele verden. Men det handler også om at vi ikke skal snakke om at Norge bare er et lite land i verden, vi må bruke den makta vi har internasjonalt, til å påvirke verden i den retninga vi ønsker at den skal utvikle seg. Den situasjonen vi har sett nå, med flyktningkatastrofen som utspiller seg rundt Middelhavet, viser at den misforståelsen som har vært i dette land om at det bare er signalene fra denne sal og fra regjeringa som avgjør hvor mange flyktninger som kommer, og at det er helt frikoblet fra enhver internasjonal handling, nå har blitt bevist til fulle å være feil. Vi har aldri tatt imot så mange asylanter som nå, vi har aldri tatt imot så mange kvoteflyktninger som og vi har aldri hatt en utfordring for Europa som det vi har nå. Det er ikke fordi Venstre har fått liberalisert asylreglene for asylbarn, men fordi vi står overfor en kjempestor internasjonal utfordring, med kjernen i en krig i Midtøsten. Vi må takle flyktningkrisa her i landet med en god integreringspolitikk der vi får folk fort i jobb, der folk fort får bli en del av det norske samfunnet, og vi må ha en aktiv utenrikspolitikk – der vi også samarbeider med andre land – som sørger for at vi får løst de store utfordringene som vi står overfor. Den andre store utfordringa vi står overfor som nasjon og som verdenssamfunn, er klimautfordringa. Det vil kreve enorme omstillinger i et land som Norge, jf. de tallene som jeg nevnte om oljeeksport og gasseksport og Norges rolle i det. Vi må legge om det norske næringslivet. Det er ikke sånn som det av og til virker i valgkampen, at man bare kan vedta et år da det er slutt – eller som det kunne virke i science fiction-serien på TV2 i går, at man hadde vedtatt et tidspunkt. Det er ikke det tidspunktet som vedtas, som er interessant. Det interessante er når vi har klart å skape alternativet, for oljealderen er ferdig når alternativet er der, og det alternativet må vi hver eneste dag jobbe med å utvikle. Dess fortere vi klarer å skape de arbeidsplassene, dess fortere vil vi klare å skape den nye energien. Dess fortere vi klarer å skape de arbeidsplassene som kan konvertere vår oljeindustri til mer langsiktige arbeidsplasser, dess fortere er oljealderen over. over. Da skal vi skape alternative bedrifter og også alternativ energi. Vi har mange næringer i Norge som vi kan satse på for å skape både arbeidsplasser, velferd og vekst framover. Det ene er energifeltet, der vi helt soleklart har både kompetanse og naturressurser som gir muligheter for å skape videre framover. Det andre er maritim sektor – som alltid har vært en av nøkkelnæringene i norsk næringsliv – som har et stort vekstpotensial, og som også må ha det framover, men da må vi tørre å satse på de omstillingene som trengs også i den sektoren. Så til produksjon av biomasse i dette landet. I dag har vi en tømmerindustri som eksporterer råvarer til utlandet, og vi ser at veldig mange av de produktene som tradisjonelt har kunnet bli laget av olje, nå kan lages av biomasse. Det å få til denne omstillinga krever både kreativitet og oppfinnsomhet av norske politikere. Det krever at vi legger til rette for den omstillinga i næringslivet, men det krever også at vi pusher de løsningene som vi vet trengs for å få til den omstillinga. Derfor har Venstre f.eks. lagt fram et forslag, som behandles her i Stortinget, om å få til enøktiltak på sokkelen. Det handler om å kutte utslipp, men det handler også om å presse fram ny teknologi som kan være med og være skifter, også innenfor de næringene som vi har der tradisjonelt i dag. For å si det slik: Det er noen ting vi vet ikke hjelper akkurat nå, det er mer skatt, usikkerhet om EØS og en mer stivbeint arbeidsmiljølov. Det er ikke løsninger norsk næringsliv trenger akkurat nå. Vi vil være med på å bekjempe alle forskjellene som vokser i et samfunn. Vi har gjort det når vi nå i høst innfører gratis kjernetid i barnehager, innfører billigere barnehage for alle lavinntektsfamilier – alle de forslagene som vi har fremmet før om årene, ser vi nå at vi sakte, men sikkert får lov til å innføre. Er det noe som er med på å utligne forskjeller, er det en god start for alle barn, en lik start for alle barn, og da er barnehager en av nøklene. Den tredje store utfordringa vi sammen står overfor, er kunnskapsløftet som vi trenger å bringe dette landet gjennom for å klare de omstillingene som vi trenger. Da er skolen nøkkelen til det. Jeg er glad for at regjeringa i trontalen sa at langtidsplanen for forskning nå skal føres videre, men jeg syns ikke det var veldig mye nytt der når det gjelder tankegang om hvordan vi skal utvikle skolene våre framover. Vi trenger å fortsette med kompetanseløft for lærere, vi trenger å satse på det vi vet faktisk fungerer for å gjøre skolene våre bedre, vi trenger å bruke forskning som grunnlag for de politiske grepene som trengs innenfor skolen, og ikke la kjepphester knyttet til ideologi

Venstre kommer til å legge fram et forslag om lobbyregister – for n-te gang – i denne trontaledebatten. Jeg håper det får en positiv behandling, spesielt sett i lys av de debattene vi har hatt i det siste. Jeg vet jo at dette kommer til å komme, så kan man ikke bare innføre det istedenfor å stritte imot? Vi ønsker å lage et system, slik at man kan ha høy tillit til norske politikere. Åpenhet er alltid med på å øke tilliten til de politiske prosessene, og et lobbyregister hadde vært et viktig og stort skritt i den retning. Ellers kommer Venstre også til, som vi alltid har gjort før, å løfte personvernet i denne høstsesjonen. Vi hadde en stor debatt i sommer knyttet til unger og personvern, der vi har sett at grensene for når det er greit å overvåke norske borgere, sjøl om de er i ens egen familie, flyttet, skritt for skritt. Vi tror at ungene kanskje hadde hatt rett på sin egen personvernkonvensjon for å sjekke hvor grensene skal gå, og for få til en offentlig debatt om hvor grensene skal være, for hva som er ungers rett til også å vite, når de voksne faktisk vet. Vi må også bekjempe den stadig voksende kameraovervåkinga. Vi ser at sikkerhetslovene og utviklinga av Europas sikkerhetslover setter nye krav til oss om å gå gjennom hvordan prinsippene om overvåking av borgere fra statens side skal være, og hvor grensa mellom det man skal overvåke for å oppnå sikkerhet og det man skal la være å overvåke fordi hver enkelt borger

eller Bergen, Hordaland og Rogaland. Folk ser en regjering som er passiv i innsatsen mot en tjueårsrekord i arbeidsløshet, som gjør at kommuner kutter i skoler og eldreomsorg, og som også har en finansminister som sier at vi skal pumpe opp hver eneste dråpe olje, eller en nestleder som uttaler seg om innvandringspolitikk på en måte som må stå Venstre veldig fjernt. Hvorfor tviholder Venstre fortsatt på landsplan med en regjering med Høyre og Fremskrittspartiet? Fins det noe annet liberalt parti i hele Europa som har satt et parti som Fremskrittspartiet inn i regjering? Venstre kommer alltid til å bruke Vi kommer alltid til å bruke vippemakta vår for bl.a. å få en mer liberal flyktning- og asylpolitikk, som vi har fått i Norge. Som jeg sa: Det er så langt 318 flere asylbarn som får bli i Norge enn da partiet til Giske styrte. Sammen med Fremskrittspartiet doblet vi nå har vi økt det til 8 000. Vi har en mer liberal flyktning- og asylpolitikk i samarbeid med Fremskrittspartiet enn hva Arbeiderpartiet sto for da de styrte, også med de flyktningkatastrofene som vi ser akkurat nå. Det er et ugjendrivelig faktum. For oss er det politikk som bærer samarbeid. For oss er det hva man får til, som bærer samarbeid. Jeg har veldig stor tillit til mine lokale, at de prøver å kjempe for miljø, klima og en god skole i alle de lokale forhandlingene de har. Nå er de ikke klar i Bergen, men jeg er helt sikker på at det går bra hvis Arbeiderpartiet gir seg og gir oss det kollektivløftet som man faktisk trenger for å få bylufta i Bergen bedre. For oss er det politikk som bærer, og for oss er det politikk som er viktig.

forutsigbarhet og støtte på statsbudsjettet gjennom at knutepunktordningen nå skal legges ned. Venstre pleier å kalle seg et kulturparti. Hva synes representanten Skei Grande om at kultursektoren konsekvent taper for alle andre budsjettområder under denne representanten Skei Grande om at kultursektoren konsekvent taper for alle andre budsjettområder under denne regjeringen? Jeg er ikke verdens beste til å huske tall, men jeg syns å huske at kulturministeren hadde en ganske stor prosentvis økning i sitt budsjett i forrige runde, men det er helt riktig at det ble enda bedre etter at det var forhandlet med Venstre, og det står nok enda høyere på vår dagsorden. Derfor har vi prioritert det inn i forhandlingene. Derfor har vi klart å få de påplussingene vi trenger.

andre syn som vi håper at vi sammen med andre får flertall for i denne salen. Jeg skjønner at Arbeiderpartiet prøver å klamre seg til en spaserstokk der pengene ble overført til en annen pott. Jeg syns ikke det er noe grunnlag for å si at det er noen andre massive kutt. Den spaserstokken har Venstre vært kritisk til siden den ble opprettet, men vi fikk puttet den på plass igjen på grunn av bråket. Jeg vil også innom kulturfeltet. Jeg vet jo at Venstre og Trine Skei Grande er

landet. De siste dagene har det nettopp vært diskutert i media dette med knutepunktfestivalene, hvordan de fordeles. Jeg har inntrykk av at det er et krav fra Festival-Norge at vi har en gjennomgang og ser på ordningen, og at det blir mer likt fordelt. Vi vet at det er 16 knutepunktfestivaler som får 99 mill. kr, og vi vet at 100 andre lokale festivaler får kun Vil Venstre være med på en gjennomgang? Ser Venstre at det er behov for en gjennomgang? Ser Venstre at det er en urettferdig ordning? Vi vet jo at jazzfestivalen i Molde får 12 mill. kr, og Kongsberg Jazzfestival får 2,5 mill. kr. Ser Venstre skjevfordelingen her? Knutepunktordninga ble laget i en annen tid, den er 20 år gammel. Den ble laget da Festival-Norge så helt annerledes ut. Innenfor de ulike musikkgenrene ser man også at knutepunktfestivalene spiller veldig ulik rolle. Det er stor forskjell. Jazzfestivalen i Molde har en hel underskog av jazzfestivaler i Norge, som man må vurdere hvordan man skal gi best støtte til, faglig godt, mens f.eks. Øyafestivalen får støtte til å drive journalistisk arbeid, altså få internasjonale journalister inn for å møte det norske musikkfeltet, som er en ganske annerledes støtte enn mange av de andre får. Det som er viktig for meg, er at festivalene vet hvilke spilleregler som gjelder, vet hva det er som teller når man skal få støtte, og at vi, når vi skal evaluere ordningene, har en viss forutsigbarhet, sånn at vi kan beholde profesjonaliteten i norske festivaler. Men ordninga bør evalueres, den bør endres, og den bør henge sammen med hvordan tida er akkurat nå, for den er gammeldags og utdatert sånn som den er nå. Venstre vil prioritere å gjøre statsbudsjettet grønnere, forstår jeg på uttalelsene fra Venstres talsperson i forkant av framleggelsen. Det er

noe som vil gi økt energibruk, økt biltrafikk og sterkt økte klimautslipp. Vestlandsforskning har nylig utredet mulige miljøkonsekvenser av søndagsåpne butikker, og viser at det blir økte klimautslipp som følge av kundetransport dersom det åpnes for søndagsåpent nasjonalt, og enda sterkere økning med Venstres kommunale løsning.

Men vi har fått til gode seire, begge to. En av dem er å stoppe oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. En ny utfordring vi står foran nå, og som ikke avgjøres i Stortinget, er gruvedeponi i Førdefjorden. Der må det forhandlinger til for å stoppe regjeringens utslippstillatelse. Mitt spørsmål til representanten Skei Grande er: Vil Venstre, for å være med og samarbeide om statsbudsjett i høst, kreve at det blir en stopp for planene om deponi i Førdefjorden? Jeg takker for

Jeg kommer til å bruke hver trevl i kroppen min for å få stoppet dette. Jeg kommer til å bruke all kreativiteten jeg har for å få stoppet dette. Dette er forhistorisk, det er laget for en helt annen tid, vi kan ikke stå for den type argumentasjon og løsninger. Men hvis representanten Serigstad Valen hadde fulgt med litt, ville han visst at jeg aldri noen gang i hele mitt liv har sagt: «Hvis ikke …, så kommer jeg til jeg til …» Jeg har oppnådd veldig mye mer gjennom aldri å stille noen garantier i forhandlingene. Men jeg kan bekrefte at dette både har blitt tatt opp og kommer til å bli tatt opp. Representanten

for andre. Det er også utenkelig at jorda kan tåle et sånt forbruk over lang tid. Det er to måter å gjøre noe med det på. Det ene er å håpe at kjøpekraften går ned av seg selv, og at man får en såkalt positiv miljøkonsekvens av det, sammen med alle de andre, forsøke å gjøre noe konkret med det. Miljøpartiet De Grønne har som kjent lagt fram et forslag som skal behandles i energi- og miljøkomiteen, om konkrete tiltak for å redusere det materielle forbruket i Norge. Er Venstre, som tidligere har vært opptatt av forbruksproblemet, villig til å støtte arbeidet med

Derfor har vi tro på det å bruke nye teknologier og nye muligheter og det å avgiftsbelegge det miljøfiendtlige forbruket for så å senke avgiftene på det forbruket som ikke tapper jorda for ressurser. Sånn gjør vi det mulig for folk å ta de grønne valgene. Sånn gjør vi det mulig for folk faktisk å gjøre forbruket vårt mye grønnere. Det handler om å bruke ressursene på riktig måte, sette dem i riktig resirkulering.

en liten gruppe frivillige mennesker som har fått oppgaven å ta imot flyktningene som setter sin fot på europeisk jord for første gang. Et par av de frivillige sto med kikkert på pynten av en klippe og så etter båter, andre kom ut på strendene og møtte dem som var så heldige å komme i land. Jeg trodde på det tidspunktet at flyktningkrisens omfang skulle gjøre at vi fikk se en langt sterkere reaksjon fra myndigheter over hele Europa, men det vi har sett de siste ukene, er at også når noen av disse flyktningene har kommet til Norge, til Oslo, til Tøyen, så er det frivillige mennesker som har tatt imot dem, fordi responsen og engasjementet til vår regjering og våre myndigheter har vært altfor tafatt og ubesluttsomt. Det er bra at det nå skal bygges et nytt mottakssenter i Østfold. Det er likevel nødvendig i denne debatten å påpeke hvordan regjeringen har latt være å handle i tide i møte med den økende flyktningstrømmen over grensen til Norge. Kommuner har rapportert om at det ble tomt for midler til boliger og aktiviteter. Mottakskapasiteten ble bygget ned i fjor, til tross for at mange advarte om at antallet flyktninger kunne øke. Regjeringen har ikke rustet Norge for den situasjonen vi nå står i. Én ting er at Norge ikke var rustet på forhånd, verre er det at Norge ikke har blitt rustet tilstrekkelig etter at det ble klart hvor mange flyktninger som kommer. Det gjenspeiles også i feil prioriteringer, sånn som når de tillitsvalgte i Politiets utlendingsenhet feller en hard dom over justisministeren i Klassekampen før helgen for fortsatt å tviholde på en prioritering av utsendelser i en situasjon der ressursene burde vært brukt til å ta imot folk på en god nok måte. Vi vil i dag etterlyse mer lederskap i Norge og norske bidrag til dem som viser lederskap i Europa. Regjeringen burde gjort som Tyskland og dels Sverige gjør. Regjeringen burde tatt en aktiv rolle i arbeidet med å få på plass et europeisk avtaleverk og sagt tydeligere og tidligere at Norge vil ta ansvar innenfor det. Regjeringen burde gjort som Tyskland gjør, stanse bruken av Dublin-returer overfor syriske flyktninger og overfor flyktninger som kommer fra de landene som nå bærer den største byrden i Europa, land som Italia og Ungarn. Regjeringen har imidlertid ikke villet stanset Dublin-returene. Den var i vår mest opptatt av å forhandle antallet syriaflyktninger mest mulig ned, og halve regjeringen brukte valgkampen til å be kommunene om å la være å bosette flyktninger. Jeg synes det er naturlig at finansministeren kommer til Stortinget for å svare på det spørsmålet som representanten Jonas Gahr Støre stilte tidligere i denne debatten. Det tror jeg er en forventning fra en samlet opposisjon i denne trontaledebatten. Vi står midt i den største flyktningkatastrofen siden annen verdenskrig. Det er en desperat situasjon. Kapasiteten i nabolandene er sprengt, og da er det ikke bare uunngåelig, men rett og rimelig at Europa tar sin del av ansvaret. Det handler om å hjelpe mer i nærområdene, men det handler også om å ta imot flyktninger. Da må vi tenke nytt om hvordan. Det vil måtte komme en debatt om Dublin-avtalen, som ikke fungerer godt nok, men det at en sånn debatt er i vente, er ikke til hinder for at Norge selv kan ta et solidarisk steg. Vi kan gjøre som tyskerne har gjort, og derfor fremmer SV det forslaget i denne sal i dag. Vi må tenke nytt om integrering når så mange mennesker kommer til Norge og ber om vår hjelp. Vi kan lykkes bedre både når det gjelder å få folk i jobb, og når det gjelder tidlig tilgang på god språkopplæring, og en av nøklene til det er en mer effektiv bosetting. bosetting. Derfor fremmer SV i dag forslag om et mer effektivt bosettingssystem. Det er nye ideer og bedre løsninger, og det er synd at det er så få av dem fra denne regjeringen. Solidariteten er sterk blant folk i Norge nå. Vi har et folk som vil så mye, men en regjering som vil så lite. Trontalen bar bud om at den blå politikken for Norge og regjeringens plan for omstilling fortsatt er økte forskjeller, mer sentralisering og en forestilling om at Norge vil kunne lene seg på fossil energi i altfor lang tid framover. Store forskjeller er gift for et samfunn, og derfor er det helt sentrale for SVs politikk å redusere den økonomiske og sosiale ulikheten i det norske samfunnet. Målet for skattepolitikken, fordelingspolitikken og velferdspolitikken må være at arbeid skal lønne seg, men i dag brukes altfor mye penger på å få arv og det å sitte på store formuer til å lønne seg i stedet. Mens arbeidsfolk har fått smuler i skatteletter, mens de som har aller minst i samfunnet, har opplevd kutt i barnetillegget til uføre og en reell nedgang i kjøpekraften for pensjonister i år,

ungdomsarbeidsløse, som vi ser det blir flere av i det norske samfunnet akkurat nå. Vi mener at alle ungdommer under 25 år må ha krav på arbeid, utdanning eller relevante tiltak innen tre måneder. Vi mener kampen for hele og faste stillinger er avgjørende for sosial utjevning i Norge, og at den nye arbeidsmiljøloven trekker i helt feil retning.

dag. Heldagsskolen er også et prosjekt for å redusere den store sosiale ulikheten i helse som vi i dag ser blant barn og resten av befolkningen i Norge. Representanten Helleland sa i sitt innlegg at det grønne skiftet er i gang, og vi hører stadig oftere at det blir sagt. Det har vært et retorisk skifte i Norge. Det triste er at det politiske skiftet ikke har kommet like langt. De største investeringene går i altfor stor grad fortsatt til å forlenge oljealderen, mens det vi burde gjøre, er å investere langt kraftigere i de arbeidsplassene vi skal leve av på lang sikt. Et skifte kan ikke bare innebære et håp om å gjøre mer av noe nytt, det må nødvendigvis også innebære å gjøre mindre av noe gammelt. gammelt. Den nedgangen som Norge opplever nå, er et kraftig varsko om at hvis vi ikke raskere reduserer vår oljeavhengighet, så vil resultatet bli industridød og arbeidsløshet i framtiden. Det er altså ikke en ansvarlig klimapolitikk med vekt på fornybare næringer som er dårlig næringspolitikk, men en uansvarlig klimapolitikk der vi tror vi kan lene oss på oljen for lenge. Derfor vil SV i denne sesjonen etterlyse modigere skritt i nærings- og miljøpolitikken: en ordentlig nasjonal satsing på elferger, som både kan gi verftsindustrien oppdrag og skape et nytt grønt marked for Norge, demonstrasjonsanlegg for havvind og nye utslippsmål for biler. Vi mener det er et naturlig mål at i 2020 så skal ni av ti nye biler som selges i Norge, være nullutslippsbiler. Økte forskjeller, passivitet i møte med flyktningkrisen og vanetenkning i møte med klimakrisen gjør Norge til et kaldere samfunn. SVs prosjekt og det som vil gjennomsyre all den politikk og alle de forslag vi vil fremme i denne sesjonen, er det motsatte, det er å ta et solidaritetsvalg og ta kampen for et varmt samfunn. Med det vil jeg også ta opp de to forslagene fra SV som er omdelt i salen. Representanten Audun Lysbakken har tatt opp de forslagene han selv har referert

Hvis SV sier nei til å bygge ut et svært lønnsomt felt som i tillegg blir elektrifisert, som Sverdrup, finnes det overhodet funn på norsk sokkel SV vil støtte utbyggingen av? Sannsynligvis ikke. SV og Miljøpartiet De Grønne deler altså en politikk som sier nei til alle nye utbygginger på norsk sokkel.

det regjeringsalternativet som gjør at Høyre og Fremskrittspartiet forlater regjeringskontorene på det absolutt tidligste tidspunkt, og det kommer vi til å jobbe med energi og entusiasme for å få til. Så har jeg merket meg at Høyre har snakket mye om at SV stemte imot Johan Sverdrup. Jeg har også merket meg at det området der SV kanskje gikk tydeligst fram ved valget i høst, var langs vestlandskysten, der denne retorikken sto sterkest – i Bergen, på Stord, i Haugesund, i Stavanger, i Egersund. Det er fordi mange av oss som er fra Vestlandet, ser at nettopp vår region er den aller mest sårbare hvis vi feilinvesterer for framtiden. Det som er vår frykt med Johan Sverdrup, er at det låser så stor innsats i fossil energi i en tid da det er veldig usikkert hvor lenge vårt land vil kunne nyte godt av den typen investeringer, at vi heller burde investere mer framtidsrettet.

Betyr dette nå at SV her varsler en strammere oljepolitikk som ligner mer på og legger seg tettere opp til Miljøpartiet De Grønnes oljepolitikk, med en aktiv nedleggelse av industrien, en utfasing, innen 20 år? Er det noe SV kommer til å stille seg bak fremover? Norge kommer til å være en oljenasjon i lang tid ennå. Faren er jo at hvis det politiske flertall i Norge er for opptatt av å investere for mye i olje, så kommer det til å være dårlig næringspolitikk over tid. Vi kommer til å miste de arbeidsplassene og den industrien som kan omstille seg, hvis vi ikke legger for mange av de beste hodene og for mye av de store pengene og den politiske energien inn i å forlenge oljeeventyret lengst mulig. Det SV gjør nå, er en forlengelse av den historiske linjen SV har stått for ved å ha vært positive til utviklingen av en oljeindustri i Norge, men i flere tiår gått inn for et lavere tempo. Hadde vi hatt et lavere tempo, ville vi også stått bedre rustet til å møte den situasjonen Norge er i i dag. Så det er en tradisjon jeg er stolt av. SV har vært for utviklingen av norsk oljeindustri, men imot å gjøre Norge så ensidig avhengig av oljen som vi har blitt, og nå ser vi de negative konsekvensene av den

Så registrerer jeg at representanten Lysbakken er veldig opptatt av å framstille seg selv og SV som det partiet som er snillest i klassen – dumsnilt, vil noen kanskje hevde. Men dette handler selvfølgelig om hvor mange man skal ta imot. SV er imot, tydeligvis, at man skal sende ut dem med ulovlig opphold – jeg er glad for at det er et bredt stortingsflertall som er for å sende ut dem som ikke har lovlig opphold i Norge. Men spørsmålet blir egentlig: Hvor mange mener SV man skal ta imot? man skal ta imot? Man var ikke enig i forliket på 8 000, man ville ta imot langt flere, og nå snakker man omtrent som om man vil åpne grensene. Hvor mange titalls tusen i året synes SV det er naturlig at Norge tar imot? Jeg kan ikke annet enn glede meg over at representanten er så positiv til at en av de tingene han nå får bidra med overfor sine egne velgere i Østfold, er et nytt flyktningmottak. Det gleder meg. Og hvis vi kan få til en bred enighet om at det er viktig og riktig, er ingenting bedre enn det. Det er også slik at verken representanten Leirstein eller jeg kan slå fast noe antall for hvor mange flyktninger Norge skal ta imot.

hvor stort behov Europa vil ha for å fordele flyktningene. Representanten Lysbakken brukte et retorisk poeng ved å gjenta flere setninger om at «regjeringen burde» innen asyl- og innvandringspolitikken. i Kristelig Folkeparti kan langt på vei være enig i de synspunktene, at vi må arbeide for en verdig og god asyl- og innvandringspolitikk. Men faktum er at bosettingen har økt betydelig de siste par årene i forhold til det vi opplevde da vi overtok i 2013 med 5 000 sittende på asylmottak. I tillegg har vi lagt inn i samarbeidsavtalen og begynt arbeidet med å utvikle en ny mottaks- og integreringsmodell.

Vi mener at bosetting må være en grunnleggende oppgave for kommunene. Det er ingen som roper om tvang når en snakker om at kommunene skal sørge for en god eldreomsorg, f.eks. Vi trenger et mer effektivt bosettingssystem hvis vi skal kunne bosette de mange flyktningene som kommer til Norge nå, og få integreringen i gang på en bedre måte. Det var et forslag som ble sendt ut på høring fra den rød-grønne regjeringen i den tiden jeg var inkluderingsminister, som det ikke var mulig å samle støtte til da, og som vi fremmer på nytt nå fordi vi mener årene som har gått, har vist at det vil være en fornuftig endring. Representanten sa at Norge ikke er rustet til å takle mottak av de mange flyktningene som kommer. Ja, jeg er enig, men etter å ha vært på Lésvos og sett og hørt og lært hva vi står overfor, er jeg rimelig ydmyk. Det har ikke vært mulig å være rustet på forhånd til det som vi nå opplever. Jeg var sjøl på Politiets utlendingsenhet på Tøyen 22. september og så det. Jeg ga mine råd, men det som er kjernen nå, er at vi må etablere en felles virkelighetsforståelse om hva vi står overfor, snarest mulig. mulig. Etter min vurdering må den baseres på varme og fasthet – varme og fasthet. Mange tusen trenger opphold, midlertidig eller fast, i Norge. Hus som ikke er i bruk, som er vinterisolert, som har strøm, som har vann, og som har vedovn, kan brukes. Et praktisk spørsmål: Er det en standard som SV kan gå god for?

men Noreg har allereie kortare arbeidstid enn nesten alle andre land. Statistisk sentralbyrå anslår at innføring av sekstimarsdag vil redusere verdiskapinga og dermed velferda betydeleg. Det anslåtte budsjettunderskotet i 2060 vil i beste fall gå frå 2,5 pst. til 11,2 pst. Vi får ein enorm mangel på arbeidskraft, ikkje minst i pleie- og omsorgssektoren. På kva måte meiner representanten Lysbakken at sekstimarsdag er eit godt svar på den enorme utfordringa som Noreg står overfor? Den største utfordringen Norge står overfor, er en fordelingsutfordring. De framskrivingene vi har, viser at Norge fortsatt skal bli et veldig mye rikere land, vi skal forbruke stadig mer. Da er spørsmålet: Hvordan skal det skje? Skal det skje på en sosialt og miljømessig bærekraftig måte, eller skal det skje på en sosialt urettferdig og miljømessig ikke bærekraftig måte? Vår idé om kortere arbeidstid springer ikke minst ut av virkeligheten til mange kvinner i de delene av arbeidslivet der det fortsatt er tunge, fysisk krevende jobber som mange blir syke av, som mange forsvinner ut av arbeidslivet altfor tidlig på grunn av, og der kortere arbeidstid vil kunne være et alternativ som gir folk bedre liv å leve her og nå og en mulighet til å stå i arbeid livet ut. Det århundret vi har bak oss, viser at kortere arbeidstid var mulig – arbeidstiden har blitt redusert igjen og igjen etter hvert som produktiviteten har økt. Hvis produktiviteten øker i dette århundret, vil også kortere arbeidstid være mulig. Replikkordskiftet er omme. Alle talere i denne debatten har påpekt at Norge er på vei mot store endringer. Dette er endringer som ikke blir billige, og

minner oss om konsekvensen av ikke å være forberedt. På hver sin måte varsler dette noe av det Norge står overfor – en langvarig, ustabil situasjon langs deler av Europas grenser med direkte konsekvenser for utenrikspolitikk, kommuner og familier i Norge, og en ny situasjon der Norges største eksportvare presses fra tre kanter: overproduksjon og prisfall som rammer de dyreste produsentene først klimapolitiske tiltak i mange land som presser fossil energi fornybar energi som blir stadig mer konkurransedyktig Det holder ikke å møte slike utfordringer med justeringer av gårsdagens politikk. Årets trontale går lenger enn fjorårets i å erkjenne at endringer kommer. Miljøpartiet De Grønne hilser velkommen at regjeringen varsler tiltak som kan starte utvikling av bærekraftige løsninger i næringsliv, utdanning og samferdsel. Men det krever mål som står i forhold til utfordringene, det krever vilje til å prioritere, og det krever vilje til forpliktelse. Norsk politikk de siste tiårene er dessverre full av politikk som er blitt til ingenting fordi målene har vært for vage, og fordi forpliktelsene har vært for svake. Vi hilser velkommen at regjeringen i trontalen varsler en strategi for en bioøkonomi – de virkelig grønne næringene. Bioøkonomien må bli en stor del av framtidas norske næringsliv, og De Grønne har allerede tatt til orde for å opprette et Bionova, et Enova for bionæringene, som vi håper at regjeringen vil iverksette raskt. Vi hilser også velkommen en satsing på fagskole for å bedre elevers muligheter i et arbeidsliv som er for trangt for mange, og med en skole som produserer så skremmende stort frafall i dag, så skremmende stort frafall i dag, får vi en dårlig sosialpolitikk og en dårlig samfunnsøkonomi. Vi trenger skoler som gir mer praktisk og arbeidsrettet kunnskap, og vi trenger et mer fleksibelt arbeidsliv som gir plass til flere. Det er når vi lever i lokalsamfunn og blir en del av de store, nye mulighetene, at endringer blir varige og skaper mer endring. Folk som har begynt med søppelsortering, vil ha mer resirkulering. De vil ikke tilbake til den gamle dynga. Folk som har begynt å sykle, vil ha mer sykkelsti. De vil ikke ha bilkø. Folk som har montert solceller, vil ha mer smart teknologi, og folk som bor i grønne kommuner, vil ha grønnere kommuner. Miljøpartiet De Grønne kommer til å arbeide hardt i fylkesting, kommunestyrer og bydeler for at lokalsamfunnene selv skal bli pådriveren uten å vente på Stortinget – for skoler som gir elevene mestring og muligheter, for arealplanlegging som beskytter natur og matjord, for transporttilbud som løser problemer i stedet for å skape nye, for at kommunale innkjøp stiller høye miljøkrav, og for å åpne døra og gi plass til folk som trenger trygghet. I Moss, som har druknet i biler, vil De Grønnes nye varaordfører Benedicte sørge for at Moss blir en sykkelby. I Trondheim vil varaordfører Hilde i praksis gjennomføre en klimalov med 80–90 pst. utslippskutt innen 2030 som vil legge føringer for hele byens utvikling. I Bodø får De Grønne slutt på trafikkøkningen inn til byen og på kjøpesentervekst. Vi får fullt jordvern i Ås, og i Oslo forhandler vi om framtidas samferdselspolitikk, der folk, gode byrom, kollektivtilbud og sykkel skal stå i sentrum – ikke mer privatbilisme. Får vi til det, setter vi en ny standard for norsk samferdselspolitikk. I Sveriges motsvar til trontaledebatten for tre uker siden sa statsminister Stefan Löfven fra Socialdemokraterna: «Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.» Sverige har allerede kuttet 25 pst. av sine klimagassutslipp, og de har halvparten av Norges klimagassutslipp per innbygger. Norge må selvsagt ha samme ambisjon og uttrykke den minst like klart. Derfor minner vi om at for regjering, støttepartier og flertallet i opposisjonen er oljemeldingen En næring for framtida fortsatt det viktigste dokumentet i norsk økonomi, næringsutvikling og miljøpolitikk. Vår tids største industriprosjekt er det nye Det kan gi inntekter og arbeidsplasser til oss, men det vil også gi utslipp av 900 mill. tonn CO2 og påføre våre etterkommere en enda verre klimakostnad. De Grønne vil fortsette å argumentere for at det er uansvarlig å satse på å produsere enda mer petroleum i en tid da alle vet at vi allerede produserer for mye, bruker for mye og har funnet for mye. Hvis signalene om endring skal bli mer enn signaler,

Vi kommer derfor til å foreslå at regjeringen utreder hvordan ordningene som i dag løfter fram nye investeringer i petroleumssektoren, kan overføres til de nye grønne og bærekraftige næringene som vi må bygge opp. Da oljevirksomheten skulle bygges opp i Norge på 1970-tallet, la regjeringen fram en stortingsmelding med mål og kriterier som la grunnlag for en godt planlagt utvikling av oljesektoren. Å bygge nye, bærekraftige næringssektorer i Norge som skal erstatte oljesektoren, er et enda større prosjekt som krever enda mer målrettet arbeid på nasjonalt nivå. Miljøpartiet De Grønne kommer derfor til å foreslå at regjeringen legger fram en overordnet plan for overgangen til et bærekraftig og fossilfritt Norge. Europa og Europas omgivelser endrer seg. Libya, Irak og Syria fungerer ikke som stater og gir ikke sine innbyggere elementær trygghet. De skaper enorme problemer for statene rundt. Det er all grunn til å frykte at denne situasjonen vil vare. Norsk utenrikspolitikk og norsk flyktningpolitikk må svare på dette. Vi kan ikke møte dagens flyktningkatastrofe med en politikk som er laget for gårsdagens situasjon. De Grønne var før sommeren med på å danne et bredt kompromiss for en mer ambisiøs flyktningpolitikk. Vi mener det var viktig å skape en bred enighet om å ta imot flere nødstedte mennesker, og vi mener det skaper et godt grunnlag for den betydelige opptrappingen som nå er helt nødvendig. Norge skal stå opp for asylretten. De som må flykte fra krig og undertrykkelse, skal kunne få beskyttelse i Norge. De som ikke har grunn til å bli, skal vende hjem. skal alltid være en kjerneverdi i et godt og trygt samfunn. Den verdien finnes heldigvis fortsatt i Norge også. Jeg er glad for at regjeringen i trontalen gjør det klart at vi skal hjelpe mer. Men å hjelpe mer betyr bl.a. å legge til side en praksis praksis der penger til en ny flyktningkatastrofe tas fra andre bistandsprosjekter. Det er urimelig å hjelpe folk i nød ved å ta fra folk i nød. Det er kortsiktig å løse kriser ved å ta penger fra arbeid for å forebygge kriser. De Grønne er klare til å sette seg ned med andre partier for å diskutere hvordan vi bør videreutvikle avtalen om flyktninger fra før sommeren, både for å hjelpe flere

kan forvente at produktivitetsøkningen fortsetter etter en grønn omlegging. Det står også at i sektorer som omsorg og matproduksjon bør den manuelle arbeidsinnsatsen økes, ikke reduseres – altså mer av tunge løft, mindre effektivt landbruk, mindre produktivitet. Dermed er også forutsetningen for opprettholdelsen av dagens velferdsnivå brutt, og det er helt legitimt å ville redusere både vekst og velferd, som da er uunngåelig.

er poenget til Miljøpartiet De Grønne at man ikke uten videre kan legge dagens mål for velferd til grunn for den velferdsnormen vi vil måtte ha om 10, 20 og 30 år, fordi en framtidig norm ut ifra dagens mål er basert på forutsetninger om forbruk og forutsetninger om overproduksjon som er fullstendig urealistiske. Perspektivmeldingen forutsetter at vi skal tredoble forbruket vårt i 2060. Jeg er veldig glad for at jeg ikke kommer til å bo i det samfunnet, og jeg tror ikke engang Heidi Nordby Lunde har lyst til å bo i det. Vi vet at oljevirksomheten må være redusert eller borte på det tidspunktet, og vi må ha funnet opp andre løsninger som ligger til grunn for velferdsstaten. Det er et bilde som jeg ikke klarer å beskrive fullt ut, men det er et bilde som det er nødvendig å beskrive.

Jeg gjentar: «planlegge våre samfunn for at det ikke blir flere av oss». Jeg skulle ønske min nysgjerrighet her primært var rent økonomisk: Hvordan skal vi finansiere dagens velferdsordninger framover når det blir færre i jobb som skal betale for flere eldre syke og pleietrengende? Men det jeg lurer på, faktisk, er mest: Hvordan skal vi sørge for at de som ønsker seg barn, ikke får det? Representanten står selvfølgelig fritt til å svare på begge deler, men jeg oppfordrer ham til å svare på det siste først: Hvordan skal De Grønne sørge for at folk som ønsker seg barn, ikke får det? Miljøpartiet De Grønne har aldri på noe tidspunkt tatt til orde for å hindre folk i å få barn hvis de ønsker å få det. Svaret jeg ga i Klassekampen, var et svar på en påstand, som jeg for øvrig ikke har fått sjekket opp, i Klassekampen om at Arbeiderpartiet gikk inn for tiltak for å øke antall barnefødsler i den – så vidt jeg skjønte – hvite norske befolkningen. Det sa jeg var noe tøv, og jeg sa at den norske befolkningen som kjent øker på grunn av innvandring, og at det er ingen grunn til å treffe ekstratiltak for å øke fødselstallet i den øvrige delen av den norske befolkningen. Så er det et faktum at det er fryktelig dumt – sett ut fra veldig mange perspektiver hvis verdens befolkning fortsetter å øke, og det er heller ikke veldig heldig for jordas framtid hvis de befolkningene som har aller høyest forbruk, fortsetter å øke. Å se for seg en utflating av befolkningsveksten i Norge er ikke det minste radikalt, men å basere Norges framtid på at befolkningen skal øke hele tiden, er derimot en særdeles lite ansvarlig forutsetning.

Viss det hadde vore stortingsval i byrjinga av september no, ville det ha vore over 40 representantar. Da har eg tatt med Miljøpartiet Dei Grøne i den opprekninga. Eg legg merke til at Miljøpartiet Dei Grøne liker betre å omtale seg som blokkuavhengig og er ikkje så veldig glad i omgrepet «sentrum», men trontaledebatten er ein politisk familie er det Miljøpartiet Dei Grøne kjenner seg nærmast? Er det venstresida eller høgresida? Eller er det
Takk for spørsmålet fra representanten Hareide, som jeg har svart på fabelaktig mange ganger, så vidt jeg kan huske. Svaret er at vi i og for seg føler oss som medlem av hele den norske partifamilien, uten preferanser for verken høyre eller venstre eller i den grad det finnes et sentrum, men med preferanse for de partiene som prioriterer en bærekraftig framtid og en ansvarlig bruk av jordas ressurser til fordel for dem som kommer etter oss. Det er ofte slik at partier som definerer seg som sentrumspartier, ligger i nærheten av vår politikk på det området, og derfor ser jeg mange muligheter til samarbeid der. Vi har også utfordret bl.a. Kristelig Folkeparti til samarbeid om å utfordre de to store grå partiene, Høyre og Arbeiderpartiet, for å presse dem til bedre miljøpolitikk. Hittil har både Kristelig Folkepartis og andre partiers ønske om å tilhøre en eller annen blokk vært så sterkt at vi ikke har fått det til, men mulighetene kan jo komme i 2017.
Eg vil nytte anledninga til å gratulere Miljøpartiet Dei Grøne med eit godt valresultat og ikkje minst med det nye lokalpartiet på Svalbard. Det blir av representanten og partitalsmann Hansson omtala som «det kulaste» lokallaget, men det rette ville vel vere å omtale det som «det kolaste» lokallaget til Miljøpartiet Dei Grøne. Miljøpartiet Dei Grøne er tydelege på at dei vil ha eit dramatisk skifte i norsk industri, frå forureinande industri til grøn industri, og signalet er at dei ikkje vil ha olje- og gassnæringar i Noreg, men dei er heilt avhengige av inntektene frå denne sektoren for å få til sitt grøne skifte. Dei vel altså å leve etter mottoet: Vi vil ha fordelane av denne aktiviteten, men ikkje vedstå oss bakdelane. Budsjettfakta for 2015 er at ein har eit utbyte frå Statoil på 15 mrd. kr, inntekter frå statleg petroleumsverksemd på 153

Vi er det partiet som er så økonomisk ansvarlige at vi nå begynner å forberede Norge på den framtida som kommer – selv om Fremskrittspartiet sitter i regjering om 20 år – nemlig en framtid uten olje som hovedinntekt og som hovedvirksomhet. Det er en framtid vi må klare å løse, og det er en framtid hvor vi må klare å skape velferd uten olje. Nabolandet vårt, Sverige, gjør det allerede, og det er veldig pessimistisk og vitner om veldig dårlig tro på norsk industri og næringsliv å forutsette at vi kommer til å være avhengig av oljevirksomhet og oljeinntekter for evig

Den omstillingen som Hansson ønsker, vil også kreve at mange mennesker må skifte jobb, mange bedrifter må omstille. Nå er det ikke sikkert Miljøpartiet De Grønne kommer på vippen i den saken, men det er i alle fall interessant å høre hvordan man tenker rundt det som mange nå ønsker, nemlig at man kan få en lengre permitteringstid enn den som er i dag. Hva er partiets syn på det forslaget? Takk for gratulasjoner både fra Arbeiderpartiet og fra tidligere partier som jeg har glemt å takke behørig for. Det enkle svaret er at det forslaget kom i dag, og vi har ikke fått tid til å diskutere det. Så jeg kan ikke gi noe kategorisk svar på hvordan partiet kommer til å forholde seg til det. Men det er ingen som helst tvil om at Miljøpartiet De Grønne kommer til å legge like stor vekt som andre partier på å få på plass tiltak som gjør det mulig for folk som nå mister, og fortsatt kommer til å miste, arbeidet innenfor oljesektoren og oljerelaterte yrker, for å gi dem den overgangstiden de trenger på en anstendig måte for å kunne komme seg inn i nytt arbeid. Så vil mot-utfordringen fra Miljøpartiet De Grønne til Arbeiderpartiet bli å etterspørre støtte til et størrelsesnivå på ny satsing på nytt næringsliv, og en overføring av satsing fra mer oljevirksomhet til det næringslivet som disse folka skal inn i, som står i forhold til oppgaven.
Anne Tingelstad Wøien,

var så vidt inne på den i en tidligere replikk til Senterpartiets parlamentariske leder. Sånn som jeg har oppfattet Miljøpartiet De Grønne, ønsker de mer bruk av utmarksbeite enn det vi får til i dag. Hvis vi skal utnytte beiter og ha husdyrproduksjon på utmarksbeite i hele landet, både sau og storfe, har vi en utfordring, og det er at vi møter rovdyr. Det er registrert 65 kull med jervevalper i Norge i år, nasjonalt bestandsmål er 39. I fjor ble det registrert 52 kull. Det er noen som har tatt til men jeg lurte på hvilke andre tiltak Miljøpartiet De Grønne vil bidra til for å gi beitedyr forrang sånn at utmarksbeitene kan utnyttes f.eks. i Gudbrandsdalen og i andre marginale områder i Norge? Miljøpartiet De Grønne legger til grunn at ingen næringer i framtida kan basere seg på å utrydde den delen av norsk natur som eventuelt ikke passer dem. Hvis vi skal ha et bærekraftig landbruk i Norge i framtida, må vi også ha et landbruk som klarer å forholde seg til den naturen Norge har. Det er ikke en løsning å si at man skal fjerne rovdyra der de er et problem, det er en løsning å jobbe mer for å få til en eller annen form for sameksistens som gjør at vi ikke behøver å ødelegge norsk natur, samtidig som vi kan videreføre norsk landbruk. Jeg tror ikke norsk landbruk har noen egeninteresse i framtida av å bli kjent for å være det landbruket som utryddet viktige deler av norsk natur, for å kunne videreføre en driftsform som altså er basert på at man ikke har den delen av norsk natur som heter rovdyr. Jeg ser med fortrøstning på at det er en løsning vi klarer å finne i framtida.

Vi har i mange år visst at vi må forberede oss på mindre olje- og gassaktivitet. Nå har omstillingen rykket nærmere på grunn av en betydelig lavere oljepris. Høyre har gjennom mange år, også da oljeprisen var dobbelt så høy som nå, fremmet en politikk for kunnskap og konkurransekraft. Nå erkjenner de fleste at vi må omstille norsk økonomi. Nye, grønnere arbeidsplasser må erstatte dem som forsvinner. Vi har et godt utgangspunkt i Norge: høy kompetanse, teknologimiljøer i verdensklasse, store naturressurser og et godt samarbeid mellom partene i arbeidslivet. Det har gjennom flere tiår dannet grunnlag for lav arbeidsledighet, og det danner nå et godt grunnlag for omstilling. Regjeringen vil bidra til den langsiktige omstillingen gjennom økt satsing på kunnskap, forskning og innovasjon gjennom å bygge ut vei og bane, lavere skatter som gir norske bedrifter et mer konkurransedyktig skattesystem, og teknologisatsinger som fremmer det grønne skiftet. Samtidig som vi tar Norge trygt gjennom den langsiktige omstillingen, øker vi aktiviteten, slik at verdifull ingeniørkompetanse kan brukes til å ruste landet for fremtiden. Derfor investerer regjeringen kraftig i vedlikehold, samferdsel og bygg, og vi har en egen tiltakspakke for verftsindustrien. Aktivitet gir arbeid, men det er ikke nok alene. Derfor gjør vi det enklere med bedriftsintern opplæring og øker antall tiltaksplasser. Det kan danne en bro over i nye jobber eller bidra til omstilling på eksisterende arbeidsplasser.

men også målrettede tiltak for å løfte dem som trenger kommunen aller mest, mennesker som sliter med rus eller psykiske helseutfordringer. En god kommuneøkonomi er ikke tilstrekkelig for å håndtere de store utfordringene i kommunesektoren. Derfor fortsetter arbeidet med kommunereformen. Større kommuner vil gi innbyggerne bedre velferdstjenester der de bor og sterkere fagmiljøer som kan legge bedre til rette for vekst og utvikling. En god offentlig sektor er viktig for å levere gode velferdstjenester, men det er også viktig for konkurransekraften vår. En moderne offentlig sektor skal være et konkurransefortrinn for norske arbeidsplasser. Derfor har regjeringen startet opp et stort arbeid med å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. Mer tillit og mindre detaljstyring skal gi en mer brukerorientert offentlig sektor. Programmet for bedre styring og ledelse i staten skal øke gjennomføringskraften i forvaltningen og bidra til økt kompetanse hos topplederne og i ledergruppene. Departementene fjerner nå tidstyver, slik at dyktige medarbeidere kan bruke mer tid på å løse viktige oppgaver for innbyggere og næringsliv og mindre tid på unødvendig administrasjon. Disse tiltakene gir resultater. Regjeringen gjennomfører også et taktskifte i digitaliseringen av offentlig sektor. Økte bevilgninger følges opp med et eget program som skal sikre økt strategisk IKT-kompetanse hos topplederne og et digitaliseringsråd, som skal bidra til mer læring og gevinstrealisering ved gjennomføring av nye prosjekter. Resultatene kommer: Den såkalte A-ordningen bidrar til forenkling for 220 000 arbeidsgivere. Fem skjemaer har blitt til ett. Besparelsen for bedriftene kan bli 600 mill. kr hvert år. Digitale løsninger hos Husbanken bidrar til forenkling for innbyggerne og store besparelser i kommunene, som slipper å bruke verdifull arbeidskraft på å registrere data fra papirsøknader. Regjeringens viktigste oppgave er å ta Norge trygt gjennom omstillingen. Virkemidlene er arbeid, aktivitet og omstilling.

etterlyst regjeringens engasjement for å finansiere eldreomsorg og skole, og å kompensere skattesvikten i kommunene fullt ut. Vi har også etterlyst tilstrekkelig med tid, økonomi og avklaringer fra regjeringens side i arbeidet med kommunereformen. Svaret fra kommunalministeren har vært at kommuneøkonomien er en historisk satsing, og at entusiasmen for Årets valg ga kraftig tilbakegang for Høyre. Mitt spørsmål er: Er dette signalet fra velgerne sterkt nok til at regjeringen nå vil begynne å lytte til kommunene? Regjeringen lytter til kommunene, og vi lytter til innbyggerne. Vi er opptatt av å sikre en god og forutsigbar kommuneøkonomi, som nettopp kan sikre gode skoler og god eldreomsorg. Hvis man ser på handlingsrommet i frie inntekter for kommunene de tre siste årene i forslagene til statsbudsjett, har det vært større enn det var under den rød-grønne regjeringen. Men det er slik at skal vi bruke flere verdier, må vi også skape flere verdier. Når regjeringen senker skatter for bedriftene, er det for å legge et grunnlag for ny vekst. Når vi satser mer på kunnskap, forskning og innovasjon og bygger veier både i sentrale strøk og i Distrikts-Norge, er det for å legge grunnlag for verdiskaping. Vår viktigste oppgave i årene som kommer, er å skape trygghet for jobb, og det gjør vi gjennom langsiktige satsinger, verdiskaping, slik at vi etter hvert kan høste mer for velferden.
Jeg hørte ingen erkjennelse i det svaret. Jeg tolker det som at regjeringen vil fortsette slik man har stevnet, uansett hva velgerne har gitt veldig klar beskjed om. Regjeringen har hatt ute på høring et forslag om endring i eiendomsskatten på verk og bruk. Dette vil ramme mange kommuner. KS har anslått at regjeringens forslag vil påføre kommunene et inntektstap på mellom Reaksjonene har naturlig nok vært sterke, også fordi dette forslaget vil svekke kommunenes evne nettopp til å legge til rette for nye arbeidsplasser i en tid som krever det. Folkeparti og Venstre sier til VG at de vil stoppe regjeringens forslag. Kan statsråd Sanner nå avklare om regjeringen på tross av disse signalene fortsatt vil legge fram forslaget for Stortinget, eller om dette forslaget nå er trygt plassert i skuffen? Jeg tror at Arbeiderpartiet også må erkjenne at de reglene som gjelder på dette området, er uklare, og at det er behov for en opprydding. Dette forslaget ligger under finansministeren. Det har vært ute på høring, og regjeringen vil selvsagt vurdere de forslagene som har kommet inn. Når forslaget blir fremsatt, er det selvsagt fordi vi er opptatt av å legge til rette for verdiskaping og arbeidsplasser. Uten arbeidsplasser, uten verdiskaping, blir det heller ingen eiendomsskatteinntekter til kommunene fra dette feltet. Dette er et forslag som nå har vært ute på høring, og Finansdepartementet vil selvsagt vurdere de høringsinnspillene som har kommet, før man legger frem forslag for Stortinget.

om ministeren kunne gjøre rede for om den da vil ta opp i seg det som oppgavemeldingen og regionmeldingen allerede peker på? Med bakgrunn i forslag fra Venstre og samarbeid med Kristelig Folkeparti har vi lagt til grunn at vi skal ha tre forvaltningsnivåer i Norge. Vi jobber nå, i samarbeid med partiene, med nye oppgaver og utvikling av det regionale nivået.

Byene sitter på mye av kunnskapsinstitusjonene, service- og logistikk. By og distrikt er avhengig av hverandre, og vi ønsker å se på bærekraftige byer og distriktspolitikk i sammenheng. Nå gjennomfører vi en serie med høringsmøter rundt om i landet og får gode innspill fra fylkespolitikere, lokalpolitikere og næringsliv og utvikler en politikk som peker fremover, hvor vi ser by og distrikt i sammenheng – og ikke dyrker motsetningene.
Marit Arnstad
I en tidligere replikkrunde der jeg spurte Høyre om kommunesammenslåing, sa Høyres parlamentariske leder at Senterpartiet må få lov til å holde på med sitt. Det kan jeg love – det skal vi. De små kommunene i Norge har mange fornøyde innbyggere. De har noen av de mest fornøyde innbyggerne – det viser alle undersøkelser. I tillegg viser Kommunebarometeret til Kommunal Rapport

Står statsråden ved det utsagnet? Hvis han mener at 131 kommuner i Norge er for små, skal de da slås sammen, og skal det skje med tvang? For å svare på det siste først: Regjeringen legger til grunn frivillighet og gode lokale prosesser. Det er regjeringens standpunkt, og det er stortingsflertallets standpunkt. Ja, små kommuner – de minste kommunene – er for små for de oppgavene de har ansvaret for. Allerede da Stortinget diskuterte den forrige kommunereformen, i 1965, mente man at kommunene burde være på mellom 5 000 og 10 000 innbyggere. Det var før HVPU-reform, før sykehjemsreform, før barnehagereform, før samhandlingsreform. Mange kommuner løser oppgaven på en utmerket måte, men man har gjort det gjennom å opprette et stort antall interkommunale selskaper og samarbeid, og da løfter man oppgavene ut av kommunestyresalen. Jeg ønsker et sterkere lokaldemokrati, sikre og gode tjenester der innbyggerne bor, og da trenger vi sterkere fagmiljøer i Kommune-Norge for å sikre de gode velferdstjenestene.

Og når vi rigger det, er det også viktig å ha med seg de mulighetene som ligger i det. For i denne salen har flertallet vært stort, tidvis med et vinglete arbeiderparti, og det er en ambisiøs tidsplan som nå er lagt opp av statsråden. Da er mitt konkrete spørsmål: Hvordan vil nå statsråden sørge for at vi får et nødvendig trykk, så vi får gjennomført en overmoden reform, som burde vært på plass for lenge

behov for omsorg, særlig for de eldste eldre, og det blir større kamp om den kompetente arbeidskraften. Derfor handler dette om å ruste oss for fremtiden og sørge for at vi har gode tjenester der folk bor. Jeg mener at kommunereformen er en viktig reform også for å bremse den sentraliseringen vi har sett over mange, mange tiår. Jeg er glad for den utålmodigheten som både Kristelig Folkeparti og Venstre viser med hensyn til kommunereformen, og det er viktig at kommunene nå tar arbeidet over i en ny fase. Det har vært mange utredninger. Utredninger er viktig, men på et tidspunkt må det også vises politisk lederskap i kommunene, hvor man går inn i reelle forhandlinger og kan vise innbyggerne hvilke fordeler man har ved å skape nye

å bidra til å få ned kommunenes klimautslipp kommer også til å koste noe på kort sikt. Hittil i regjeringens framlegg til kommuneøkonomi har ikke regjeringen lagt inn noen ting til disse viktige oppgavene. Det har vi spurt om, og Finansdepartementet og Kommunaldepartementet har svart nei, det har vi ikke lagt inn noen penger til. SV fremmer forslag om at vi må ha inn egne ordninger slik at kommunene kan ta sitt klimaansvar, men også at de må få mer penger til å gjøre nødvendige klimatilpasninger. Vil statsråden sørge for at kommunene får egne midler til disse viktige oppgavene i grønn omstilling? Jeg er helt enig i at kommunene spiller en viktig rolle også i omleggingen til en grønnere økonomi. Derfor er det viktigste vi kan gjøre, å legge større vekt på forebygging og å sikre kommunene romslige rammer som gjør at man kan prioritere slike tiltak. Vi ønsker ikke mer øremerking av tilskudd til kommunene, for øremerking betyr mer sentralt byråkrati og mer lokalt byråkrati, men gode rammer for kommunene gir kommunene en økonomi til å prioritere grønn omstilling. Så gjør vi to ting til som jeg vil understreke. Det ene er at vi har sagt til kommunene at de skal prioritere tre viktige forhold ved lokale og regionale planer. Et av de tiltakene handler om klimatilpasning. klimatilpasning. Klimatilpasning i lokal og regional planlegging er helt avgjørende. Så har vi nå også varslet at vi skal få på plass en ny høydemodell, som skal sikre oss bedre digitale kart, noe som er helt avgjørende for å kunne forebygge flom og ras. Da får vi et verktøy som både kommunene og andre kan bruke i videre planlegging. Replikkordskiftet er over. Med oljeprisfallet og ei arbeidsløyse som er

Og solid grunn for flest mogleg får me når dei sosiale og økonomiske forskjellane i samfunnet er små og tersklane for deltaking er låge. Her skil me lag frå regjeringa. Ho fører ein politikk for auka forskjellar, både når dei ikkje dimensjonerer innsatsen for å redusera arbeidsløysa riktig, og når det fremste verkemiddelet deira er kutt i formuesskatten – noko som fyrst og fremst

Me må behalda kompetansen i marknaden, bl.a. med auka bruk av bedriftsintern opplæring. Og me må byggja bruene frå olje og gass til meir framtidsretta grøne næringar, bl.a. med stipendordningar og akseleratorprogram. I trontalen vart det gjentekne gonger vist til den norske modellen. Omgrepet vert brukt av mange. Men kva den norske modellen er, og kva som ber han og utviklar han, er det ikkje alltid like brei einigheit om.

samfunnsansvar. Det krev at partane får den plassen dei fortener når ny politikk vert utvikla. At dei vert lytta til, er demokrati i praksis. Det er noko av det som har skapt vårt egalitære Noreg. Her skil me lag med regjeringa, både i retorikk og i politikk. Me har trass alt ei regjering som ikkje lyttar når partane tek ho i skule og utfordrar ho på t.d. kva for ein effekt søndagsopne vårt samfunn. Alt ifrå LO til NHO og Virke, og fleire, har vore veldig tydelege på kva for uønskte effektar det vil kunna ha. Høgre og Framstegspartiet har skapt høge forventningar til sitt arbeid for auka beredskap i Noreg – kanskje særleg gjennom valkampen i 2013, då dei insisterte på at med dei ville ein få handlekraft. Òg i trontalen er arbeidet for auka beredskap omtalt i høgverdige vendingar. Men her er noko av resultatet etter to år i regjering: Det nasjonale beredskapssenteret for politiet er framleis uavklart. Kvar skal det byggjast? Kva tid skal det stå ferdig? Me har forventningar om at desse avklaringane må koma seinast i budsjettet for 2016. Då er det allereie to år på overtid. Tidlegare i år la regjeringa dessutan fram ei politireform som ikkje avklarte korleis nasjonale kriser skulle verta leia og handtert. Arbeidarpartiet måtte saman med forlikspartia på Stortinget forhandla inn eit krav om at dette måtte verta avklart. Gjørv-kommisjonen har anbefalt ein skalerbar nasjonal operasjonssentral som kan tre i kraft ved nasjonale kriser for å støtta det lokale arbeidet. Det er Arbeidarpartiet einig i. Men kva vil regjeringa? Til slutt: Verda opplever den største flyktningkrisa sidan den andre verdskrigen. Trontalen starta med dette temaet. Men når ansvar skal verta plassert, legg regjeringa i trontalen vekt på at utlendingsmyndigheitene, frivilligheita og enkeltmenneska gjer ein uvurderleg innsats. Det gjer dei, og dei fortener honnør for det. Men det regjeringa ikkje seier noko om, er kommunane. Det er den viktigaste enkeltaktøren for at nykomne skal kunna starta sine nye liv i Noreg. Det hadde det vore rimeleg å forventa. Arbeidarpartiet har i sine alternative budsjett sett kommunane betre i stand til å handtera situasjonen, med bl.a. 3 mrd. kr meir til kommunane enn regjeringa gjev. Det blir replikkordskifte. Den siste tiden har representanten Tajik vært opptatt av ulike partiers historiske bidrag til

Det hun snakket om, var fritt behandlingsvalg. Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon er svært tilfreds med reformen og har omtalt dette utsagnet som «helt frakoblet fra den oppfattelsen samtlige aktører på rusfeltet har, og ikke minst hjerterått overfor brukerne som har sett frem til å kunne velge behandling friere enn før». Hvordan føyer det seg inn i Arbeiderpartiets historieskriving at partiet går til valg på å fjerne viktige rettigheter for personer som sliter med rus og psykiatri, gjennom å reversere fritt behandlingsvalg? Eg takkar for spørsmålet. Det ligg jo i sakas natur at den typen fridomar som representanten her trekkjer fram, altså at det nokre gonger slår ut på den måten at det er ein fridom som gjeld dei som har føresetnadane eller ressursane til å kunna navigera i dei moglegheitene som finst, men at det ikkje er ein fridom for alle som har behov for denne typen tilbod. Det er noko av grunnen til at me er djupt kritiske til den retorikken som særleg Høgre, men òg Framstegspartiet, legg seg på i både denne og ei rekkje andre saker, der ein kallar det ein fridom og ei moglegheit, mens realiteten er at det er ein fridom for dei få.
Det var interessant å høre representant Hadia Tajik snakke om arbeidsledigheten, for det er vel kun ettertiden som kan vise hvor god man var, eller hvor dårlig man var, så det skal man kanskje være forsiktig med å konkludere på allerede. Jeg opplever også at representanten er opptatt av manglende framdrift når det gjelder beredskapssenter. Det står det respekt av, og det skal Arbeiderpartiet ha honnør for å skyve videre på. Samtidig er det interessant å se på Arbeiderpartiets egne ambisjoner, for så det skal man kanskje være forsiktig med å konkludere på allerede. Jeg opplever også at representanten er opptatt av manglende framdrift når det gjelder beredskapssenter. Det står det respekt av, og det skal Arbeiderpartiet ha honnør for å skyve videre på. Samtidig er det interessant å se på Arbeiderpartiets egne ambisjoner, for i budsjettet for inneværende år, f.eks. når det gjaldt satsing på utbygging av norske fengsler, prioriterte Arbeiderpartiet ikke å gjøre noe. Når det gjaldt økning av norsk politi og satsing der, prioriterte man barnehus – det står det Sett i lys av det som nettopp er sagt, hva slags ambisjoner har Arbeiderpartiet for neste år, når man ser den kritikken som representanten har gitt regjeringen i ulike medier? Arbeidarpartiets alternative budsjett vil jo koma når det kjem. Der vil detaljane i våre satsingar for 2016 verta tydelege. Men me har jo vist, vist, både i tidlegare budsjett og då me sat i regjering, at me er i stand til å prioritera der behova er. Under Stoltenberg II sørgde ein for 750 nye soningsplassar, det var me som sørgde for midlane til å byggja Halden fengsel, me auka kapasiteten, me gav pengar til politiet for at dei skulle kunna tilsetja nyutdanna studentar, og me auka kapasiteten på Politihøgskolen. Det er naturleg at me òg i budsjetta som kjem, sørgjer for at det er midlar både til å følgja opp dette og ikkje minst til å følgja opp det behovet som er knytt til beredskapssenter og skalerbar operasjonssentral. Det var òg den førre regjeringa som gjennomførte dei første utgreiingane som skulle til for å kunna etablera ein nasjonal, skalerbar operasjonssentral. Det er jo ting som ein ser at denne regjeringa ikkje har bygd vidare

Da mener Kristelig Folkeparti det er avgjørende at reglene utformes på en måte som sikrer ideelle organisasjoner både gode og forutsigbare rammebetingelser. Vi er opptatt av ikke bare å snakke om ideell og frivillig sektor, men også av å snakke med. Viktigst er det kanskje å legge til rette for. Kan representanten bekrefte at Arbeiderpartiet også vil arbeide for særskilte vilkår og forutsigbare rammebetingelser for ideelle aktører når vi nå skal ha en gjennomgang av hele dette området denne vinteren? Ja, det kan eg bekrefta. Kristeleg Folkeparti og Arbeidarpartiet er einige om at ideell sektor er veldig viktig. Me ser òg at dei vert pressa i ein del anbodsprosessar, at det er vanskeleg for dei å konkurrera med ein del f.eks. private og kommersielle aktørar som finst innanfor same sektor. Då er det viktig å leggja særskilt til rette for at dei ideelle aktørane, som utgjer eit veldig viktig tilbod, reelt kan konkurrera ved at ein har vilkår som dei faktisk kan konkurrera på.

men politiet tydeligvis ikke gjør det. Vi har nettopp – igjen – hatt en forferdelig sak der en kvinne har blitt drept på tross av at hun har varslet politiet, og politiet ikke engang har avhørt den som sto for truslene. Dessverre endte dette også i drap – igjen. Det har vært utallige saker der det går fram at politiet prioriterer fullstendig feil.

og det er vald mot kvinner og barn, fordi det er eit felt der ein ser at det er behov for sterke talspersonar, særleg på vegner av ungane. Når det gjeld vald mot kvinner, ser ein at det gjennom historia har vore eit underprioritert område, at det har vore behov for eit politisk trykk for at det skal verta teke tilstrekkeleg alvorleg, at ein ikkje skal sjå på det berre som husbråk, men at ein skal sjå på det som grov og alvorleg kriminalitet. Der har eg vore tydeleg i møte med politiet og politiets aktørar og sagt at vald mot kvinner og barn skal prioriterast. Me har òg, då me sat i regjering, gjeve midlar til bl.a. Kripos, etablert barnehus, saman med SV og SV sine representantar, skjerpt straffene på dette feltet, og me tek sjølvsagt gjerne fleire initiativ. Replikkordskiftet er over.

når mor eller far mister jobben. Arbeid, aktivitet og omstilling er det viktigste vi nå går løs på. Alle skal kunne ha en jobb å gå til. Samtidig skal vi også sørge for at det sosiale sikkerhetsnettet vårt fungerer, sånn at det fanger opp dem som faller utenfor, dem som har det vanskelig – ikke minst barn og unge. Jeg er glad for at vi har en regjering som prioriterer dem som trenger storsamfunnets hjelp aller mest. Enten man er psykisk syk, er rusavhengig, har barn i barnevernets omsorg, eller om man sliter med lese- og skrivevansker eller er nyankommet flyktning, skal man få hjelp og mulighet til å stå på egne ben og skape seg et godt liv.

I 2015 bruker vi nær 30 pst. mer på samferdsel enn i 2013. De fire partiene har opprettet veiselskap, som vil føre til at flere prosjekter kan realiseres raskere. Vi har iverksatt offentlig–privat samarbeid, som har bidratt til mer effektiv bygging og vedlikehold av infrastruktur, og vi har etablert infrastrukturfondet. Denne storstilte utbyggingen av veier betyr at bedrifter rundt om i landet kan transportere varene sine mer effektivt.

fagarbeidere. Faktisk kunne Rådgivende Ingeniørers Forening i sommer fortelle at deres bedrifter så for seg å kunne ansette 1 000 ingeniører – bare frem mot nyttår. Vi har fremskyndet mange store veiprosjekter. Dette vil bety tusenvis av arbeidsplasser landet rundt. Jeg er stolt over den historiske satsingen som nå skjer på infrastruktur i landet vårt. Samtidig stusser jeg litt over Arbeiderpartiets samferdselsprioriteringer – sist nå, i revidert nasjonalbudsjett, der Arbeiderpartiet kutter 90 mill. kr til nye veiprosjekter. Det vil bety at man må si opp veiingeniører, det betyr at vi må sette flere på tiltak. Samtidig har de altså lagt frem en tiltakspakke på 5,5 mrd. kr uten at en eneste krone krone er tiltenkt vedlikehold av infrastruktur. Det er pussig, særlig når vi vet at satsing på vedlikehold er en av de mest målrettede tiltakene man på kort tid kan gjøre for å få folk i arbeid. Også på jernbanesiden og på har de fire samarbeidspartiene sammen fått til en historisk satsing. Vi har stoppet det rød-grønne forfallet på vei og bane som vi har sett i altfor mange år. Nå har landet alle muligheter til å bli den første oljeøkonomien som lykkes med omstilling. Norge har startet en reise fra særstilling til omstilling. Nå er arbeid, aktivitet og omstilling jobb nummer én. Det blir replikkordskifte.
første er

Man viser til at vedlikehold er et helt sentralt virkemiddel også for å holde folk i arbeid, og et av de sentrale virkemidlene som regjeringspartiene viser til hele tiden, er infrastrukturfondet, som også representanten var inne på i sitt innlegg. Spørsmålet er når man skal få nytte av dette infrastrukturfondet – når begynner man å hente penger ut? Da blir spørsmålet mitt: Hvor stor realavkastning har man fått av fondet i 2015, og med hvor mange kroner fra det fondet bidrar man til å hente inn igjen etterslepet av vedlikehold i

til 100 mrd. kr. Allerede etter to år har vi også fått på plass et viktig virkemiddel for forutsigbart vedlikehold på vei og bane. Vi tok over et enormt rød-grønt vedlikeholdsforfall som vi nå har snudd. Det er første gang på ti år at vi har snudd vedlikeholdsetterslepet. Det er jeg stolt av, og jeg har tro på at vi skal klare å redusere det store etterslepet på viktig infrastruktur i dette landet også i tiden som
I forrige uke fikk jeg oppleve å være med og ta imot 440 flyktninger på Lampedusa, Sicilia, i Italia. Da jeg sto der og så, tenkte jeg på hvor viktig det er med redningsarbeid og nødsarbeid. Jeg tenkte videre at hjelp i nærområdene må være det viktigste, og så tenkte jeg at mottakssituasjonen i Norge må være god. Men så ble jeg stående og vurdere: Ja, de som er utsatt for krig og terror, har et beskyttelsesbehov, men det er klart at mange kommer fordi de ønsker et bedre liv, og da rømmer de fra forhold som er uverdige og oppleves vanskelige. Da er mitt spørsmål til Høyre: Mener representanten fra Høyre at det er uheldig dersom målrettede bistandsmidler nå i økende grad blir omprioritert til kortsiktig og akutt innsats? Jeg takker representanten Toskedal for spørsmålet, og jeg er glad for at Kristelig Folkeparti tar det opp. Bildene og historiene som vi nå ser, rører oss alle veldig sterkt. Norge skal ta sitt ansvar i krisen, sammen med resten av Europa, men her trengs det også et samarbeid på tvers av kontinenter. Vi skal gjøre det vi kan i nærområdene. Så skal vi sikre at vi også har et godt mottaksapparat her, ikke minst ved hjelp av frivilligheten, og jeg er sikker på at med det bankende hjertet som Kristelig Folkeparti har for frivilligheten i Norge, skal vi sammen bidra til at de som

kun blir nevnt med ett eneste ord. Spesielt blir dette også når vi vet at Arbeiderpartiet skulle besøke over hundre sykehjem og eldresentre og avholde såkalte samrådsmøter for å få innspill til hvordan man kan forbedre og sikre gode tjenester til de eldre. Som representanten Gahr Støre sikkert husker, var han i valgkampen bl.a. innom Borgehaven bo- og rehabiliteringssenter på bursdagen sin. Da stakk jeg innom en liten tur for å høre og for å få noen innspill om hva de eldre der var opptatt av. Da er det litt rart at Gahr Støre i sitt innlegg ikke sier noe om hva Arbeiderpartiet har fått av innspill, eller hvordan de skal bygge ut eldreomsorgen. Men den naturlige forklaringen på at dette viktige området kun blir nevnt med ett eneste ord én eneste gang i hans innlegg, er enkel: Det er faktisk et godt bevis på og et klart svar fra Arbeiderpartiet fra Arbeiderpartiet om at de kun er opptatt av eldreomsorg fire uker hvert andre år i forbindelse med valgkampen. Jeg synes dette er trist for alle de eldre som trenger hjelp, og som tror på politikerne som i valgkampen reiser rundt og lover at det heretter skal skinne av eldreomsorgen. Arbeiderpartiet har ikke bare styrt landet i åtte av de siste ti årene, nei, de har styrt landet og eldreomsorgen i store deler av Jeg har registrert at lederen i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, innenfor eldreomsorgen ikke bruker sin velkjente frase: for lite og for sent. Det skyldes vel at Arbeiderpartiet fortsatt stadig blir minnet på at de på sin vakt lovet 10 000 nye mennesker i omsorgsyrkene. Det ble så til 10 000 nye hender, og dermed var løftet redusert til det halve. I tillegg lovet man 12 000 nye nok et område hvor løftet ble endret fra nye, friske plasser til nye og rehabiliterte plasser. Resultatet ble stusslige 567 nye, friske sykehjemsplasser eller plasser med heldøgnspleie. Jeg er derfor glad for at regjeringen, hvor Fremskrittspartiet er med, bruker flere virkemidler for å sikre at alle eldre som trenger pleie- og omsorgstilbud, skal få hjelp. Vi har økt tilskuddene til bygging av nye sykehjems-/heldøgnsplasser med noe som har medført at langt flere kommuner har søkt om og fått innvilget tilskudd for å bygge ut nye plasser i langt høyere tempo enn det den forrige regjeringen lovte. Dette vil fremover bety at langt flere eldre vil få en trygg, varm og verdig eldreomsorg. Det skjer fordi Fremskrittspartiet får gjennomslag for å øke bevilgningene til eldreomsorgen. Regjeringen har også signalisert at den vil starte opp en forsøksordning med statlig fullfinansiering av eldreomsorgen. Dette ser jeg virkelig fram til, selv om både Fremskrittspartiet og jeg gjerne ville ha rullet dette ut i hele landet. Men nå får vi testet det ut. Jeg er sikker på at det vil vise seg at dette er den beste måten å sikre at alle eldre som trenger pleie og omsorg, vil få det, uavhengig av om kommunen er rik eller fattig. At Arbeiderpartiet ikke er enig i dette, er svært rart, når de gjerne ønsker å fremstå som et parti som er opptatt av at lommeboken din ikke skal avgjøre tilbudet du får. Men etter å ha sett Arbeiderpartiets utstillingsvindu, Trondheim, er jeg ikke lenger like sikker, for der må man faktisk betale for å komme ut i frisk luft.

Folk tar egne valg om hvor de vil bo. Men vi må legge til rette for gode tjenester og mulighet for tiltak, sånn at folk kan både bo og arbeide på mindre plasser – ja, at de har et reelt valg om å kunne bo i distriktene. Å ha nærhet til tjenestene er viktig. Basis for alle er at vi skal kjenne trygghet der vi bor, bor, trygghet for at hele mennesket blir ivaretatt når livet er sårbart, at det er god beredskap, og at det er noen som kan hjelpe oss når vi trenger det. Aktiv distriktspolitikk innebærer mye, bl.a. er et godt helsetilbud helt avgjørende. Stortinget skal snart behandle Nasjonal helse- og sykehusplan. Dette blir et viktig arbeid, og det må oppleves å gi bedre tilførsel til distriktene, mer enn at Dette blir et viktig arbeid, og det må oppleves å gi bedre tilførsel til distriktene, mer enn at de frarøves kompetanse og tilbud. Akuttberedskap og prehospitale tjenester danner et viktig grunnlag og en grunnmur for sykehusstrukturen i vårt langstrakte land. Det er helt avgjørende at alvorlig syke eller skadde får den hjelpen de trenger, når de trenger den – ofte raskest mulig. Vi må skreddersy en beredskap og et helse- og sykehusvesen etter den situasjonen som landet vårt er i – så ulikt og mangfoldig – med de naturutfordringene vi har. Skal vi lykkes med en helse- og sykehusplan, må kjelleren, grunnmuren, i Sykehus-Norge bestå av tilstrekkelig utbygd akuttberedskap og prehospitale tjenester.

For å sikre god beredskap gikk Kristelig Folkepartis landsmøte inn for å sikre et godt og trygt sykehustilbud for alle, gjennom desentraliserte tjenester som sykestue, distriktsmedisinske senter og lokalsykehus med god kvalitet, særlig når det gjelder akutt- og fødetilbud. Norske helsemyndigheter har åpnet opp for at akuttkirurgisk behandling i framtiden i større grad skal skje på sentraliserte sykehus for å sikre god nok kvalitet. Det paradoksale er at Helsedirektoratet sier at det foreløpig ikke finnes forskning som bekrefter at dette er veien å gå. Folkeparti er opptatt av at nettopp lokalsykehusene har store fordeler – de er nær pasientene og har lokalkunnskap. Lokalsykehusene skal ha høy kvalitet på sine tjenester. Nettopp nærhet og lokalkunnskap hever kvaliteten på tjenestene og er en kvalitetsindikator i seg selv. Det kan virke som om dette ikke teller like mye som andre kvalitetsmål og krav som antall pasienter, hvor mange som kan behandles og hvilke ulike spesialiteter som til enhver tid er på norske sykehus. Det er ikke kvalitet å ligge bak i en sykebil i flere timer på glatte veier. Det er ikke kvalitet å ligge i en luftambulanse som verken kan lette eller lande. Det er ikke kvalitet ikke å nå fram til sykehus når du er alvorlig syk. Dette er ikke kvalitet

Skal vi lykkes, må vi jobbe for dette, jobbe sammen for å sikre en tjeneste som står seg over tid – med et bredt forlik i denne sal. Det er

forsøk på selvmord, og at innsatte som skulle gått over til åpen soning, nå blir tvangssendt til lukket soning i utlandet, hører sammen med Kristelig Folkepartis verdigrunnlag. Midlertidig dublering hadde vært et bedre tiltak, samtidig som vi kunne brukt millioner fra Nederland til å bygge ut fengselskapasiteten her i Norge. Det viser seg at fengselskapasiteten har endret seg. I dag har vi 242 ledige plasser i Norge, i tillegg til de 128 plassene som ennå ikke er fylt opp i Nederland. Spørsmålet er: Hvordan samsvarer denne politikken med Kristelig Folkepartis verdigrunnlag? Er dere villige til å se på saken på nytt og eventuelt reversere dette? For Kristelig Folkeparti er det viktig at hvert enkelt menneske tar ansvar for sitt liv. Også når de har gjort ting som ikke er sånn som de skal, skal, som er rett, har de ansvar for å gjøre opp for seg. En måte å gjøre opp for seg på er å ta ansvar for det du er dømt for, og bli satt i fengsel. Så har vi hatt et etterslep på kapasiteten her i landet. Mange har et ønske om å få lov til å gjøre opp for seg og begynne på nytt. Den ledige kapasiteten som representanten beskriver, er det viktig for oss å bruke før vi sender folk ut – det er Kristelig Folkeparti helt enig i. Men det er mange flere som venter på å få lov til å sone og begynne et nytt liv, enten i dette landet eller ved å bli sendt ut til dem vi har en

mange av dem er i store interkommunale samarbeid, opptil 12–14 kommuner, og det er store avstander. Det er den eneste akuttenheten uten en egen biltjeneste, uten en egen uniform. Den er delvis preget av en del vikarleger uten særlig kjennskap til Distrikts-Norge. Hvilke tanker har Kristelig Folkeparti om denne viktige delen av

Derfor er Kristelig Folkeparti opptatt av å se på legevaktene, se på hvilken kunnskap som skal være der, hva slags kompetanse som skal være der, og om det skal være krav til en viss størrelse eller ei. For vi tror at noen steder er avstandene så store at det ikke bare kan gå på antall innbyggere, vi er også nødt til å se på hvilken sammenheng legevakten ligger i. Det kan ikke bare være antall folk, det må også være avstand.

Ikke ett ord ofrer de fire kampkameratene i den blå alliansen på folkeavstemningen om kommunereformen som ble gjennomført i 14 kommuner i forbindelse med kommunevalget. Der var det ja-flertall i én kommune, nei-flertall i tolv og uavgjort i én. Ikke én bekymring gjør seg gjeldende hos de fire etter at flere og flere kommuner sier de ikke vil gå videre med Dette gjelder bl.a. Lørenskog og Rælingen i Akershus, som statsråd Sanner pekte ut som eksempel på at dagens kommunestruktur var avleggs. Aremark, Trøgstad, Grimstad, Osen, Randaberg osv. har sagt nei til å gå videre med å utrede kommunesammenslåing. Det samme har vi hørt fra den Høyre-styrte kommunen Bø i Vesterålen. Kommunal Rapports oversikt over framdrift i kommunereformen viser svak fart. 334 kommuner er tidlig i utredningsfasen, og de mangler entusiasme for reformen. Heidi Greni og Senterpartiet sentralt motarbeider kommunereformen, begynner de fire sitt debattinnlegg med. Ja, det er riktig at Senterpartiet motarbeider regjeringens tvangs- og sentraliseringsreform. Senterpartiet vil ha en reform som gir bedre tjenester til folket. Det oppnår en ikke ved å legge ned de kommunene som leverer de beste tjenestene. Senterpartiet er positiv til interkommunalt samarbeid. Statsråden snakker nok en gang i dag ned interkommunalt samarbeid. Er det noen mening i at Trøndelag-kommunene f.eks. skal avvikle interkommunalt samarbeid som vi har felles på arkivtjenester for 40 kommuner, opprette 40 nye byråkrati og tjenester eller 10 eller 20, alt etter hvor mange kommuner det ble. Senterpartiet er glad for at vi både gjennom valgresultatet og gjennom de lokale debattene som nå pågår i kommunene, får støtte for vår motstand mot svekkelsen av lokalt folkestyre og en sentralisering av landet, slik regjeringens kommunereform legger opp til. Kommunereformen kan få store konsekvenser for bosettingsmønsteret om regjeringen får det som den vil. Regjeringsfraksjonens representanter ønsker ikke å snakke om dette, men erfaringer både fra Danmark og fra tidligere sammenslåinger her hjemme viser klart at kommunesammenslåing virker inn på bosettingsmønsteret i kommunene. Danmark, som nylig reduserte antallet kommuner til 98, opplever en sentraliseringsbølge som skaper sterke reaksjoner.

mistet rådhuset, har hatt en befolkningsnedgang, de som har beholdt det, har hatt en befolkningsøkning, altså en sentralisering lokalt. Meg bekjent er dette den eneste rapporten som har evaluert virkninger i alle sammenslåtte kommuner de siste tiårene. Kommunalministeren, som var mottaker av rapporten, har vist liten interesse for å videreformidle det den forteller oss. De mange utredningene om kommunereformen som regjeringen har lagt fram, har unnlatt å ta opp konsekvensene for bosettingsstruktur, næringspolitikk og for folks tilgang til offentlige tjenester, uavhengig av hvor de bor. Kanskje ikke så rart, siden distriktspolitiske målsettinger er ganske fraværende i regjeringens politiske plattform. Det er vanskelig å forstå at Venstre og Kristelig Folkeparti har godtatt støtte til et reformopplegg hvor kommunenes betydning for bosetting i hele landet er fraværende både i regjeringsplattformens omtale og i mandatet som ble gitt det såkalte ekspertutvalget som utredet kommunereformen. Derfor er Senterpartiet imot kommunereformen. Vi er ikke imot reformer i kommunesektoren, men reformene må styrke lokaldemokratiet, gi bedre tjenester til innbyggerne og styrke mulighetene til å ta hele landet i bruk. Det er dessverre ikke regjeringens ambisjon med kommunereformen. Klimatoppmøtet i Paris nærmer seg, og en ting står klart: En avtale er

antar en at global oppvarming bare begrenses til 2,7 grader om verden overholder løftene som er lagt fram så langt – og det er alle løftene som er lagt fram så langt. Historien har jo ofte vist at slike løfter dessverre sjelden blir fullstendig gjennomført. Det er unødvendig å si at dette er svært alvorlig. Hvis vi følger dagens politikk, vil oppvarmingen i år 2100 være på 3,6 med de konsekvensene som det gir. Norge skal samtidig tilslutte seg EUs klimarammeverk for å sikre 40 pst. reduksjon av klimagassene fram mot 2030 både gjennom det europeiske kvotesystemet og gjennom reduserte utslipp i ikke-kvotepliktig sektor. Dette vil sikre reduserte utslipp, kontrollstasjoner på og like rammebetingelser for norsk næringsliv sammenliknet med europeiske konkurrenter. Men Venstre er bekymret for at regjeringen ikke vil ta skrittet helt ut. Selv om vi tilslutter oss en av EUs klimapilarer med 40 pst. reduksjon, viser regjeringen fortsatt ingen vilje til å tilslutte seg EUs tre andre pilarer, som er mer fornybar energi, mer energieffektivisering og kanskje viktigst for Norge, EUs infrastrukturarbeid – et arbeid som tar sikte på langt bedre utveksling av energi mellom land og regioner. Om Norge stiller seg på utsiden av dette arbeidet, er det vanskelig å forstå, all den tid et godt resultat på dette området er bra for klimaet, bra for Norge og bra for norske bedrifter og norsk industri.

Dette er viktige tiltak, kanskje særlig i Norge innenfor transportsektoren. Skal vi nå vår målsetting om 40 pst. innen 2030, må mye tas innenfor transportsektoren. Miljødirektoratet viste i sin rapport fra tidligere i sommer at skal vi nå målet, må tilnærmet 100 pst. av nybilsalget om ti år være nullutslipp, og tungtransporten må være fossilfri innen 2030. Innenfor maritime næringer har vi store muligheter for å ha en innovasjon. Det er bra for norsk næringsliv, hvor vi må ha en omstilling. Elfergene er bare første steg her. Det må omstilling til innenfor norsk industri og næringsliv, Enova og miljøteknologiordningen og andre ordninger er viktige virkemidler. Vi trenger virkelig et stort og reelt grønt skatteskifte og fortsette det vi har startet på i budsjettene tidligere, og vi må gjøre det enklere for folk flest å ta miljøvennlige valg i hverdagen. Det er viktig at man har tro på at det man gjør som enkeltperson, har en reell effekt, og at vi har med oss både enkeltpersoner, industri, organisasjoner og lokale myndigheter i den omstillingen som landet må igjennom. Et annet viktig mål for Norge og verden er å stoppe tap av biologisk mangfold innen 2020. Denne oppgaven er like viktig som å stoppe klimaendringene. Naturen gir oss produkter som mat, medisiner og brensel og økosystemet gir tjenester som rent vann, CO2-binding, pollinering og demping av flom. Vi tar gjerne disse tjenestene som en selvfølge, men de er livsnødvendige for livet på jorda, og de har en enorm verdi. Intakt natur med et rikt mangfold er kort sagt den beste livsforsikringen vi kan gi oss selv og våre etterkommere. Forskere fra FNs miljøprogram – UNEP – estimerer at vi deler jorda med om lag 100 millioner andre arter. Men mangfoldet forsvinner raskt. FNs miljøprogram har estimert at det hver dag forsvinner mellom 150 og 200 arter på verdensbasis – opp mot tusen ganger raskere enn tidligere. Bare i Norge er 2 400 arter på norsk rødliste og dermed truet. Forskere anslår også at 60 pst. av jordas økosystemer er ødelagt bare i løpet av de siste 50 årene. Denne raseringen av verdens sarte økosystemer er et av våre største miljøproblem og må bli tatt på alvor. og må bli tatt på alvor. Vi må ha et helt annet kunnskapsnivå. Vi må stoppe ødeleggende prosjekter som gruveslam i fjorder, og vi trenger i budsjettet for neste år et løft for å ivareta norsk natur. Det blir replikkordskifte. Jeg vil takke Ola Elvestuen for et godt innlegg og for at han brukte mye av taletiden sin til å snakke om naturvern. Naturvern er jo ofte noe som drukner i klimadebatten, og jeg synes han veldig godt framførte hvorfor det er viktig også å satse på naturvern. Naturen bygges jo ikke ned med ett enkelt tiltak, det er summen av ganske mange små tiltak som gjør at naturen er under press. Nå har vi en regjering som har sittet i to år. Denne sommeren kom dommen fra miljøorganisasjonene. På 23 punkter sa alle de store miljøorganisasjonene at denne regjeringen sto til strykkarakter. Da var svaret fra regjeringspartienes representanter her på Stortinget at man skulle kutte i støtten til miljøorganisasjonene fordi de åpenbart var litt late og trege. Mitt spørsmål til Ola Elvestuen er om han er enig i at den samlede innsatsen fra regjeringen på naturvern står til

for å ivareta norsk natur. Vi trenger langt mer kunnskap enn det vi har i dag. Vi må følge opp vanndirektivet, og vi må følge opp med handlingsplaner for truede arter – vi må jobbe på område etter område for å få det til. Vi har et godt samarbeid med regjeringen når det gjelder klimatiltak. Der har det vært et temposkifte de siste to årene, med mange ulike tiltak som må videreføres i budsjettet nå. Når det gjelder klassisk naturvern, trenger vi å få et løft for å ivareta det, ikke bare når det gjelder det som skjer nå, men også for å rette opp manglene fra tidligere år. Replikkordskiftet er slutt. Det er mange utfordringer, men jeg vil nevne de tre største i vår tid. Det ene er klimakrisen og

som vi vet ødelegger livet til folk, men som også ødelegger produktiviteten og økonomisk framgang, både for den enkelte og for samfunn. Det siste er behovene for fred og fordragelighet mellom land og mellom mennesker. Der ser vi jo de store utfordringene vi har i verden nå, med den største flyktningkatastrofen siden annen verdenskrig og også de utfordringene vi har når disse menneskene som må flykte, er nødt til å finne seg et nytt hjem. Dessverre er det slik at regjeringens hovedsatsing, nemlig skattekutt til de mest formuende, de rikeste og dem som arver, løser ingen av disse oppgavene. Det er ikke engang i nærheten av å touche inn på løsningen på noen av dem – tvert imot bidrar de negativt. Jeg skal snakke mest om den siste. Flyktningkrisen er svært alvorlig. Kunne man forutse de utfordringene vi har fått? Ja, man trengte ikke å være en særlig stor spåmann for å skjønne at utfordringene også ved Norges grenser og ved mottak av flyktninger og asylsøkere i landet her ville øke ganske formidabelt utover sommeren og høsten. Derfor har regjeringens håndtering av dette stått til stryk. Og jeg er ganske lei av en debatt der vi snakker om våre problemer og snakker om flyktningene som om de er problemer. De er mennesker i krise. Dette er mennesker som har problemer som er større enn hva jeg tror de fleste av oss som sitter i denne salen, noen gang har stått overfor, og jeg håper vi slipper det også. Vi er nødt til å snakke om dette som det reelle det er, og regjeringen

Men hun står overfor en formidabel oppgave når hennes partileder og finansminister Siv Jensen, som heller ikke er til stede i dag, har tatt til orde for å boikotte kommunenes bosettingsarbeid i den største flyktningkatastrofen vi har etter annen verdenskrig. Hvis man skal tolke dette, får jeg kanskje tolke det sånn at fra nå av er det statsministeren som har tatt hånd om dette. Det håper jeg virkelig, fordi man har hatt denne bosettingsordningen vi har nå, i over 20 år. Den løser ikke oppgavene, og da må man tenke nytt. Vi sendte ut på høring et forslag om dette da vi satt i regjering. år. Den løser ikke oppgavene, og da må man tenke nytt. Vi sendte ut på høring et forslag om dette da vi satt i regjering. Det går ut på at bosettingsarbeid er, som annet arbeid i kommunen, en løpende oppgave kommunene må ha. I forrige uke fikk jeg en melding fra IMDi i Nord-Norge, der det viser seg at de ikke har nok personell til å veilede de kommunene som nå har sagt ja til å bosette flyktninger, men som før ikke har gjort Hvis man får på plass en ordning der kommunene gjør dette løpende, vil de også ha kompetanse og kunnskap om hvordan dette skal gjøres, som en løpende oppgave sånn som andre oppgaver er. Rask bosetting er god integrering. Nå venter mange på å komme på asylintervju oppimot et år og noen lenger. Andre sitter på asylmottak i flere år. Alle vet at folk blir syke av dette. Det hindrer integrering. Det er dårlig bosettingspolitikk. Det å si at mennesker som har opphold i Norge, kan få bosette seg i en kommune er frihet og ikke tvang. Det blir replikkordskifte.
Jeg vil henlede oppmerksomheten på Andersens forslag fra dagens Klassekampen om innføring av tvungen bosetting av flyktninger, i motsetning til dagens ordning med frivillighet for kommunene. Jeg går ut fra at det er det samme representantforslaget som ble fremmet ved møtestart i dag. Etter regjeringsskiftet i 2013 har antallet personer som har blitt bosatt i en kommune, økt kraftig. Bare fra i fjor til i år har Bare fra i fjor til i år har det blitt bosatt 25 pst. flere. Gjennomsnittlig ventetid i mottak er nå 7,5 måneder. For enslige mindreårige er snittiden 2,7 måneder. Dette ligger noe over det som er uttalt målsetting. Det er noe man har oppnådd med forskjellige typer virkemidler, men fortsatt med frivillighet i bunnen for kommunene. representanten Andersen enig i at dette viser at man kan kombinere betydelig økt bosetting i kommunene og frivillighet, og er representanten Andersen enig i at frivillighet for kommunene gir visse fordeler? Vi har hatt det systemet i mange år. Vi hadde det også da SV satt i regjering, så vi prøvde det, og man ønsket å få det til. Det er helt riktig at det er bosatt noen flere nå, men ser vi på tallene for ankomster nå, ser vi at behovet vil være langt over det. Man har ikke fått ned antallet som bor på at behovet vil være langt over det. Man har ikke fått ned antallet som bor på mottak. Det er stabilt, fordi det hele tiden kommer flere. Da er det behov for å tenke nytt om at folk må få komme i gang med livet sitt – for det jeg syns man hopper veldig lett over når man diskuterer dette, er de tunge skadevirkningene av å bli sittende passive på mottak. SVs forslag går ut på at man skal fordele dette mellom kommunene, at man kan forhandle seg imellom – som man gjør i Danmark – men at det er en permanent løpende oppgave som andre oppgaver, og at kommunene skal få full utgiftsdekning for de utgiftene de har til bosettingen. Da er jeg ganske sikker på at integreringen vil gå mye bedre, for da har folk sluppet å sitte på mottak i årevis og bli syke av det. Det er veldig skadelig.

spesielt når me veit kva situasjonen var for statsråd Solveig Horne då ho tiltredde. Då arva ho ei utfordring frå den førre regjeringa med over 5 000 som sat på mottak med godkjent opphald i Noreg, men som ikkje hadde fått ein kommune å busetja seg i. Då er det merkeleg at retorikken er så knallhard som han er, og det er også litt rart at ein framstiller Framstegspartiet som ein del av situasjonen var slik då Solveig Horne tiltredde. Så gjorde ho ein ting som den førre regjeringa ikkje gjorde, nemleg at ho vende seg til alle norske kommunar med ei oppmoding om at dei måtte busetja. Spørsmålet mitt er: Kvifor gjorde ikkje SV det sjølv då dei sat i regjering, og vende seg til alle kommunane? Det er vel ikke til å undres over at man stiller spørsmål ved Fremskrittspartiet når Fremskrittspartiets leder i

SV la fram forslag til en ny bosettingsordning og sendte den på høring da vi satt i regjering. Det er det forslaget vi fremmer på nytt igjen, nettopp fordi vi så at det vi holder på med, ikke holder mål. Folk blir sittende for lenge på mottak, og det systemet vi har, fungerer ikke raskt nok, og vi vet at folk får problemer med integrering når de sitter på mottak i årevis. Så vi så at det problemet var der, og vi har tvert imot gitt Solveig Horne ros for de enkelttiltakene hun har gjort, men problemet her er jo Fremskrittspartiets politikk og ikke de tiltakene.
SV har hatt et stort fokus i dag på klima, på arbeidsledighet og nå også på flyktninger, som jeg synes er viktige problemstillinger i den tida vi er i. Jeg er sikker på at spørsmål om flyktninger og arbeidsledighet kommer til å prege høsten. Jeg har lyst til å utfordre SV, for litt av utfordringen med den økende arbeidsledigheten er jo at mange av dem som mister jobben, er innenfor en næring som SV, og til dels også Kristelig Folkeparti, har vært opptatt av at skal vris i en mer miljøvennlig retning. Når en tenker klimaperspektiv og hvordan en skal møte utfordringene i arbeidslivet, betyr det at mange må rett og slett bytte jobb, ut av en sektor og over i en annen sektor. Noen av løsningene som blir brakt opp, er f.eks. å endre på permitteringsregelverket. I trontalen ble det brukt gode ord om at en må være forsiktig med å ikke låse inne arbeidskraft i sektorer som på lang sikt kan være skadelige, både i et klimaperspektiv og fordi de ikke nødvendigvis kan være lønnsomme på sikt. Hva er svaret til SV for å sikre at en kan omstille i klimavennlig retning, og at en ikke øker arbeidsledigheten når

med midler til både forskning og utvikling og omstilling. I et tidligere replikkordskifte her i dag tok jeg til orde for hvordan kommunene skal kunne drive dette grønne skiftet. Der trengs det også ingeniører og kompetente folk, og et av de forslagene SV har, er at vi må kreve at kommunene har slik kompetanse. Det stilles det ikke krav til i dag, og det er de nødt til å ha, både på grunn av klimaendringer, altså ta klimaansvar, og også på grunn av alle de klimatilpasningene som kommunene må inn i nå fordi ekstremværet gjør det nødvendig. Replikkordskiftet er omme. Mange opplever økt ledighet, og utrygghet skapes for dem som blir rammet. Jeg har selv det siste året vært rundt og besøkt mange som har en

permittert? Det gjelder både unge og godt voksne. Jeg har også sett folk på min fars alder som har opplevd den utryggheten, med en tåre i øyekroken, og som lurer på: Hvordan skal det bli hvis jeg mister jobben nå? Har jeg da muligheten til å komme tilbake? Har jeg muligheten til å komme inn i arbeidslivet igjen? Eller blir jeg, slik som Aftenposten skrev i helgen, en av dem som blir skjøvet over på uføretrygd? Derfor er en av de Derfor er en av de viktigste satsingene for Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen å skape en politikk som medfører arbeid, aktivitet og omstilling. Derfor lanserte vi tidligere i år en ungdomspakke som betyr mer målrettede tiltak rettet inn mot ungdom, flere tiltaksplasser – 1 000 stykker. Vi økte lærlingtilskuddet for fjerde gang, for å gjøre det mer attraktivt for bedrifter å ta imot lærlinger, og vi oppretter 350 nye studieplasser. Vi lanserte et nytt utdanningstiltak for de ungdommene som står uten fagkompetanse – de kan få to år for å få den fagkompetansen som er nødvendig for lettere å komme seg inn på arbeidsmarkedet igjen. Det er konkrete tiltak. Så ser vi av de ledighetstallene som ble presentert på fredag, at den

fordi dette ikke handler om hva vi skal leve av etter oljen, men hva vi skal leve av sammen med oljen i fremtiden. Og hvordan skal vi skape de nye spennende, gode, konkurransedyktige arbeidsplassene? Det er en situasjon som regjeringen tar på det dypeste alvor. Det er også sagt at vi ikke lytter til partene i arbeidslivet. Jeg er svært opptatt av å lytte til partene i arbeidslivet, og vi har lyttet. Derfor hadde vi et møte for kort tid tilbake hvor vi diskuterte bedriftsintern opplæring – og det tok en uke etter at vi satte oss ned sammen med partene – hvor partene, LO, NHO, skisserte tre ting: Det som vil være fornuftig også i omstillingsperspektiv, er å øke bedriftsintern opplæring fra 13 til 26 uker, det er å gjøre ordningen mer kjent, og det er å styre midlene mer inn på de områdene som opplever ledighet. En uke etterpå viser Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen handlekraft. Vi endrer forskriften slik at vi øker fra 13 til 26 uker, vi er i gang med å gjøre ordningen mer kjent sammen med partene i arbeidslivet, og vi er også beredt på å innrette den inn mot de områdene som opplever høyest ledighet. Denne regjeringen har også lyttet når det gjelder permittering. I revidert nasjonalbudsjett forbedret vi permitteringsreglene. Vi har også sørget for at de som blir permittert og har startet på utdanning før permittering, får lov til å videreføre utdanningen sin uten å miste dagpengene. Denne regjeringen lytter til partene. På den måten skal vi lykkes med arbeid, aktivitet og omstilling, sikre nye arbeidsplasser, trygge arbeidsplasser og holde høy sysselsetting og lav ledighet i årene fremover.

og heller ikke i statsbudsjettet høsten 2014, statsbudsjettet for 2015. Men det er bra at regjeringa til slutt har latt seg presse til å gå tilbake til et permitteringsregelverk som gjaldt før regjeringa tok over. Det er altså ikke mer satsing enn som så. Men så har ledigheten i mellomtida steget til historiske høyder. Det er 20 år siden sist vi hadde så høy arbeidsledighet. Ved møtets begynnelse i dag la vår parlamentariske leder, Jonas Gahr Støre, fram et Dokument 8-forslag på vegne av flere som innebærer at vi nå tar i bruk noen av de virkemidlene som vi tidligere har sett virker, nemlig et permitteringsregelverk med 52 ukers varighet og med fem dagers egenbetaling for bedriftene. Mitt spørsmål er: Vil statsråden anbefale sin stortingsgruppe å støtte et sånt forslag?

sette i gang aktivitet, sette i gang omstilling, sørge for mer vedlikehold, sånn at de som jobber i bygg- og anleggsbransjen, har noe å gjøre og aktiviteten holdes oppe, at de som jobber innenfor veisektoren, har noe å gjøre, sånn at aktiviteten holdes oppe. Det vil være et mye bedre virkemiddel for å holde folk i jobb fremfor at de skal gå lengst mulig permittert. Tiltak som denne regjeringen satser på, å få folk i arbeid raskest mulig – derfor målrettede tiltak. Jeg synes det er synd at ikke Arbeiderpartiet selv har kunnet komme med flere midler inn mot vedlikehold og investeringer. Det er ingen uenighet om det å skape aktivitet i en situasjon med lav aktivitet. Det er nettopp det regjeringa har blitt kritisert for ikke å gjøre, og som vi har etterlyst i lang tid. Men nå gjaldt altså spørsmålet mitt permitteringsregelverket. Både arbeidsgiver- arbeidstakersida har sagt at med dagens ledighetssituasjon holder det ikke at regjeringa har gått tilbake til det regelverket som gjaldt i en lav ledighetsperiode fram til regjeringa tok over. Nå er situasjonen spesiell. Jo, det er bedre å gå permittert og ha et forhold til sin arbeidsgiver enn å være helt arbeidsledig. Det er et virkemiddel som er kjent fra før, det er et virkemiddel som vi vet virker, særlig i kombinasjon med muligheten til tilleggs- og etterutdanning, og det er et regelverk som partene etterlyser. Spørsmålet mitt var altså: Vil statsråden anbefale sin stortingsgruppe å støtte vårt forslag om å gå inn for et permitteringsregelverk i en høy ledighetsperiode som vi tidligere har sett har virket? Denne regjeringen er opptatt av,

også opptatt av at man ikke skal skape innelåsningsmekanismer. Vi må huske at det er åtte fylker som nå har en ledighetsnedgang. Da er det viktig at vi sørger for at den arbeidskraften som er tilgjengelig, kan brukes der hvor vi har behov for mer arbeidskraft, fremfor at de blir innelåst og blir gående på dagpenger lengst mulig. Arbeid, aktivitet, er mye bedre enn å gå lengst mulig permittert. Og som jeg sa i mitt forrige svar: Regjeringen har siden vi gikk på for to år siden, vist at man

gjør. Som statsråden sa, er situasjonen sånn at det er omtrent halvparten av fylkene som har nedgang i arbeidsledigheten, men resten har en økning – noen fylker veldig stor økning. Hvordan vil statsråden både målrette tiltakene sånn at en når de fylkene som trenger det mest, og også sikre at de menneskene som har nedsatt arbeidsevne, som i dag er langt unna arbeidslivet og står i fare for å komme enda lenger fra arbeidslivet, får større hjelp til å kunne bli inkludert i arbeidslivet?

en ny og bedre oppfølgingsavtale, flere tiltaksplasser, som vil gjøre at langtidsledige ungdommer og innvandrere lettere får muligheten til å få kompetanse og komme seg inn på arbeidsmarkedet, og at vi får et nytt utdanningstiltak. Så er Nav fullstendig klar over – for de følger situasjonen svært nøye – hvordan ledigheten utvikler seg rundt omkring i landet, og er også beredt til å bruke disse verktøyene, disse virkemidlene, inn mot de områdene der det trengs mest. I tillegg har jeg allerede sendt ut et brev og invitert de åtte største kjedene i Norge til å bli med på en felles arbeidsdugnad for å få flere av de ungdommene som står utenfor arbeidslivet, inn i arbeidslivet. Det møtet vil mest sannsynlig finne sted den 15. oktober. Det er iallfall da de er invitert til å komme på et sånt
det sier ikke så lite: ansvaret både for full sysselsetting hvor folk kan leve av sin arbeidsinnsats, og ansvaret for å legge bedre til rette for inntektsbringende arbeid for folk med delvis arbeidsevne. Dette vil bli Kombinasjonen av en økonomisk liberalisme med fri bevegelse av arbeidsfolk over grensene fører til økende utrygghet i arbeidslivet og at modellen vår forvitrer. Nasjonalstaten må jo ha nødvendige virkemidler for å sikre trygghet i arbeidslivet. Det er en vesentlig begrunnelse for at vi må ut av EØS-avtalen. Men mitt spørsmål går på de mange som har delvis arbeidsevne. Statsråden lovte i en debatt den 7. april i år at det skulle komme nye virkemidler med varig lønnstilskudd, inntil 75 pst. Nav har ikke sett dem. Hvor mange blir positivt berørt av det? For å svare konkret på spørsmålet som Lundteigen Jeg tror Nav har sett dem, for Stortinget gjorde disse vedtakene i mars i år, med ikrafttredelse 1. januar 2016. Så kommer vi tilbake til det i budsjettet når det gjelder omfang, og det budsjettet skal legges frem om to dager. Men de nye lønnstilskuddsordningene – at de som er i fare for å havne permanent på uføretrygd, i realiteten kan få lønnstilskudd på opptil

mange som mistar jobben, og dei skal vi ha tilbake i jobb. Men ein del av dei bør også bli sette i stand til å skape sin eigen arbeidsplass og sin eigen jobb. Det er viktig for økonomien vår, det er viktig for innovasjon, og det er viktig for å skape den gründerkulturen vi alle ønskjer. Ei utfordring for mange av dei er at når dei skal ta valet mellom å vere arbeidstakar, bli tilsett, og vere arbeidstakar, bli tilsett, og å skape sin eigen arbeidsplass, er det ganske ulike rettar involverte. For mange kan ein tape på det å vere sjølvstendig næringsdrivande. Eksempelvis betaler sjølvstendig næringsdrivande ofte meir i skatt, bl.a. fordi dei manglar retten til minstefrådrag. Dei har ikkje like gode frådragsordningar for pensjonssparing, dei har ikkje same rettar til

motivere flere gründere til å skape sine egne arbeidsplasser. Jeg har selv vært ute og sett på et fantastisk tilbud man har blant unge gründere i Stavanger – med vanvittig god knoppskyting. Regjeringen ønsker å legge til rette for disse miljøene slik at flere gründere ser dagens lys og flere tør å satse og skape nye arbeidsplasser for nye folk, men også sine egne arbeidsplasser.

Derfor er det positivt at regjeringen omsider har kommet med en ungdomspakke. Selv om det kommer sent, er det viktig at det kommer noe mer enn moralisering om at ungdom må stå opp om morgenen og møtes med krav – når man står uten tilbud. Ett av de sju tiltakene i ungdomspakken er å gjennomgå garantiordningen for ungdom. ungdom. Da vil jeg minne om SVs forslag om en styrket ungdomsgaranti som skal sikre rett til arbeid, aktivitet eller utdanning innen tre måneder. Mitt spørsmål er: Vil statsråden garantere en styrket ungdomsgaranti i gjennomgåelsen av garantiordningen for ungdom?

innsatsen på tiltaksplasser til ordinært ledige med 50 pst. Det har vært med på, som vi ser nå, å demme opp for og bremse økningen i ungdomsledighet. Så de grepene denne regjeringen allerede har tatt, viser seg å virke. De grepene vi har lansert, vil også virke i tiden fremover. Det har jeg god tro på nettopp med den erfaringen vi har med at de tiltakene vi allerede har iverksatt, har fungert så godt som de har gjort.

vi hadde hele folket i arbeid. Gjennom det tøffeste tilbakeslaget i Europa siden andre verdenskrig hadde den rød-grønne regjeringen styrt Norge med en visjon om å ha Europas laveste arbeidsløshet, og det klarte vi. Én av grunnene var den enorme nyskapingen og omstillingskraften i det norske samfunnet. Under rød-grønt styre økte antallet arbeidsplasser i Norge med 360 000, to av tre i privat sektor. Bak det tallet lå også mange hundre tusen andre arbeidsplasser, som var omformet eller byttet ut med nye. The Economist kalte den nordiske modellen for «The New Supermodel». Sterke organisasjoner i arbeidslivet, godt oppsigelsesvern, brede offentlige velferdsordninger, små forskjeller og en aktiv statlig næringspolitikk viste seg å være godt både for enkeltmennesker og for økonomien og veksten. Omstillingsevnen og nyskapingen i Norge var på sitt sterkeste. Men partiene som overtok i 2013, delte ikke troen på den norske modellen. Tvert imot fikk vi en finansminister som mente at den norske modellen sto i veien for enkeltmenneskene. Modellen måtte endres og nedbygges. Politikken til den nye regjeringen bygde på dette synet: svekkelse av samarbeidet med arbeidslivets organisasjoner, svekkelse av oppsigelsesvern og arbeidsmiljølov, stramme budsjetter og løftebrudd når det gjaldt kunnskap, eldreomsorg og helse, skattekutt for de aller rikeste, forslag om nedsalg av offentlige bedrifter og en passiv næringspolitikk. For mange velgere kom dette som en overraskelse. Da de hadde stemt for såkalte nye ideer og bedre løsninger, visste de ikke at det betydde forslag om å ta sykelønnen fra dem som hadde lavest lønn, ta bilstøtten fra funksjonshemmede, ta barnetillegget fra uføre eller å ta Den kulturelle spaserstokken fra de eldre, eller at halvparten av skattekuttene skulle gå til de 5 pst. rikeste – hundretusener til 50 øre per dag til vanlige folk uten formue. Og hvorfor? Fordi det verken er nye ideer eller bedre løsninger. Det er gamle ideer. I mer enn 30 år har høyresiden over hele den vestlige verden hatt samme oppskrift: skattekutt, nedsalg av statlige eiendommer, privatisering av velferdstjenester. Nå er ikke hovedproblemet at dette er gamle løsninger, hovedproblemet er at de ikke virker. Reklamen var at ja, det ga større forskjeller, de rike ble rikere, men dette skulle ja, det ga større forskjeller, de rike ble rikere, men dette skulle sildre ned over hele økonomien, slik at alle fikk det bedre på sikt. Men det gjorde det ikke, med mindre «på sikt» går utover et 30–40 års perspektiv. I Norge endte eksperimentet på 1980-tallet i en av de verste nasjonale økonomiske krisene, som Gro Harlem Brundtlands regjeringer på 1980- og 90-tallet måtte rydde opp i. I perioden med høyreregjering fra 2001 til 2005 mistet vi titusenvis av industriarbeidsplasser og hadde en rekordlav jobbvekst. Med Høyre i regjering igjen får vi altså den høyeste arbeidsløsheten på 22 år. Det er ikke Høyre og Fremskrittspartiets ansvar at oljeprisen har falt, sier Erna Solberg. Nei, like lite som det var Arbeiderpartiets ansvar at grådigheten på Wall Street ga oss en global finanskrise. Men politikken som iverksettes for å møte krisen, er alltid regjeringens ansvar. Og resultatene av politikken er regjeringens ansvar. Enhver regjering må til sjuende og sist bedømmes på de resultatene man skaper. På ett år har ledigheten steget med nær 40 000. Halvparten av dem er ungdom, og regjeringen står uten svar. Det har ikke manglet på advarsler, det har ikke manglet på forslag til å endre kursen. Det som har manglet, er vilje til å lytte og evne til å handle. Arbeiderpartiet har lagt fram en omfattende liste over det vi mener bør gjøres for å skape arbeid til alle, senest i dag med nye forslag til permitteringsregelverket, en pakke for å få ned ungdomsledigheten, satsing på akseleratorprogram for tidligfasekapital, økt bevilgning til klyngesatsing, få på plass et program for å overføre kompetanse fra petroleumssektoren til andre sektorer, flere studieplasser, flere lærlingplasser, styrket yrkesfagopplæring, satsing på klimateknologi, på fornybar energi og energiomstilling og styrket kommuneøkonomi med mulighet for å framskynde skolebyggoppussing, sykehjemsutbygging og ansettelser i viktige velferdssektorer. I valget i høst ga velgerne klar beskjed:

Arbeiderpartiet har mange forskjellige svar på eksisterende ledighet – en del av dem allerede foreslått og gjennomført av regjeringen. Men partiet har langt færre forslag når det gjelder å skape nye arbeidsplasser. Det som imidlertid forundrer meg mest, er at Arbeiderpartiets svar på ledigheten i sine alternative budsjetter finansieres ved å sende en skatteregning på mange milliarder til nettopp det norske næringsliv som skal skape og investere i de nye arbeidsplassene vi nå trenger. Hvis representanten Giske skal se fremover og ikke bakover, som han gjorde nå i de siste fem minuttene, hvorfor mener han at den regningen er et godt virkemiddel for å få i gang ny virksomhet og nye arbeidsplasser? Nå er det vel godt dokumentert av fagøkonomisk ekspertise at de skattekuttene som Høyre og Fremskrittspartiet har delt ut til de aller rikeste i Norge, har null eller liten effekt på sysselsettingen. Vi har nå brukt rundt 12 mrd. kr av det handlingsrommet vi har på statsbudsjettet, til ting som ikke setter flere i arbeid, men som øker forskjellene i Norge. Meldingene er jo at dette skal fortsette også i 2016. Vi har advart mot det, delvis fordi vi bruker opp oljeformuen vår, som skal komme mange generasjoner til gode, på noe som ikke er samfunnsnyttig, men mest av alt fordi vi trenger disse pengene til å få hjulene i virksomhet. Det er mye bedre å bruke disse pengene på gründersatsing, på teknologiutvikling, på akseleratorprogram, på lærlingplasser, på studieplasser og på på alt det som vi vet bidrar til å bygge kunnskap, omstillingsevne og næringsutvikling i Norge i framtiden. Siden representanten Giske er leder av kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, tillater jeg meg å stille et spørsmål som ligger i den gaten. Arbeiderpartiet og representanten Giske har i den senere tid vært ute og lovet flere lærere i skolen, og de vil innføre en norm for lærertetthet i skolen. Men så har det seg slik at regjeringspartiene, sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre, allerede har bevilget penger til flere lærere i grunnskolen. grunnskolen. Med bakgrunn i at det ikke finnes noen grundig forskning på at økt lærertetthet er det som skal til for å bedre resultatene i skolen, er det også vedtatt at det skal forskes på satsingen. Spørsmålet mitt til representanten Giske er om Arbeiderpartiet vil ha forskningsbaserte kunnskaper om at økt lærertetthet virkelig er det som skal gjøre skolen bedre, eller om Arbeiderpartiet uansett vil vedta en lærernorm, selv om forskningen kanskje vil vise at økt lærertetthet ikke gir det forventede resultatet. Jeg tror vi fra Arbeiderpartiets side, sammen med resten av opposisjonen, var ganske forbauset da vi så statsbudsjettet for 2015 fra som hadde nesten hundre ganger så stor satsing på skattekutt som satsing på grunnskole og videregående skole til sammen – ingenting til tidlig innsats, ingenting til økt lærertetthet og knapt noe til kvalitetsutvikling, utover det som Stortinget har samlet seg om i en etter- og videreutdanningssatsing. Det lærerne i skolen forteller oss, er at økt lærertetthet gir bedre tid til å følge opp hver enkelt elev, og det er feil at denne forskningen sier at dette ikke virker. Det er helt åpenbart at på et eller annet plan innvirker lærertetthet, det er helt sikkert mer læring i et klasserom med én lærer enn med ingen lærere. Så er spørsmålet: Hvor går denne marginen? Men det skolen selv forteller, er at skal de følge opp hver enkelt elev på en skikkelig måte, er det gjerne bra med etter- og videreutdanning, gjerne bra med studiepoeng, men først og fremst er det viktig å ha nok lærere, slik at man har tid til å se den enkelte, veilede den enkelte og hjelpe den enkelte akkurat der den eleven trenger hjelp. Jeg registrerer at representanten er svært opptatt av skatter og avgifter og det at regjeringen, sammen med samarbeidspartiene, har klart å redusere dette, og da lurer jeg på hvilke skatter og avgifter Arbeiderpartiet vil øke dersom de kommer til makten igjen. Men det er ikke det mitt spørsmål går på. Jeg ønsker fremdeles svar på det forrige spørsmålet, for dersom representanten er så skråsikker på at det finnes entydig forskning som viser at lærertetthet er det som skal til, så er han faktisk en av de utvalgte som vet akkurat dette. Så mitt spørsmål er fremdeles: Vil Arbeiderpartiet og representanten Giske hensynta grundig forskning som går på økt lærertetthet, om det er det som skal til i skolen, eller stiller representanten med et åpent sinn om det kan være andre saker som må til i skolen for at elevene skal få bedre utbytte?

Lærerne selv sier veldig tydelig at økt lærertetthet er det som best gjør dem i stand til å følge opp elevene bedre. Elevorganisasjonen sier at de ønsker økt lærertetthet. Når foreldre – velgerne i Norge – blir spurt om de viktigste satsingene på skole, svarer de også mindre klassestørrelse, altså økt lærertetthet. Så registrerer jeg at Høyre og Fremskrittspartiet mener at både lærerne, elevene og foreldrene i Norge tar feil om hva som skaper en bedre skole. Vi velger altså å lytte til disse. Når én av fire elever i skolen slutter før de har fullført videregående, må vi gjøre noen nye ting. Hvis vi fortsetter med den samme politikken som før, kommer vi til å få de samme resultatene, og våre elever fortjener bedre. Regjeringa har i samarbeid med Venstre og

Betyr dette også ny og forsterket omstillingsvilje i klimavennlig retning fra Arbeiderpartiets side? Jeg vet ikke helt hvor man skal begynne å svare på det spørsmålet, fordi premisset i spørsmålet er fundamentalt galt – det har ikke skjedd noe taktskifte i klimasatsingen etter regjeringsskiftet. Tvert imot er det jo opposisjonen som på mange miljøområder har drevet fram en satsing på bl.a. elektrifisering, grønn satsing, klimasatsing. I forrige periode var jo nettopp et av tiltakene mot krisen, som representanten kjenner godt fra sitt eget fylke, en satsing på ny teknologi, på klimavennlig teknologi. Verftspakken handlet jo bl.a. om at man skulle utvikle nye, grønne dette er et område Arbeiderpartiet har satset mye på, og vil satse mye på. I den pakken som vi har lagt fram mot ledigheten, er en kraftig styrking av klimateknologifond, en kraftig satsing på fornybar energi og en kraftig satsing på bl.a. den maritime næringens grønne slagkraft deler som skal bidra til økt

er også historien om noen av vår nasjons stolteste øyeblikk. Vi temmet vannkraften, og i 1885 fant treforedlingsbedriften Laugstol Bruk i Skien ut at de kunne selge overskuddsstrøm til private husstander. På den måten skapte man en helt annen hverdag for vanlige folk. Med vannkraftrevolusjonen kom også industrieventyrene: Hydro og Elkem, Odda, Glomfjord og Et halvt århundre senere, lille julaften i 1969, kom nyheten om funnet av Ekofisk-feltet, et felt som alene har gitt Norge over 2 000 mrd. kr i inntekter og representerer starten på en næring som i dag sysselsetter 300 000 ansatte og lærlinger. Norsk olje- og gassindustri er i verdenstoppen innen innovasjon og nyskaping. Den teknologien denne næringen har utviklet over tiår, vil være avgjørende for de neste skrittene i vår historie, akkurat slik som teknologien vi hadde tilegnet oss for å bygge store demninger, var avgjørende kunnskap for å bygge oljeplattformenes enorme fundamenter. Det har vært og kommer til å fortsette å være helt avgjørende å ha en stat og en politisk ledelse i Norge som forstår de langsiktige grepene som må til for å sikre en videre omstilling av landet. Det er litt overraskende i denne debatten å måtte fortelle sosialdemokrater at også politikk har noe å si i denne sammenhengen. I valget for to år siden, der de borgerlige partiene fikk et massivt mandat til å styre sammen, var nettopp omstillingsevnen og rammevilkårene for å sikre at velstanden i vårt land kan fortsette å vokse, et hovedtema for velgerne. Det kommer det også til å være i valget i 2017. Da oljeprisfallet kom, så trygg lenger. Dette er alvorlig for nasjonen, men aller mest alvorlig er det for den enkelte som blir rammet. En styrke ved norsk politikk – under finanskrisen som rammet for noen år siden, og i det fallet i aktivitet vi nå har sett – er at vi evner å stå sammen om de raske tiltakene som må på plass. Arbeiderpartiet har i stor grad gitt sin tilslutning til regjeringens krisehåndtering, selv om retorikken kan gi inntrykk av noe ganske annet. Det er altså ikke her uenigheten er størst. Uenigheten går på hva som er de langsiktige tiltakene for best å ruste landet for en fremtid der nettopp en uforutsigbar oljepris ikke skal få like store konsekvenser for folk, deres familier og Norge som nasjon. Et avgjørende element for å ruste Norge for fremtiden er en kunnskapspolitikk full av ambisjoner og fri for hvileskjær. Langtidsplanen for forskning, en ny struktur og ny finansiering av høyere utdanning-sektoren og satsing på studentvelferd og studentboliger er alle grep for en På denne måten utvikler vi en høyere utdanning-sektor som både gir god utdanning og kompetanse til det brede lag av befolkningen, og utvikler universitetsmiljøer i verdenstoppen. Vi skal fortsette å ruste skolen med tidlig innsats og et velfortjent løft for dem som betyr aller mest for elevenes læring. I dag er det lærernes dag, og det er grunn til å sende en gratulasjon fra Stortingets talerstol ut i de tusenvis av klasserom og lærerværelser i dette landet. Den jobben våre lærere gjør hver dag, er uvurderlig. Du finner ikke den økonom som kan gå inn i et klasserom og regne seg frem til hvem der som om 20 år blir Norges største arbeidsgiver. Det er ingen formel man kan bruke som gjør at vi kan finne ut hvem av seksåringene som denne høsten startet på skolen, som i fremtiden finner kuren for en sykdom som har plaget og tatt livet av altfor mange mennesker over altfor lang tid, eller hvilken liten kjemiker på jenterommet som før vi aner det, løser klimakrisen én gang for alle. Det er umulig å vite hvem disse er, for det er ikke forutbestemt. Det er derfor det å ha en skole som ser hver enkelt og gir alle elevene muligheten til å strekke seg så langt man kan, er avgjørende, ikke bare for at den enkelte skal kunne realisere seg selv,

siden. Det er ikke første gang vi hører dette fra Høyre, og vi har hørt det fra representanter fra regjeringspartiene her i dag også. Arbeiderpartiet er enig i etter- og videreutdanningsløftet. Men Arbeiderpartiet mener at det også trengs noe mer – det trengs flere lærere. Vi lytter til lærerne, som sier at de trenger mer tid til å hjelpe elevene til å nå sine mål. Hvorfor er representanten Asheim, Høyre og regjeringen så opptatt av å slå fast at det må være en motsetning mellom bedre lærere og flere lærere?
Det er vi ikke opptatt av i det hele tatt. Det er slik at med denne regjeringen er det et rekordhøyt søkertall til lærerutdanningen. Vi bruker også penger på å bygge ut antall læreplasser i lærerutdanningen. Det er ikke noe vi gjør for at de ikke skal ansettes i skolen etterpå. Sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre bruker vi 0,5 mrd. kr på å øke lærertettheten på 1.–4. trinn, og vi følger opp med penger for å forske på hvilken effekt dette faktisk har. Men vårt poeng har vært at vi er mot en lærertetthetsnorm, og jeg er litt kritisk til å få dette spørsmålet fra – av alle – Arbeiderpartiet, et parti som gikk til valg på å være mot en norm. Nå sier de at de er for en form for norm. Men i valgkampen stilte vi altså spørsmål om igjen og om igjen: Er det på kommunenivå, er det på skolenivå, hvor mange flere lærere er det faktisk snakk om? Jeg sier helt tydelig: Vi ansetter flere lærere, men det viktigste er at de lærerne vi har i skolen, nå får det kompetanseløftet de i åtte år etterspurte under den rød-grønne regjeringen. En tredobling av det kompetanseløftet gjør også at de får det faglige påfyllet de har krav på. Men spørsmålet tilbake til Arbeiderpartiet må være: Hva betyr den normen som de har gått til valg på, men nekter å konkretisere? Vi befinner oss her og nå, og vi Vi kan godt diskutere historien, og vi kan også diskutere tidligere rød-grønne statsbudsjetter, men faktum er at i den rød-grønne tiden ble det foreslått og bevilget penger til 6 700 studieplasser innenfor lærerutdanning. Så langt hos dagens regjering har det ikke vært noen. Det er lærernes internasjonale dag i dag, og jeg skjønner at det er vanskelig å diskutere antall lærere. Men la oss heller da diskutere det det egentlig handler om, og det er tid. Hvilke konkrete forslag i statsbudsjettet som blir framlagt i morgen, vil regjeringen komme med når det gjelder å gi lærerne bedre tid – det de har sagt at de trenger – for å hjelpe elevene til å nå sine mål?
For det første skal representanten få litt mer tid, for statsbudsjettet kommer på onsdag og ikke i morgen. For det andre er det slik at jeg naturligvis ikke – og dette har jeg lært på kurs – kommer til å lekke fra statsbudsjettet om dette. Dette blir spennende å se på onsdag, når statsbudsjettet legges frem. Men så er det altså slik at selv om representanten Tynning Bjørnø og Arbeiderpartiet ikke vil snakke så mye om historien, synes jeg den er ganske relevant for å se på hva slags skole vi overtok, og hvorfor vi gjør de grepene vi nå gjør. Faktum er at lærerne i alle disse årene etterlyste et lærerkompetanseløft, som vi nå har tredoblet satsingen på, sammenlignet med hva den rød-grønne regjeringen gjorde. Det har vært kjempeviktig. Hvis man skal ha respekt for lærerne på verdens internasjonale lærerdag, må man også ha respekt for den profesjonen det er å være lærer. lærer. Derfor er jeg veldig kritisk til en idé om f.eks. å øke tettheten, noe som kan bety langt flere ufaglærte inn i skolen, i stedet for å bruke ressursene på å ha respekt for læreren som pedagog. Det betyr også faglig kompetanse for dem som er i

regjeringen ønsker å se på spørsmålet om en ny finansieringsordning for private barnehager og å se dette i sammenheng. Den skal innføres allerede 1. januar 2016. Kristelig Folkeparti mener derfor, og har foreslått, at det er ingen grunn til å sitte og vente til 2020 med bemanningsnormen, men at man må prøve å komme i gang med denne reformen tidligere. Kan representanten Asheim i Høyre være enig i at
for spørsmålet. Noe av det jeg opplever at Høyre og Kristelig Folkeparti står sammen om på Stortinget, er nettopp viktigheten av at barnehager ikke bare er noe man har som et tilbud for at foreldrene skal kunne gå på jobb. Det er faktisk et tilbud som også skal ha kvalitet og innhold. Man har brukt mye tid de siste ti årene på å bygge ut kapasitet. Det har vært en riktig prioritering, men nå handler det om innhold. Vi står sammen om at vi og at vi skal likebehandle de offentlige og de private barnehagene bedre. Jeg tror at representanten og jeg kan være enige om at noe av hovedutfordringen ikke bare er å sette et tall og si et årstall, men faktisk skaffe nok pedagoger og ha den tettheten. Derfor har vi også stått sammen i budsjettet om nettopp å tilby dem som allerede jobber i barnehage, men som i dag er ufaglært, det kompetanseløftet de trenger for å bli faglærte pedagoger i

Innenfor dagens system har regjeringen iverksatt nødvendige og effektive grep. En kraftig økning av nødhjelpen i nærområdene har alltid vært viktig for Fremskrittspartiet, og jeg er glad for at støtten til Syria-flyktningene nå nærmer seg 2 mrd. kr. At Siv Jensen og Erna Solberg har tatt initiativ til en giverlandskonferanse, er både historisk og viktig. Vi må i langt større grad finne løsninger som hjelper flest mulig som er på flukt. Jeg er glad for å tilhøre et parti som har tatt inn over seg at flyktningkrisen ikke kan løses innenfor dagens asyl- og flyktningsystem. Det bør være åpenbart for de fleste at dagens asylsystem er ineffektivt, urettferdig og etterlater millioner av mennesker i den ytterste nød. Bare et par prosent av verdens flyktninger klarer å komme seg til Europa for å søke asyl. De som klarer denne vanskelige og farlige reisen, er også ofte de mest ressurssterke. De svakeste, de som trenger hjelpen aller mest, overlates i altfor stor grad til seg selv. Vi bør ta inn over oss de åpenbare svakhetene i dagens system og diskutere konkrete metoder for å kunne gjøre flyktninghåndteringen mer human. Medmenneskelighet overfor de aller svakeste må være målet, og vi må ta inn over oss at en opprettholdelse av dagens asylsystem i praksis gjør det umulig å hjelpe de aller svakeste. Ressursene bør fordeles ut fra hvem som trenger hjelpen, ikke ut fra hvem som tilfeldigvis makter å sette bena på europeisk jord. Millioner får ikke tilstrekkelig nødhjelp, og bare en liten andel av flyktningene vil noensinne ha økonomi eller ressurser til å komme seg til Europa. Bare i Syria mangler FN over 30 mrd. kr i akutt nødhjelp. Denne enorme nøden hos det store flertallet av de syriske flytningene var bakgrunnen for at Fremskrittspartiet fremmet et forslag i juni om å øke nødhjelpen til Syria med 1 mrd. kr. Fremskrittspartiet ser likevel at vi ikke bare kan øke hjelpen i nærområdene, selv om dette også er et helt nødvendig grep for å redde liv. Det er helt nødvendig å endre et asylsystem som er dysfunksjonelt og grunnleggende urettferdig for mennesker på flukt. Fremskrittspartiet mener at det ikke skal være nødvendig å måtte reise halve verden rundt for å kunne søke beskyttelse. Europa kan heller ikke ta imot hele verdens flyktninger. Målet må være trygghet, sikkerhet og menneskeverd for flest mulig, ikke en dramatisk økning i levestandard for et lite mindretall. Flyktningkonvensjonen av 1951 var opprinnelig en konvensjon med Fram til 1967 var det bare europeere som kunne søke asyl etter Flyktningkonvensjonen. Da tilleggsprotokollen til Flyktningkonvensjonen ble vedtatt i 1967, kunne ingen se for seg de enorme flyktningstrømmene vi i dag ser. Mennesker risikerer i dag livet i håp om et bedre liv i Europa, samtidig som det finnes en rekke trygge land i nærområdene. Resultatet er, som jeg påpekte i stad, at de mest ressurssterke flyktningene har mulighet til å komme seg til Europa, reise forbi en rekke trygge land på veien til Norge og søke asyl her. Samtidig ser vi at verdenssamfunnet ikke har ressurser nok til å bevilge de midlene FN mener er nødvendig for å kunne dekke de mest grunnleggende behov hos 60 millioner mennesker i nærområdene. Ifølge FNs egne tall kan vi hjelpe 13–26 ganger så mange i nærområdene for kostnaden av én flyktning i Norge. Ofte hører jeg harmdirrende motargumenter om at det ikke er mulig å skulle regne på menneskeliv. Jeg mener likevel at det er vår plikt at vi skal redde flest mulig mennesker som er i den ytterste nød. For å gjøre det må vi bruke sunn fornuft og ikke hjelpe de få på bekostning av de mange. Når kvinner og barn sulter fordi FNs matprogram ikke har nok ressurser, handler det om penger. Når 90 pst. av pengene som brukes på verdens flyktninger, brukes på de 1–2 pst. som kommer til Vesten, handler dette om penger. Derfor håper jeg vi kan gå bort fra den fordummende retorikken som mange har valgt å bruke når man diskuterer hvem som skal være snillest i klassen, og begynne å se på hvordan vi kan redde flest mulig menneskeliv. Alle kan se at dagens system ikke takler de enorme utfordringene vi nå står overfor. Derfor er jeg glad for at mange land har startet en grunnleggende debatt om hvorvidt dagens asylsystem vil være bærekraftig, noe jeg mener det ikke er. Fremskrittspartiet er opptatt av å finne løsninger. En løsning for mer rettferdig ressursfordeling kan være en regionalisering av asylinstituttet. Jeg håper flere tar del i denne viktige debatten om hvordan vi skal reformere asylinstituttet på sikt.

der bilete og filmar av seksuelle overgrep blir selde og delte på Internett. VG møtte nordmenn som sel og deler slike bilete på nettet og er med på å skape og halde ved lag ein marknad for overgrep mot barn. I vår raud-grøne regjeringstid styrkte me Kripos, me skjerpa straffene, og me etablerte barnehusa. Eg lurer på kva Leirstein meiner er er dei tre viktigaste tiltaka som justisministeren har innført dei to siste åra for å redusere den marknaden som finst for overgrep mot barn, og kva representanten meiner me må gjere vidare for å forhindre dette. De fleste av oss – jeg tror alle – blir veldig opprørt når man ser det som VG har avslørt, og det er ikke første gang det skjer at man avslører den type kriminelle ringer som utnytter barn. barn. Vi som er foreldre selv, blir jo helt satt ut av at mennesker kan holde på sånn som man holder på. Det var også ganske sjokkerende å se hvor «lett» VG kom fram til dette, mens politiet ikke har funnet de samme menneskene. Mye av dette handler selvfølgelig om ressurser. Derfor er jeg veldig glad for at vi tverrpolitisk er enige om at vi må ha økte ressurser til politiet og etterforskningskapasiteten for å kunne håndtere den nye type kriminalitet, som i veldig stor grad også er nettbasert. Det andre er at vi må åpne for flere i politiet med annen type bakgrunn, som har bl.a. IT-kompetanse. Og for det tredje, som jeg også er glad for at justisministeren og dagens regjering og vi tverrpolitisk har vært enige om, har det vært å styrke også barnehusene og den type oppfølging. Det har vi vært veldig enige om at vi skal gjøre. Jeg håper også at regjeringen følger opp det videre på onsdag, når statsbudsjettet kommer. Så det er gjort mye bra, men jeg ser fram til videre godt samarbeid om dette. Jeg vil fortsette i samme spor når det gjelder å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn. Representanten

Vi vet at det er store mørketall, samtidig som vi ser at stadig flere blir avslørt, flere avhør blir tatt, flere saker blir løftet fram for domstolen. Det er bra. Men sammen sier vi også at vi erkjenner at situasjonen i dag ikke er god nok – vi har et stort steg for å komme opp på det nivået vi bør være. være. Der er saken grei. Men så ble jeg litt skuffet da jeg hørte trontalen, der opptrappingsplanen for å bekjempe vold mot barn ikke ble nevnt. Når en snakker om store visjoner for det neste året, har jeg i hvert fall sett fram til behandlingen av nettopp denne opptrappingsplanen, som jeg tror kan bety enormt mye, og det blir store beløp når en snakker om det tverrpolitiske og de forskjellige sektorer som en må jobbe på. Hva tenker representanten Leirstein om at opptrappingsplanen ikke ble nevnt? Er det dårlig nytt for undertegnede? Nå er det slik at vi sammen har gått inn for en opptrappingsplan. Trontalen er ikke jeg ansvarlig for – det er det sikkert mange som er glad for – men jeg er ansvarlig for det vi eventuelt får til på justisfeltet i justiskomiteen, i godt samarbeid også med Kristelig Folkeparti. Hvis det ikke er noe bra fra regjeringen på onsdag – jeg håper selvfølgelig at det er det men jeg er ansvarlig for det vi eventuelt får til på justisfeltet i justiskomiteen, i godt samarbeid også med Kristelig Folkeparti. Hvis det ikke er noe bra fra regjeringen på onsdag – jeg håper selvfølgelig at det er det – og vi må forsterke det, regner jeg med at vi skal klare å få gjort også det i justiskomiteen. Vi er veldig samstemte, ikke minst regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti og Venstre i justiskomiteen, om å styrke det feltet. Jeg opplever at det er en stor velvilje også fra resten av opposisjonen på det området. nett var tydelig på at han skulle ta med inn i budsjettdrøftingene å få økte ressurser til feltet, så jeg regner med at dette blir ett av de punktene som kommer på kravlisten fra Kristelig Folkeparti. Men dette er et viktig område som jeg tror vi alle er ganske enige om. Replikkordskiftet er over. Den 14. september valde det norske folk sine lokale kommune- og

Men i løpet av den tida kan Noreg inngå avtalar som sterkt vil avgrense dei lokale folkevalde sine moglegheiter til å styre kommunane og fylkeskommunane til beste for sine innbyggjarar. Som Senterpartiets parlamentariske leiar viste til, finst det ei rekkje døme på at investeringsavtalar med ISDS-mekanismar går til åtak på demokratiet på nasjonalt nivå. Men det er ikkje berre her ein kan få åtak. Denne typen investeringsavtalar råkar òg demokratiet lokalt og regionalt. Etter at Buenos Aires tok attende forsyninga av vatn i kommunal regi, vart Argentina dømt til å betale 405 mill. dollar i erstatning til det franske selskapet Suez. Kva skjer den dagen eit kommunestyre vil ta attende ulike tenester i offentleg regi? Kva vert konsekvensane om dei innfører nye reguleringar for å ta vare på miljøet eller innbyggjarane sine arbeidsrettar? Vil dei ha lov til det? Kor mykje vil dei måtte betale i erstatning fordi ein bryt prinsippet om «føreseielege rammevilkår»? Konsekvensane av både TISA-avtalen og dei bilaterale investeringsavtalane regjeringa vil innføre, er uklare. Mellom anna LO har skjønt dette. Difor skriv LO i sitt høyringssvar til stortingsmeldinga om handel og globalisering at dei utviklingstrekk me har sett dei siste åra med investor–stat-tvisteløysingsmekanismar, gir god grunn til bekymring. LO kan difor ikkje støtte innføring av ei ISDS-løysing i det norske rammeframlegget til bilaterale investeringsavtalar. Det vert interessant å sjå om Arbeidarpartiet vil støtte LO si vurdering i dette spørsmålet under Stortingets handsaming av meldinga. Den 5. november 1975 var det i denne salen ein avgjerande debatt for utviklinga av Noreg. Då drøfta ein korleis Noreg skulle Skulle me sikre nasjonal kontroll med dei? Skulle me gjennom politisk styring sikre at ressursane kom heile folket til gode? Òg den gongen hadde me marknadsliberalistar som ikkje hadde noka tru på regulering eller politisk styring. Carl I. Hagen gjekk imot at Noreg skulle nytte oljeressursane på ein strategisk måte. Han kunne då, på vegner av Anders Langes Parti, fortelje: «Vi foreslår derfor å selge rettigheter som Statoil har bl.a. i Så vidt vi har undersøkt er det i dag ikke noe problem å selge rettigheter for 10 milliarder kr.» Då Noreg fann olje, hadde me framsynte og visjonære folkevalde som ville nytte ressursane til å byggje landet og sikre god velferd til det norske folk. Nasjonale strategar som Finn Lied og Jens Evensen såg at me gjennom politisk styring måtte sikre nasjonale arbeidsplassar. Heldigvis var ikkje Noreg bunde av nokon TISA-avtale. Me hadde nasjonalt politisk handlingsrom til å byggje opp norsk produksjon. Historia eg fortel, er ei suksesshistorie. Det er ei historie om hardt arbeid og politisk leiarskap. Men ville denne historia ha vorte til om Noreg den gongen hadde vore bunde av TISA-avtalen eller av bilaterale investeringsavtalar etter regjeringa sin modell for investeringsavtalar? Det er eit stort spørsmål. Dei bilaterale investeringsavtalane som regjeringa har føreslått, vil forhindre statar i å stille krav som innskrenkar den kommersielle fridomen til investoren. Kva betyr det? Jo, det betyr m.a. at utviklingsland ikkje skal kunne krevje bruk av lokal arbeidskraft eller lokale råvarer. På same måten som Noreg verna eigen industri og gav titals tusen nordmenn moglegheit til å finne arbeid i ein ny industri, vil me no hindre at andre land kan gjere det same. same. Det tek tid å byggje kunnskap og kompetanse. For å gjere dette må utviklingsland verte gitt rom til å beskytte eigen industri. Dette gjer dei m.a. nettopp ved å stille krav til at utanlandske føretak skal nytte lokal arbeidskraft eller lokale råvarer. Utanriksministeren har sjølv skrive i eit av sine mange svar til meg om TISA at ein av dei store fordelane med TISA er at ein kan nekte dei andre TISA-landa å stille krav om lokal medeigarskap, eller nekte dei å setje ei grense for utanlandsk eigarskap i tenestenæringar. Regjeringa hevdar sjølv at WTO er hjørnesteinen i norsk handelspolitikk. Like fullt er me no ein aktiv pådrivar for ein avtale som underminerer WTO som forum for nye handelsavtalar. Grunnen til at ein ikkje tek desse forhandlingane i WTO, er sjølvsagt at mange land, spesielt utviklingsland, har nytta vetoretten sin til å ta vare på interessene til sine borgarar. No går ein rundt WTO og legg dermed eit press på utviklingslanda til å slutte seg til ein avtale dei elles kunne ha stansa. Det er vanskeleg å få gode svar på spørsmål om TISA. No er tida inne for openheit og opne prosessar kring denne avtalen. Det blir replikkordskifte. Investeringsavtaler og handelsavtaler er

USA. Investeringsavtaler er en viktig del av det. Det finnes i dag nærmere 3 500 investeringsavtaler rundt i verden. Norge har nesten ingen. Det det dreier seg om, er å gi norsk næringsliv en beskyttelse ute når de skal ut på den internasjonale arena. Det er nesten uforståelig at Senterpartiet kan være så mot at handel faktisk er basisen for velferd. velferd. Vi må ha et næringsliv som tør å være der ute for at vi også skal kunne støtte de deler av næringslivet som Senterpartiet ivrer for. Så hvordan kan Senterpartiet være så negative når det gjelder å skape trygghet for dem som er på den internasjonale scenen? Kven skapar ein tryggleik for? Skapar ein tryggleik for dei som eventuelt ikkje får betra sine arbeidsvilkår, sine arbeidsvilkår, sine moglegheiter til å ha gode standardar for helse og miljø fordi det kan svekkje interessene til globale selskap og investorar? Gir ein fordelar til utviklingsland som vil beskytte sine ressursar, si arbeidskraft og byggje opp sine land på same måte som me har gjort? Ein gjer ikkje det. Spørsmålet vert: Kven skal ein leggje til rette for? Det er òg interessant,

Investeringer over landegrensene er uhyre viktig, og Navarsete er selv del av en allianse som ønsker å diskriminere norsk kapital framfor utenlandsk kapital. Norge er i veldig stor grad skapt av investeringer som kommer fra utlandet. Det gjør det selvfølgelig fordi vi har et godt rettssamfunn i Norge, og man har en trygghet for at investeringene faktisk blir håndtert på en riktig måte. Det er jo det investor–stat-avtaler dreier seg om. investor–stat-avtaler dreier seg om. Det dreier seg om å skape en trygghet også for dem som investerer i andre land enn der man selv eksisterer. Jeg er ganske overbevist om at veien ut av fattigdom for den tredje verden er å tiltrekke seg investeringer. Da er investor–stat-avtaler en helt grunnleggende pilar for at man skal kunne tiltrekke seg investeringer. Så jeg vil gjenta spørsmålet: Hvordan kan Senterpartiet ignorere at hele resten av verden går for mens Norge altså skal sitte utenfor, som et av de landene som har best forutsetninger for å investere andre steder? For det fyrste går ikkje heile verda for investor–stat-avtalar. Det er ein grunn til at WTO ikkje kom i land med sine rundar, nettopp fordi utviklingslanda ikkje ville ha denne type avtalar. Dei vil òg ha moglegheit til å beskytte sin industri, beskytte sine nasjonale interesser, til liks med andre. Kven som vert diskriminert, kan ein diskutere, for ISDS-mekanismar i investor–stat-avtalar vil jo gjere at utanlandske selskap kan gå til sak mot den norske stat. Men det kan ikkje norske selskap gjere, så dette vil ikkje i så fall bidra til at norske selskap vil

men det er også noen eksempler på at stater taper. Men det er jo sånn i en rettsverden at man har et visst regelverk å forholde seg til, og det er det vi diskuterer nå. Skal man ha et internasjonalt regelverk som også gir en viss beskyttelse for investorer når man investerer i andre land? Mener Senterpartiet at det er behov for en viss trygghet når man skal investere i andre land?
Ja, me vil gjerne sjå til at det er tryggleik og gode internasjonale køyrereglar. Derfor ynskjer me at WTO skal vere den instansen som forhandlar fram det på eit nivå som gjer at òg utviklingsland vert høyrde. Det som no skjer, er at dei store, dei rike går føre, og det vil true utviklingsland til å følgje etter. ISDS-mekanismar vil ikkje tilgodesjå utviklingsland på den måten som regjeringa i tilgodesjå utviklingsland på den måten som regjeringa i regjeringserklæringa si hevdar at det vil gjere. Tvert imot vil det føre makt frå folkevalde organ over i lukka styrerom. Det er lukka prosessar. Rettssakene som går, er òg lukka. Det er umogleg å få innsyn, det er veldig vanskeleg – WikiLeaks kjem med litt informasjon, elles er det nesten umogleg å få innsyn. Australia er saksøkt av tobakksgigantar. New Zealand ville innføre åtvaring mot røyking på tobakkspakkar, men gjer det ikkje av frykt for å verte saksøkt. Dette vil òg endre den politiske dagsordenen. Politikarar tør ikkje fatte viktige vedtak i frykt for å verte saksøkte. Dette med åpenhet er også et veldig lettvint argument å gripe til. Jeg mener at det er så stor åpenhet rundt mye av dette som det overhodet kan være. Man kan bare søke på bl.a. regjeringens nettsider for å finne all den informasjonen man ønsker. Senterpartiet og Navarsete mener altså at sånn som nå, hvor man er enige om TPP, vet ikke alle de landene som sitter rundt Stillehavet sitt eget beste, de skjønner ikke at det egentlig er de rike landene som bare ønsker å utnytte de fattige. Jeg tror ikke det. Jeg tror det er en verden som ser at man bygger velferd, og man bygger også fred, ved å utvikle gode handelsforbindelser. Det er egentlig utviklingen et veldig godt bevis for. Så jeg vil igjen appellere til Senterpartiet om at man tenker seg om. Det næringslivet vi ønsker å støtte opp under i Norge, trenger denne type avtaler. Trur representanten at det er tilfeldig at millionar av menneske protesterer mot denne typen mekanismar i Er folk flest dumme? Trur ein dei faktisk ikkje veit at det er sterke næringsinteresser og lobbyister som køyrer dette løpet? Det er ikkje vanlege folk sine interesser som er varetekne, det er store globale selskap som køyrer løpet. Det veit representanten veldig godt. Det er dei som «lobbyerer» fram, det er dei som får gjennomslag, og makt vert flytta frå nasjonalforsamlingar og frå folkevalde organ over i lukka styrerom. Det er det ISDS handlar om.

det mest, og mindre for oss som kan og bør klare oss selv. Det reduserer reell omfordeling fra dem som har, til dem som ikke har. Når alle skal få, får alle litt mindre. Gjennom denne høsten har vi hørt kritikk fra Arbeiderpartiet om at Høyre og Fremskrittspartiet gjør for lite, for sent, når det gjelder omstilling og arbeidsledighet. Det er, for å si det forsiktig, spennende fra et parti som for under et år Så sent som i desember i fjor gikk Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson til angrep på Høyre og Fremskrittspartiet med at regjeringen spilte «upopulært, men nødvendig»-kortet når det «overhodet ikke var grunnlag for det». I sitt alternative statsbudsjett for 2015 skriver Arbeiderpartiet endog at regjeringen har lagt fram de mest ekspansive budsjettene i nyere tid. Regjeringen gjorde altså for mye, for tidlig. Og regjeringen gjør helt riktig mye, men ikke et øyeblikk for tidlig. Den rød-grønne arven var en velferdsstat som ikke er bærekraftig på sikt. Mangel på omstilling og prioriteringer bidro til økt oljeavhengighet. Todelingen av økonomien vises bl.a. gjennom at det i 2012 ble investert 200 mrd. kr årlig i petroleumsnæringen, mot 20 mrd. kr på fastlandet.

Samme måned holdt Arbeiderpartiets leder sin landsmøtetale. I den ble behovet for strukturell omstilling avfeid med at omstilling er noe folk opplever på jobben hver dag. Arbeidsledighet ble ikke nevnt med et ord. Det eneste konkrete forslaget i forbindelse med omstilling var å reversere regjeringens endringer av arbeidsmiljøloven. Representanten Gahr Støre gjentok begge deler i sitt innlegg i dag. Fra et parti som ellers alltid mener at endringer aldri er tilfeldig, høres det ut som om de har en sterkere laissez-faire-holdning til omstilling enn meg – og det sier ikke så lite. Omstilling ble altså betegnet som et politisk skalkeskjul for endringer Norge ikke trenger. Først i august kom Arbeiderpartiets tiltaksplan med krav om tiltak regjeringen mer eller mindre allerede er i gang med: økt lærlingtilskudd, flere tiltaksplasser og bedre oppfølging av ungdom hos Nav. Det Arbeiderpartiet etterlyser i tillegg, og som jeg vil advare mot, er å øke permitteringstiden fra 30 uker til et helt år. Jeg tviler ikke et øyeblikk på at arbeidsgivere gjerne vil overføre kostnaden for å låse arbeidstakere inn i en usikker livssituasjon over på skattebetalerne gjennom permitteringer på Nav. Men arbeidstakerne vil oppleve å få lønnen sin halvert i inntil ett år, samtidig som lån på huset skal betales og mat skal settes på bordet, uten noen garanti for at de får jobben sin tilbake.

I stedet må vi legge til rette for et mangfoldig privat næringsliv for å få den omstillingen vi trenger. Da hadde det vært en begynnelse å legge vekk den fordummende retorikken om skattelettelser til de rike, når det handler om å utløse investeringsvilje og trygge norskeide arbeidsplasser. Brede skattelettelser gjør det mer lønnsomt å investere, skape nye arbeidsplasser og øke produktiviteten. Dette igjen gjør det Det siste er viktig for å sikre den langsiktige bærekraften for velferdsstaten. Da bør vi nettopp gjøre det mer lønnsomt å arbeide. Regjeringen skal håndtere den langsiktige omstillingen og den kortsiktige usikkerheten samtidig. Da er det viktig ikke å gå for kortsiktige løsninger som hindrer den langsiktige omstillingen, men å satse på arbeid, aktivitet og omstilling, slik regjeringen har vist at den allerede gjør og vil fortsette med å gjøre.

seg om så mye mer enn bare bygging av konkrete prosjekt. Vi har nå økt tempoet i veibygging og annen infrastruktur, ikke minst fordi vi vil øke konkurransekraften og -evnen til næringslivet. Vi vil utvide bo- og arbeidsregionene, noe jeg er sikker på at representantene fra Senterpartiet tiljubler ekstra. Vi øker trafikksikkerheten med trygge og sikre veier å kjøre på for å ruste Norge for framtiden. La meg ta en liten oppsummering av det som nå har blitt vedtatt og igangsatt, særlig med tanke på at representanten Gahr Støre etterlyste prat om reformer, som jo var det store temaet ved forrige trontaledebatt. Jernbanereformen: Jernbane-Norge får nå en hensiktsmessig styringsstruktur der vi skiller mellom myndighets- og produksjonsoppgaver. Jernbanen skal bygges ut raskere, og tilbudet skal bli langt mer rettet mot kundens behov. Vi vil slippe til alle gode krefter i både privat privat og offentlig sektor for å gjøre jernbanen bedre. Midler til nye togsett, nye lysanlegg og flere krysningsspor er bare noe av det vi nå ser kommer. Mer gods fra vei til bane er et satsingsområde hvor lange godstog skal få muligheten til å transportere gods når det er mest hensiktsmessig for kunden og markedet. Likeens må vi få mer gods over på kjøl. Men uansett hvordan vi lykkes på bane og sjø, så må det bygges vei. Ja, det er alltid fint og flott å kunne igangsette nye prosjekt om det er på vei eller bane, men det som denne regjeringen også har klart, det er å redusere vedlikeholdsetterslepet etter mange tiår hvor dette har fått lov til å vokse år for år. Dette gir bedre trafikksikkerhet på veiene og ikke minst punktlige tog. Denne regjeringen tar trafikksikkerhet på alvor. Det gjøres en lang rekke tiltak for å gjøre veiene trygge. Flere midtrekkverk og ikke minst forsterket midtoppmerking er prioritert, og jeg er sikker på at mange som nå lytter til debatten, har kjent på følelsen av et nytt rumlefelt på veien de bruker daglig. Statens vegvesen legger nå opp til en betydelig innsats når det gjelder utbedring av sideterreng, veibelysning, kurvatur- og kryssutbedringer og ikke minst rekkverk. Gjennom økte bevilgninger og klare prioriteringer har Statens vegvesen i samarbeid med andre etater firedoblet kontrollen av vogntog – som igjen har ført til en femdobling av antall trailere som får kjøreforbud. Det er klart at det får konsekvenser. At vi nå ser resultater ved at antall ulykker reduseres, er ikke overraskende. Bedre veier gir færre ulykker, selv om farten øker. Ulykkestallene på veiene fra 2014 og fram til nå er faktisk de laveste vi har sett siden 1950-tallet. Vi kan gjøre ytterligere for trafikksikkerheten ved å legge til rette for en modernisering av den norske bilparken, som er en av Europas eldste. Det er betenkelig at avgiftspolitikken legger en så høy beskatning på sikkerhet, nå jobber regjeringen med en full gjennomgang av bilavgiftene. Det skal lønne seg å kjøre sikre biler, og det skal lønne seg å kjøre familievennlige biler. I disse dager legges også siste hånd på verket for en bompengereform, hvor vi vet at færre bomselskaper gir mindre byråkrati og lavere finansieringskostnader. Effektene skal komme alle bilistene til gode gjennom lavere bomtakster eller kortere betalingstid aller helst begge deler. Selvfølgelig hadde mange av våre fremskrittsparti-velgere en forhåpning om at Stortinget ville se at ved å bruke mer penger på samfunnsbygging som vei, bane osv., ville vi få fire ganger så mye igjen til innbyggerne som ved å investere i utenlandske aksjer, som strengt tatt fort kunne ha gitt oss dårlig avkastning. Det begynner å bli en stund siden det gikk opp for meg at politikkens verden skiller seg sterkt fra logikkens verden. Men et solid flertall på 83,7 pst. stemte på andre partier, dvs. at nevnte flertall stemte for bruk av bompenger, for skyhøy importavgift på biler, for Europas dyreste drivstoff og ikke minst en lite gjennomtenkt handlingsregel. Derfor er jeg særdeles glad for at vi har klart å få på plass et samferdselsløft som Norge ikke har sett maken til på lang, lang tid – sammen med Høyre,

mer krevende enn på veldig lenge. Gjennom sin annektering av Krim i mars 2014 og den fortsatte destabiliseringa i Øst-Ukraina har Russland brutt folkeretten og endret sitt forhold til de vestlige land. Vi har tydelig fordømt Russlands handlinger og gitt vår fulle tilslutning til EUs restriktive tiltak. På militær side har vi suspendert hoveddelen av vårt bilaterale militære samarbeid, men vi opprettholder de delene av samarbeidet som vi anser å være viktige for vårt felles ansvar for ressursforvaltning og liv. Vi opprettholder samarbeidet om kystvakt, om grensevakt, om søk og redning og også den åpne linjen og kontakten mellom vårt operative hovedkvarter og nordflåten. Inntil Russland selv endrer sin atferd, vil forholdet til vestlige land forbli krevende. Russlands offensive bruk av militærmakt for å fremme egne interesser bidrar til å vanskeliggjøre forholdet ytterligere. Bruken av militærmakt overfor Ukraina, kombinert med et betydelig løft i militær evne, det store antallet ikke-varslede beredskapsøvelser og store strategiske øvelser i våre nærområder har bidratt til å øke spenninga og bekymringa rundt russiske intensjoner. Også i Europas sørlige nærområder er den sikkerhetspolitiske situasjonen Framveksten av ekstremistiske grupper i Midtøsten og Nord-Afrika er urovekkende. Terrororganisasjonene drar nytte av svake stater hvor kaos, borgerkrig og sekterisk spenning gir ekstremistene gode vilkår. Dette har implikasjoner for regional, europeisk og norsk sikkerhet. Utvikling og stabilitet i hele Midtøsten er truet som følge av ISILs ekstremt voldelige framferd og av Al Qaidas fortsatt omfattende tilstedeværelse i regionen. Samtidig har ISIL og Al Qaida også en målsetting om å ramme vestlige land. Flere tragiske hendelser det siste halvåret har vist denne evnen og viljen. Den forverrede sikkerhetspolitiske situasjonen i våre nærområder og i sør aktualiserer behovet for at Norge tar et større ansvar for egen og alliert sikkerhet. Forsvarets beredskap og operative evne må styrkes. Regjeringa vil komme tilbake til hvordan Forsvaret skal innrettes for å møte dette utfordringsbildet i den kommende langtidsplanen for forsvarssektoren. I Syria rammes sivilbefolkningen av Assad-regimets brutalitet og overgrep fra ISIL og andre terrorgrupper. I forrige uke gikk også Russland inn med direkte militær støtte til Assads regime. Dette kan bidra til å eskalere konflikten ytterligere. Det vi nå ser, er vår tids største humanitære katastrofe, og Norge er blant de aller største humanitære bidragsyterne. Fra 2011 til 2014 bidro Norge med i overkant av 1,8 mrd. kr i humanitær bistand og utviklingsbistand til Syria og nabolandene. I år har vi til nå bidratt med over 1,4 mrd. kr. Det gjør oss til sjette største giverland, nest størst i forhold til folketallet. Dette tallet vil øke videre neste år, og vi må også ta høyde for behovet for ytterligere midler. Millioner av mennesker er drevet på flukt som følge av den syriske borgerkrigen, som internt fordrevne eller tvunget til å søke tilflukt i naboland eller i Europa. Kriminelle nettverk utnytter den desperate situasjonen disse menneskene er i. Gjennom nyhetsbildet er vi vitne til tragiske scener fra Middelhavet. Regjeringa støtter den pågående Frontex-operasjonen Triton med et sivilt fartøy, Siem Pilot, under ledelse av politiet med sivilt mannskap og støttet av Forsvaret med personell. En vesentlig del av oppgaven til Triton er søk og redningsoperasjoner. Fram til 27. september i år har Siem Pilot tatt om bord 7 281 skipbrudne og 56 omkomne. Regjeringa bestemte den 1. oktober å videreføre det norske bidraget i ytterligere tre måneder fra 1. desember i år, med mulighet for en ytterligere forlengelse. Norge støtter også Frontex-operasjonen Poseidon utenfor Hellas med et sivilt fartøy. Vi merker en markant økning i tilstrømmingen av asylsøkere til Norge. Dette krever en bred offentlig innsats. Justis- og beredskapsdepartementet og de sivile etatene har primæransvaret for å håndtere situasjonen, men Forsvarsdepartementet og Forsvaret har siden august hatt en nær dialog med Justis- og beredskapsdepartementet og etatene. Vi kan være en viktig bidragsyter når det gjelder f.eks. bygninger, materiell, sanitet, som f.eks. soveposer og senger, og transport. Forsvarsdepartementet har vært veldig tydelig på at vi ønsker å bidra, og det blir tatt godt imot av sivile etater. Som følge av anmodningen fra Justis- og beredskapsdepartementet besluttet jeg i forrige uke at Forsvaret bl.a. skal bidra med 500 køyesenger, dvs. 1 000 sengeplasser til mottaket som skal etableres i Råde kommune. Vi forbereder oss også på at situasjonen kan bli langvarig og mer omfattende enn det vi ser i dag. Vi må derfor søke langsiktige løsninger for å kunne ivareta de flyktningene som kommer til Norge.
replikkordskifte. Jeg vil takke statsråden for et godt og perspektivrikt innlegg. Det er ingen tvil om at det er behov for et styrket forsvar i årene som kommer. Det tilsier den internasjonale situasjonen, og vi må også ta større ansvar i våre nærområder. Men jeg vil egentlig be statsråden kommentere mye av det som i salen her i dag i andre diskusjoner, og det har vært det som er denne regjeringas strategi, nemlig alltid å gå til angrep på de rød-grønne, og spesielt Arbeiderpartiet, for ikke å ønske omstilling. Hvis vi ser på de omstillingene som Forsvaret har vært gjennom de siste årene, har de vært ganske omfattende. Da vi satt i regjering, var det ikke slik at Høyre nødvendigvis stilte opp, og i de vanskelige avgjørelsene var de stort sett mot alle omstillinger. Grunnen til at det går ganske bra i dag, er jo at vi har omstilt Forsvaret mye. Så mitt spørsmål er: Er statsråden fornøyd med måten Høyre i opposisjon stilte opp på for omstillingene i Forsvaret, og hvordan vil hun bidra til tverrpolitisk enighet om de omstillingene vi skal gjennom nå? For det første tror jeg vi må være veldig ærlige på at omstillinga Forsvaret har vært gjennom, har vært helt nødvendig, men den har også vært ledet av skiftende regjeringer helt fra begynnelsen av Da vi sist satt med regjering, var vi også nødt til å ta noen ganske tunge og vanskelige grep, som var helt nødvendig for at Forsvaret er der det er i dag. Så gjenstår det utfordringer. Jeg er veldig klar på at det vi nå står overfor, den krevende situasjonen og ikke minst det utfordringsbildet vi ser foran oss, som ikke kommer til å bli mindre i månedene og årene framover, gjør at vi må søke sammen i brede løsninger. Det kommer jeg også til å legge opp til. Vi hadde en god presentasjon fra forsvarssjefen på torsdag, der han la til grunn hva han mener er nødvendig. Så skal vi ha en politisk prosess der forsvarssjefens fagmilitære råd i tillegg til flere andre innspill kommer til å være viktig for hva vi til slutt presenterer for Stortinget, og der ønsker vi som sagt en bred politisk enighet. Nylig kom Institutt for forsvarsstudier ut med en bok som beskriver omstillingen i Forsvaret siden 2000, som viser at på begynnelsen av 2000-tallet brukte Høyre all energi på å være imot omstillingene. Så kom de selv i regjeringsposisjon og ønsket oppslutning fra bl.a. Arbeiderpartiet i Stortinget, og vi stilte opp for omstillinga i Forsvaret, men da man selv satt i opposisjon, var man nærmest mot alt. Så det er veldig viktig nå at vi får en bred enighet, men at også regjeringa tar ansvar på sin vakt. For en ting er å peke bakover og si hva som ikke har fungert før, men det er like ansvarsløst å peke framover og si at alle andre i framtiden skal løse Forsvarets utfordringer. Hva vil statsråden gjøre for å ta større ansvar for å styrke Forsvaret på sin egen vakt? Nå har vi fått et fagmilitært råd som tilsier at man ikke må effektivisere slik statsråden la opp til i forrige års budsjett, med et kutt på over 100 mill. kr. Hva gjør statsråden for å øke Forsvaret og styrke Forsvaret på sin egen vakt? Denne regjeringa og jeg som statsråd har ikke gjort stort annet enn å styrke Forsvaret på vår egen vakt. Vi styrket budsjettet med 3,3 pst. for inneværende år. Det kommer et nytt budsjett på onsdag som også vil vise at vi fortsetter den trenden. Da må vi legge til her at i løpet av de siste åtte årene før vi overtok, var det en budsjettøkning som i gjennomsnitt var 0,2 pst. – i fire år var det realnedgang. Så utgangspunktet var at vi måtte øke relativt mye, og det vil vi se at vi også fortsetter med. Det har vært viktig for oss også å understreke at Forsvaret må fortsette å ta sin del av ansvaret med å bruke pengene mest mulig effektivt. Derfor legger også forsvarssjefen til grunn for sitt fagmilitære råd at det også vil bli reduksjoner i bl.a. stabs- og støttefunksjoner – han foreslår i alle fall det – og man vil effektivisere driften sånn at de pengene vi legger inn til Forsvaret, skal brukes på en best mulig og mest mulig effektiv måte. Det må gjelde for Forsvaret som for alle andre sektorer. Og når forsvarssjefen så tydelig har lagt det til grunn i sitt råd, er det fordi han mener at det fortsatt kan være mulig.
Eg vil òg takke for det gode innlegget. Eg trur det var statsrådens eigne ord at me no har eit krevjande sikkerhetsbilete, m.a. det me no ser, Russlands inntog i Syria-konflikten, og det er vurderinga av det eg ønskjer å utfordre statsråden på. Me har allereie no, òg i Noreg, fått ein debatt om me må godta eit visst samarbeid med Assad-regimet for å vinne fram i kampen mot IS, eller ISIL. Eg vil gjerne utfordre statsråden på kva ho tenkjer om det. Så veit me at andre, m.a. Kai Kverme, som er Midtøsten-forskar, òg har vore tydelege på at så lenge USA og Russland stør ulike partar i Syria, er det vanskeleg å sjå ei avslutning på den borgarkrigen som er i Syria. Så det er eit krevjande bilete. Eg ønskjer å utfordre statsråden på korleis ho vurderer dette. Det er et veldig godt og betimelig spørsmål. Som jeg var litt inne på i mitt innlegg om russisk handlemåte overfor Ukraina, og i Ukraina, er det også på dette området skapt betydelig usikkerhet om hva som er russiske intensjoner. Det gjør også bildet vanskeligere å lese. Det er flere mulige forklaringsfaktorer. Én mulighet er å søke å opprettholde en innflytelse i Midtøsten, det andre er å søke å støtte Assad og Assads regime. Vi skal huske på at våpensalg til Syria har vært en viktig inntektskilde for Russland i mange år og er det fortsatt. Det å trekke oppmerksomhet vekk fra Ukraina kan også være et motiv i tillegg til innenrikspolitiske motiver. Det som er faremomentet etter min oppfatning er nettopp at det som nå skjer, kan bidra til å eskalere konflikten ytterligere fordi man ser at angrepene nå skjer – ut fra det åpne kilder rapporterer, i hvert fall – på langt flere enn ISILs stillinger. Det skjer også mot Den frie syriske hær og andre moderate opposisjonsgrupper, som da kommer til å trekke bl.a. Saudi-Arabia og Tyrkia tettere inn i konflikten for å søke støtte fra dem. Så dette er en meget eksplosiv situasjon, som dessverre kan se ut til å eskalere. Takk til forsvarsministeren for eit, som vanleg, godt innlegg. Forsvaret er Takk til forsvarsministeren for eit, som vanleg, godt innlegg. Forsvaret er inne i ei ny tid med heilt andre sikkerheitspolitiske utfordringar for landet vårt enn det me såg då førre langtidsplan vart lagd fram. Derfor er det vel ikkje heilt relevant, heller, å snakke om budsjettet korkje frå den raud-grøne regjeringa eller frå Bondevik-regjeringa, for ein hadde ein heilt annan situasjon enn det ein no har. Men sjølv i den situasjonen, då det var behov for omstillingar og det vart gjort omstillingar, var ikkje fleirtalet i komiteen i førre periode oppteke av å gjere dei store endringane. Eg måtte setje meg ned og lese innstillinga – det kan alltid vere nyttig – og då las eg m.a. om Heimevernet. Og fleirtalet, som då bestod av Høgre, Framstegspartiet og Kristeleg Folkeparti, var veldig oppteke av å styrkje Heimevernet og å oppretthalde Sjøheimevernet, som no forsvarssjefen vil leggje ned. Derfor er det interessant å kunne få nokre vurderingar av om det er noko i den forsvarspolitiske situasjonen som har endra Høgres standpunkt til desse institusjonane i dei åra som no har gått sidan den innstillinga? Takk for spørsmålet. Jeg vil likevel hevde at selv om den sikkerhetspolitiske situasjonen er annerledes, er det relevant å snakke om det utgangspunktet vi starter med, fordi det handler om ubalanser og vedlikeholdsetterslep som har bygd seg opp over år, og som vi nå må ta fatt i for å komme opp på det operative nivået som den inneværende langtidsplanen ønsker at vi skal ha. Det er jo nettopp de økonomiske grunnforutsetningene som var noe av årsaken til at det ikke ble enstemmighet eller et bredere flertall for den inneværende De diskusjonene som vi den gangen hadde bl.a. om Sjøheimevernet, er diskusjoner vi nå skal gå inn i med full tyngde ut fra det forsvarssjefen har levert. Og som jeg var inne på, både i mitt forrige svar og også på torsdag da det fagmilitære rådet kom, så er forsvarssjefens fagmilitære råd et helt sentralt og viktig dokument. Men vi har også andre dokumenter og andre vurderinger og analyser som skal legges sammen oppå dette, og vi skal ha en god og grundig politisk behandling både i Stortinget og i offentligheten.